har man et problem med økt risiko for tap av dyr. Det er flere grunner til at en utøver gjerne vil ha flere rein. En av de åpenbare er ønsket om bedre inntekt i påfølgende år. En annen grunn er behovet for å forsikre seg mot de tap som man vet kommer år om annet. Som egen forsikring er løsningen å ha så mange rein at en å ha så mange rein at en tåler tapet uten at eksistensgrunnlaget går tapt. Hver og en av disse årsakene er i og for seg logisk og fornuftig, og som enkeltindivid vil de fleste i samme situasjon forsøke å øke sin egen reinflokk. Problemet oppstår når alle tenker likt og alle øker sitt dyretall. Dette vil i seg selv øke risikoen og framskynde tap på grunn av redusert næringstilgang. Når alle vil en altså før eller siden oppnå den motsatte effekt av det en ønsker. I stedet for å forsikre seg mot tap, framskynder og øker en tapene av rein. Problemene med å tilpasse seg et begrenset naturgrunnlag er ikke et særskilt fenomen i reindriften. En finner klare paralleller i andre deler av samfunnet. I Norge er det mest nærliggende å sammenlikne med overfisket på sild og torsk. Selv om den enkelte fisker skjønte at fangstene var for store, og at det bar galt av sted, var den enkelte fisker maktesløs. Dersom en fisker stopper sitt fiske, er det andre som fisker den siste torsken. Den logiske strategi er å delta for å sikre at han ikke blir dobbelt taper: Bestanden blir overfisket uten at han selv får en del av det som høstes. I prinsippet er det to mulige løsninger på problemet med tilpasning av virksomheten til ressursgrunnlaget. Den ene løsningen er at næringsutøverne selv blir enige om et høyeste reintall som de fordeler mellom seg. De må da innføre nødvendige kontrolltiltak internt. Dette krever en oversiktlig gruppering av næringsutøverne. Det nytter f.eks. ikke å satse på en slik løsning for torskefiske i Barentshavet. Den andre mulige løsningen på ressurstilpasningen er at en utenforstående myndighet fastsetter kvoter som fordeler de begrensede ressursene. De må samtidig gjennomføre nødvendige kontrolltiltak for å Professor Reidar Elven uttaler følgende til forskningsmagasinet Apollon: «Den samiske reindriften skader det biologiske mangfoldet på Finnmarksvidda. Problemet er størrelsen på reinsdyrflokkene. Vinterbeiteområdene i hele indre Finnmark er omtrent ødelagt. Mesteparten av reinlaven er allerede spist opp eller tråkket ned av rein. De hardest rammete områdene er allerede ørken. Nedbeitingen av Finnmark Det kan ta opptil femti år før reinlaven er tilbake Driften har allerede vært i ubalanse med naturen i minst 30 til 40 år.» Rolf Anker Ims, som er prosjektleder for Økosystem Finnmark, som kombinerer fagfeltene økologi og samfunnsfag for å finne årsaker til og konsekvenser av variasjoner i reintall innenfor begge fagfelt, uttaler følgende: «Prosjektet har for å vurdere om overtallighet i reinflokker fører til lavere slaktevekt på dyrene. En slik sammenheng har vært allment akseptert tidligere, og ble også klart påvist i Økosystem Finnmark. Men undersøkelsen har i tillegg vist noen av de biologiske mekanismene som ligger bak de lave slaktevektene. Fostre hos simler som slaktes på ettervinteren ble undersøkt, og det ble funnet at fostrene er mindre hos simler fra bestander med høy tetthet enn hva som er tilfelle for bestandene med lav tetthet. Beiteslitasje får altså effekter på reinen allerede i mors liv. – I tillegg ser vi at tennene hos rein fra høytetthetsområder i Finnmark slites raskere enn hos alle andre sammenlignbare hjortedyrbestander. Tennene slites faktisk ned til gommene på ganske få år. – Årsaken er nedbeitingen, som fører til at reinen må spise mer fiberrik kost. Dyrene får sannsynligvis også i seg en del sand og stein som følge av De dårlige tennene gjør at dyrene i enda mindre grad klarer å nyttegjøre seg den dårlige kosten de får i seg Enkelte forskere har eksempelvis ment at svært høyt beitepress over tid kunne tippe økosystemet i positiv retning ved at beitene etter hvert domineres av produktive beiteplanter slik som næringsrike arter av gress. – Denne teorien har vi tilbakevist. Vårt prosjekt viser helt entydig at for mange rein reduserer beitegrunnlaget, også . Konklusjonene baserer seg på et stort materiale fra feltarbeid. Ikke mindre enn 15 961 målepunkter har blitt analysert. Tjue sommerbeitedistrikter i Finnmark ble brukt som studieenheter. Distriktene ble valgt slik at områdene til sammen utgjorde 10 par med nabodistrikter, hvor hvert par har et distrikt med relativt høyt reintall og et distrikt med lavt reintall. På denne måten fikk storskalamålingene nesten et eksperimentelt oppsett som la grunnlag for robuste analyser. – Studiet har vært omfattende, kanskje til og med unikt i sitt omfang. Vi hadde rene armeen av økologer i felt for å samle feltdata. I tillegg brukte vi satelittfoto til å vurdere beiteeffekter i områder som var vanskelig tilgjengelige for feltarbeid. Den kombinasjonen viste seg å være veldig fruktbar Den samfunnsfaglige delen av prosjektet har også avlivet noen myter. Blant annet teorien om at medvirkning, frivillige avtaler og økonomiske er mer effektive enn den gode, gamle pisken. – Reindriftsnæringen deltar selv aktivt i prosessen med å sette rammebetingelser for næringen, og uttrykker samtidig misnøye med reintallsjusteringene. – Det viser seg at det finnes mange uenigheter knyttet til hvordan reintallet fastsettes, hvilke deler av næringen som bør redusere antallet, og hvilke virkemidler som bør brukes, forteller Ims. Han mener også at medforvaltningssystemet har ført til at personer med mange får større makt, samtidig som subsidie- og erstatningssystemet favoriserer store flokker. Dette kommer ekstra godt til syne etter såkalte katastrofevintre. Etter slike vintre vil personer som driver stort både sitte igjen med flest dyr til videre produksjon og få storparten av erstatningene fra myndighetene. – I realiteten virker systemet slik at de som driver minst bærekraftig favoriseres av staten. Hensikten fra myndighetenes side har nok vært å hjelpe reindriftsnæringa i bærekraftig retning, men myndighetene har ikke klart å se de langsiktige konsekvensene av forvaltningen Reindriften oppfattes som en viktig kulturbærer i Finnmark. Samtidig skal næringen leve opp til produksjonskrav som sammenfaller med resten av samfunnet. – Reindriftsnæringa ligger i skjæringspunktet mellom ny og gammel tid, og møter derfor mange utfordringer, ikke minst i forbindelse med klimaendringer. Et varmere klima i Finnmark kan få stor effekt på vinterbeitene Mildvær med påfølgende frost eller mer snø på vidda er utfordringer som vil kreve mye av både næring og myndigheter Økolog Rolf Anker Ims legger ikke skjul på at prosjektet Økosystem Finnmark har vært utfordrende. Dette er fagmiljøet som har gått inn i systemet. Reineierne dokumenterer flere rovviltskader på dyrene sine enn før. Fra i fjor til i år har erstatningen økt med 40 pst. Erstatningssøknadene for siste reindriftsår er I år er det kompensert for om lag 20 000 rein som er drept av rovvilt, totalt ble det gitt 57 mill. kr i erstatning for tapte dyr, mot 35 mill. kr i fjor – altså en stor økning. Siste reindriftsår har reineierne klart å dokumentere rovviltskade på 1 300 rein, og dette er en økning på ca. 50 pst. fra i fjor. Av dette er omtrent halvparten dokumenterte gaupeskader. Anslagsvis 80 000 dyr har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret. Av disse har reineierne søkt om erstatning for 65 000 dyr. Det vil si at det dør 213 dyr hver dag i Finnmark. Om ikke dette skal være nok, må også norske skattebetalere betale rovdyrerstatning i hundretusenkronersklassen til svenske reineiere. Jeg spurte mine kollegaer i Nordisk Råd om de ville betale erstatning for norske samer på svensk jord. Svaret var at de var ikke naive, og de hadde heller ikke tilgang til norske oljemilliarder. Hvor skal dette ende? Vi må få på plass effektive og rettferdige kontrollordninger. Et slikt forslag bør være å øremerke reinsdyr elektronisk på samme måte som sauer. Hvert reinsdyr må få et eget nummer. Bare på den måten kan vi kontrollere antallet. Vi er nødt til å starte en storstilt nedslakting av tamrein, spesielt på vestvidda, slik at antallet tamrein kan komme ned på et slikt nivå at vi kan ha en bærekraftig næring. Istedenfor å stå for en bærekraftig utvikling av reindriftsnæringen i Finnmark velger Stortinget og velger Stortinget og dagens regjering ikke å gjøre noe. Regjeringen burde prioritere å ivareta beite- og ressursgrunnlaget, men isteden velger dagens regjering en politikk som ikke ivaretar bærekraftighet. Tvert imot velger man å forholde seg til samiske rettigheter og krav og ignorerer prinsippet om bærekraftighet. Dette er en bjørnetjeneste overfor reindriftsnæringen generelt, men er også ødeleggende for all annen næringsetablering. Situasjonen i Finnmark er slik at en næring som årlig mottar over 100 mill. kr i statlige subsidier, er blitt gitt eksklusive rettigheter, samtidig som den fungerer ekskluderende på all annen utvikling og etablering av næringsliv som har livets rett. Når skal Regjeringen begynne å ta ansvar for sin mislykkede politikk?

vil det uansett måtte være slik at man i Finnmark på ulike måter må forholde seg til reindriften som en viktig del av samfunnslivet. Reintallet i deler av Finnmark har stått på dagsordenen i flere tiår. I St.meld. nr. 13 for 1974–1975, Om en aksjonsplan for de samiske bosettingsområder, er situasjonen for reindriften beskrevet nærmere. Jeg skal ikke komme inn på alt som der kom til uttrykk, men til illustrasjon skal jeg gjengi følgende passus: «Samtidig forsterkes de uheldige sider ved overbeskatning av beitene ved at slaktevekten av dyrene går nedover, og for å opprettholde det økonomiske utbytte økes bestanden. Denne onde sirkel vil bare kunne brytes om antall bruksenheter i reindriften bringes noe nedover, samtidig som det finnes fram til en rimelig begrensning av flokkstørrelsen. Slike reguleringer må søkes hjemlet i reindriftsloven.»

Representanten Trældal stiller spørsmål om hva jeg som statsråd vil gjøre i saken. Først må jeg presisere at det var Reindriftsstyret som i 2002 fattet vedtak om høyeste reintall for reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark reinbeiteområde, med i alt 64 300 dyr. For Øst-Finnmark reinbeiteområde er det tilsvarende tallet 74 200 dyr, men reintallet for distriktene her er Jeg finner også grunn til å presisere – og det er viktig – at det bare er i enkelte områder i Finnmark at reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget. Det er derfor viktig å være nyansert når man omtaler reindriftsnæringen. Det kan klart slås fast at i de fleste distrikter og områder har man ikke problemer knyttet til reintallet. Som jeg nevnte innledningsvis, har problemstillingen knyttet til et for høyt reintall i deler av Finnmark stått på dagsordenen i mange tiår. Mange regjeringer og statsråder har jobbet med disse problemstillingene i mange år uten å ha løst saken. Dette viser etter min mening at man for det første står overfor en svært kompleks problemstilling, og for det andre at det er nødvendig å tenke helt nytt og ta helt andre grep enn det man nylig. Et slikt skille må vi klart kunne si har skjedd gjennom den nye reindriftsloven som vi nå har fått. Muligheten for å ta helt andre grep i reindriftspolitikken enn tidligere kom etter mitt syn klart fram ved at Stortinget vedtok en ny reindriftslov i juni 2007. Raskt etter at regjeringen Stoltenberg I overtok ansvaret, ble det tatt initiativ til å få vedtatt ny reindriftslov. Et slikt initiativ ble positivt mottatt fra flere hold fordi man gjennom mange år hadde erfart at det redskapet man hadde hatt fram til da, ikke hadde ført fram i tilstrekkelig grad. Ikke minst var næringen selv positiv til regjeringens oppfølging. Den nye reindriftsloven ble satt i kraft 1. juli 2007. En vesentlig endring fra tidligere reindriftslov er at man i ny lov har fått et helt nytt opplegg for reintallsfastsetting. Gjennom bruksreglene skal det fastsettes reintall for den enkelte sida ut fra det areal sidaen disponerer. Reintallet får dermed en direkte forankring i det tilgjengelige beitet på sidanivå. Dette reintallet skal så godkjennes av Reindriftsstyret. I forkant av arbeidet med bruksregler og reintallsfastsettelse ble det utarbeidet kriterier for fastsettelse av reintall i samarbeid med næringen. Disse kriteriene skal legges til grunn på beslutningsprosessen. I den forbindelse må jeg bare få framheve at det samarbeidet som man har fått til mellom myndigheter og næring under fastsettelsen av kriterier, er både nytt og unikt. Den nye reindriftsloven ansvarliggjør og involverer reindriftsnæringen i langt større grad enn tidligere. Erfaringer fra tidligere prosesser har nettopp vist at mangelen på samarbeid og mangelen på involvering av næringen har vært en klar og medvirkende årsak til manglende måloppnåelse. Jeg er overbevist om at det er viktig å unngå en ovenfra og ned-holdning når en jobber med denne type saker, dersom en ønsker reelle resultater og ikke konflikt. Arbeidet med utarbeidelse og godkjenning av bruksregler pågår nå. Distriktene hadde frist til 1. juli 2009 med å innlevere bruksreglene. Hvilke reintall man her vil komme ut med, gjenstår å se. Den prosessen det er lagt opp til, legger imidlertid etter mitt syn et så godt grunnlag som mulig for en ansvarlig beitebruk som er bærekraftig over tid. Når denne prosessen er sluttført, forutsettes reintallet redusert der dette er for høyt i forhold til det fastsatte. Det må også nevnes at reindriftsloven har egne prosedyrer for reintallsreduksjon, prosedyrer som er langt mer effektive enn etter gammel lov. Sanksjonsmulighetene overfor dem som ikke retter seg etter offentlige vedtak, er også langt mer nyanserte og effektive enn etter gammel lov. Dette gir myndighetene et langt bedre redskap enn man har hatt fram til nå. Jeg vil følge utviklingen framover nøye og fortløpende vurdere framdrift og effekt. I forlengelsen av dette vil jeg også påpeke nødvendigheten av å skape ro og et godt Om den nye lovens virkemidler gir de ønskede resultater, vil det ta noe tid å erfare i alle detaljer. Men man må i hvert fall ikke komme i en situasjon der man gir opp før man har prøvd ut det nye verktøyet som loven gir. Etter min vurdering er den framgangsmåten vi nå følger, den riktige, og som man også bør jobbe med framover. Jeg kan heller ikke se at noen aktører har presentert et alternativt og troverdig opplegg som skulle tilsi at vi nå skulle endre kurs. For øvrig er det satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om landbrukspolitikken som skal legges fram i 2011. I denne meldingen vil også reindriften få sin naturlige plass. I meldingen vil det bli foretatt en bred og grundig gjennomgang av reindriftspolitikken for å se om det er nødvendig å justere kursen eller ta nye grep. I dette arbeidet vil det være viktig med mange gode premissleverandører. Foruten innspill fra reindriften selv vil jeg bl.a. peke på at det pågår arbeid i lys av forskningsinstitusjoner som det vil være naturlig å gjøre seg kjent med og trekke inn i vurderingene. Når denne meldingen foreligger, håper jeg vi får en god debatt i Stortinget om hovedspørsmål og veivalg. Men utgangspunktet er at vi fortsatt skal ha reindrift i Norge, og alle gode krefter må nå forenes for at denne skal være livskraftig og et viktig og positivt element i vårt samfunn.

men hva gjør statsråden for å få tallet ned på det nivået som er satt av staten, som i Vest-Finnmark er 64 300 dyr, for å ta et eksempel? Så har man også eksempler der man sier at reintallet er satt ut fra arealet som sidaen har. Det er vel og bra. På Tjeldøya i Nordland fikk de reintallet satt opp. Når man har fått lov til å gjøre det, øker man bare reintallet. Når det så opp. Når man har fått lov til å gjøre det, øker man bare reintallet. Når det så blir klaget inn av kommunene, gjør ikke statsråden noe med det. Man bare overser at man bryter med det man er blitt enige om. Man gjør ingenting for å få ned tallet. Så her tror jeg man må endre kurs. Hvis man sier en ting og iverksetter et reglement, må man også gå inn og styre etter det reglementet. Bøndene

av statsråden, bl.a. at man bare kan kontakte henne, så skal man få reinen bort fra jordene. Når man da kontakter reindriftssjefen, får ikke bøndene noe svar fra henne. Og når man etterlyser det, får man det svaret fra reindriftssjefen at hun ikke kan gjøre noe med det fordi hun tapte mot sitt styre, der samene sitter med tre og de andre sitter med to. Det er altså et flertall i styret som stemmer ned at reinen på jordene skal bli hentet. Dette gjør at frustrasjonen blir ganske stor, og man får konflikter av det. Hvis ministeren viser at

I mange områder er det ingen problemer med reintallet, i noen områder er det problemer. Det som er svaret, er selvsagt å ansvarliggjøre reindriften slik som en har gjort, og slik som man har lagt til grunn i den nye reindriftsloven. Men en må samtidig gi reindriften en sjanse til å følge opp det regelverket som Stortinget, med stort flertall, har vedtatt. Det er mangel på forståelse, synes jeg, fra representanten Trældals side når han holder innlegg i dag. har ikke forståelse for de prosesser som må foregå når vi nå har etablert og iverksatt et nytt regelverk, et nytt lovverk, der en nettopp gjennomfører det han ønsker seg, en regulering av reintallet. Det gjøres mye, og det gjøres mye fornuftig, både gjennom det at en har fått på plass denne nye reindriftsloven, som ansvarliggjør næringen, og som gir oss sanksjonsmuligheter med hensyn til å følge den opp, og gjennom reindriftsavtalen, der en gjennom de økonomiske virkemidlene fremmer nedslakting eller økt

blitt fulgt opp av meg direkte. I begynnelsen av november var jeg på et møte i Alta der vi møtte alle aktørene. Det vi her har gjort, er å ansvarliggjøre reindriftsforvaltningen, reindriften, bøndene og Alta kommune. De sa alle at de var enige om at de skulle jobbe i lag, på basis av det som reindriftsloven forventer, for å få til gode løsninger. Og Og jeg har bare lyst til å si at jeg skal etablere et meklingsråd. Dette meklingsrådet skal komme med forslag som kan redusere konfliktnivået i Alta direkte. Oppstartsmøtet for dette meklingsrådet er neste uke. Oppstarten er selvsagt nå, fordi det er viktig å få arbeidet slik at eventuelle problemer med rein på avverges. Jeg vil være klinkende klar på at det ikke er beiterett for rein på innmark eller på fredede områder, og det skal følges opp. Selvsagt skal det følges opp av reindriftssjefen og av andre som har ansvaret for dette i den lokale forvaltningen. Styringsorganer skal følge opp dersom dette ikke overholdes, og dersom offentlig interesser tilsier at man skal gripe

I likhet med statsråden synes jeg det er betimelig å minne om at i store deler av landet hvor det er samisk reindrift eller reindriften utøves av andre, er det en bærekraftig drift. Og hvis det er problemer, er det ikke overbeiting som er problemet, det kan være andre forhold som spiller inn. Derfor tror jeg det er viktig å ha en litt nyansert tilnærming, slik at vi ikke skjærer alle over en kam. I mange områder er det f.eks. rovdyrsituasjonen som er den største trusselen mot samisk reindrift og samisk kultur, og også mot beiteområder for husdyr. Jeg synes statsråden har gitt en tydelig og grei redegjørelse for det arbeidet som er igangsatt, med bakgrunn i den nye reindriftsloven, som trådte i kraft 1. juli 2007. Her har man fått ansvarliggjort næringen på en helt annen måte enn tidligere. Det er reineiernes ansvar å fastsette et øvre reintall, med utgangspunkt i det areal sidaen disponerer. Da kan det bli en bærekraftig drift, og etter det jeg får opplyst, er det nå etablert gode prosesser i de fleste områder. Men må ikke undervurderes og bagatelliseres. Her må tilvante holdninger, vaner, sed og skikk, ja hele kulturen for hvordan en er vant til å agere, brytes opp og endres. Derfor tar dette tid. Det er viktig, som statsråden var inne på, å få til gode prosesser rundt dette. Og det har vært nødvendig å utarbeide detaljerte veiledere for dette arbeidet. Når mange skal med i en slik prosess, så må det Når mange skal med i en slik prosess, så må det etter mitt syn vises en smule forståelse for at ting tar noe tid. Jeg mener derfor at den nye reindriftsloven har skapt et tidsskille, at prosessene for å få på plass et øvre reintall i alle sidaer og distrikt er i gjenge, og så forutsetter jeg at reintallet skal ned i de områdene det er for høyt. Det må vi se resultater av,

løse problemet på en konstruktiv måte. Ingen er i det lange løp tjent med uløste beitekonflikter og andre mer eller mindre lovløse tilstander. Interpellanten reiser spørsmål rundt de høye erstatningsutbetalingene. Etter min mening er dette en kompleks problemstilling som har med mer enn for stort reintall å Store mengder rein blir påkjørt, både av bil og tog – der tog er. Vi leser jevnlig om store dyremassakre på og ved jernbanen. De store rovdyrene er også en stor trussel i deler av landet. Jeg er derfor glad for at Soria Moria II slår fast at vi skal ha en gjennomgang av rovdyrpolitikken, bl.a. for å sikre at det skal være å ha beitedyr i områder der det også er rovdyr. Det har noen konsekvenser som jeg ikke vil komme inn på her. De store dyretragediene grunnet en rovdyrstamme ute av kontroll er det i hvert fall mulig å gjøre noe

Videre må det pålegges staten å gi erstatning ved tap av dyr. Fremskrittspartiet ønsker også å redusere byråkratiet i forbindelse med reindriftsnæringen. Det er slik interpellanten sier, et svært høyt antall reinsdyr nå. Over 250 000 dyr er mange, og man må mange år tilbake for å finne et tilsvarende høyt tall. Spesielt er det i Finnmark fylke, som har ca. 74 pst. av totalt antall dyr, og her har også tallet økt betraktelig den siste tiden. Det sier seg selv at så mange dyr skaper problemer. Mangelen på beite tilsier at antall dyr bør og må tilpasses etter dette. Men for den enkelte reineier er ofte det antall rein som slaktes, det som desto flere dyr, desto større inntekt. Dette er selvfølgelig ikke noe problem når arealer og beitemulighetene er gode og store, men åpenbart har krysningspunktet mellom hvor mange dyr man kan ha, og mulighetene for at disse får utvikle seg, kommet i ubalanse. Det viser seg nå at fostrene fra simler fra bestander med høy tetthet er vesentlig mindre enn hos de som har mer plass. Beiteslitasje får altså effekt på reinen allerede i mors liv. Overtallighet fører også til at slaktevekten går nedover, slik at man skulle tro at et mer balansert antall dyr vil føre til en bedre økonomi for næringen totalt sett. Det hevdes også at nedbeiting fører til at tennene til reinen slites mer, og det igjen gjør at reinen i mindre grad klarer å nyttiggjøre seg det den spiser. Reindrift oppfattes som, og er, en viktig kulturbærer i Finnmark og ellers i landet. Det er det stor forståelse for hos oss alle. Samtidig må næringen leve opp til produksjonskrav som sammenfaller med resten av samfunnet. Reindriftsnæringen ligger i et skjæringspunkt mellom gammel og ny tid. Det igjen gjør at næringen møter mange utfordringer – og kanskje vanskelige utfordringer. Ellers er dette en næring som plages av mange tap. Tapene skjer av ulike årsaker. Ca. 80 000 dyr er tapt det siste året. Dette er et altfor høyt tall til at næringen kan leve med det. Tallet må reduseres sterkt, og vi må få klarhet i hvorfor tallet er så høyt. Rovdyrskader utgjør en stor del av dette og det har vært sterkt økende de siste årene. Erstatningsbeløpet fra forrige år til siste år er økt fra 35 mill. kr til med forbehold om at alle tallene er riktige. Et annet problem som har forsterket seg de senere år, er konflikten mellom fastboende, og da spesielt bønder, og reindriftsnæringen. Uklare grenser og rettigheter gjør at problemet noen steder har blitt kjempestort. Også antall trafikkulykker har økt betraktelig. Dette har som resultat store lidelser for dyrene samt materielle skader og andre utgifter, både for bileierne og jernbanen. Derfor er det positivt at representanten Trældal tar opp denne problematikken. Det er positivt at Landbruksdepartementet vil se på saken, og det er positivt at næringen selv også ønsker å regulere antallet dyr – i hvert fall kan det virke som at de ønsker det. Men vi må ikke regulere i hjel næringen, men la det være en næring med sine rike kulturtradisjoner som må få rammebetingelser og vilkår som gjør at den overlever og kan leve av sine dyr, uten at det går på bekostning av andres næring eller andres livskvalitet. takke interpellanten for å ha løftet dette temaet inn til debatt. Dette må for en politiker være en mye mer behagelig og inspirerende form for politisk håndverk enn å drive cowboyagitasjon i diverse medier med krav om rettet avliving av annenmanns buskap. Det er derfor med oppriktighet jeg takker interpellanten for denne muligheten til å debattere en flott næring og rammene rundt og ikke minst et stort og alvorlig problem. Reindriftsnæringen, som andre primærnæringer, driver en vanskelig balansekunst for å finne plass i dagens moderne samfunn, et samfunn der man kan hevde at vår formue beregnes av det som sitter mellom ørene på oss og ikke primært av hvor mange merker man kan sette i ørene på det man eier – et samfunn der man i større og større grad mister kunnskap om det å leve i og av naturen. enda viktigere. Her vises det til eksempler der to næringer som på mange måter er under samme krysspress, kommer i konflikt med hverandre. Statsråden har tidligere engasjert seg på forbilledlig måte i konflikten mellom reindrift og bønder i Alta. Og ved sin tilstedeværelse markerte han alvoret i situasjonen. Han var også klar på at det beste var å løse dette lokalt. Så langt alt vel. Så er det mitt inntrykk at man mister litt interessen for problemet. I resten av Finnmark fylke opplever man også konflikter rundt reindriften. I mange saker framholdes også at antallet rein er for høyt. Vi har eksempler på at sauebønder opplever større og større tap til rovdyr. På Varangerhalvøya opplever man nå at det er rein til stede hele året og i større og større antall. På grunn av problemer med å finne beiteland går man bort fra å flytte deler av flokken fra sommer- til vinterbeite.

de kan få godt betalt for. Disse distriktene kan vise til høy slaktevekt, lønnsom drift og en lite konfliktfylt hverdag. Så har vi andre eksempler med distrikter med for store flokker, som kan vise til veldig lav slaktevekt. Dette kan skyldes ordninger med for mange drivere. Det kan skyldes drivere som egentlig ikke er drivere, men som har en sidaandel likevel, eller det kan skyldes den gamle tanken om at et høyt antall dyr er et godt Fra næringen hevdes det at gjennomsnittlig slaktevekt på kalvene kan gi et veldig greit mål på forholdet reintall kontra beiteland. Når man da ser at gjennomsnittlig slaktevekt kan variere fra 12 til 24 kg i de forskjellige distriktene, aner man kanskje at her er det ting man bør se nærmere på. Det å øke tilskuddet for å slakte kalv hevdes å være en treffsikker måte å få ned reintallet på. Her kan innsatsen økes betydelig hvis man vil ta problemene på alvor. I gjeldende landbruksmelding bruker man om reindriften et begrep som heter «kulturell bærekraft». Reindriftsnæringen skal drives innenfor rammen av økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft. Når omgivelsene og rammefaktorene endrer seg stadig raskere, kan dette med kulturell bærekraft fort bli et tveegget sverd. Høyre mener det er på høy tid å se på reindriftsnæringen i forhold til dagens virkelighet. Derfor fremmet vi i opposisjonen i forbindelse med forslag om en egen reindriftsmelding. I en melding vil det være naturlig å drøfte spørsmål om struktur på næringen, antallet utøvere, eierform og i hvor stor grad man skal være engasjert i næringen for å få delta. Det er beklagelig og for reindriften, frykter jeg, skadelig at regjeringspartiene ikke er villig til å ta næringen så alvorlig at de følger oss i dette. En varslet landbruksmelding kan fort bli så stor at vi mister reindriften av

Men også utenfor Finnmark er reindriften viktig for samisk bosetting. Jeg kommer selv fra et område der reindriftsnæringen er viktig for å utnytte utmarksressursene. I Sør-Norge er overbeiting ikke et problem. Slaktevekten på kalv har faktisk økt jevnt de siste årene, og hvis jeg ikke husker aldeles feil, har den økt med 20 pst. bare det siste tiåret. Tvert imot,

ikke noe problem knyttet til reintallet. Det gjør selvsagt ikke situasjonen noe bedre i de områdene dette gjelder, og jeg har stor forståelse for de utfordringene som landbruksnæringen i disse områdene har. Rein skal selvsagt ikke beite på innmark. Dette er imidlertid en problemstilling som ikke er ny. Problemet knyttet til for høyt reintall i deler av Finnmark har stått på dagsordenen i mange tiår. i mange tiår. Mange regjeringer har jobbet med disse problemstillingene uten at saken har blitt løst. Det er nå mulig å ta helt andre grep i reindriftspolitikken enn det har vært tidligere. Den nye reindriftsloven ble vedtatt i juni 2007, og en vesentlig endring er at man i den nye loven har fått et nytt opplegg for fastsettelse av reintallet. Gjennom bruksreglene skal det fastsettes reintall for den enkelte sida ut fra det areal sidaen disponerer. Reintallet får dermed en direkte forankring i det tilgjengelige beitet som er på sidanivå. Dette reintallet skal godkjennes av Reindriftsstyret. I forkant av arbeidet med bruksregler og reintallsfastsettelse ble det utarbeidet kriterier for I forkant av arbeidet med bruksregler og reintallsfastsettelse ble det utarbeidet kriterier for fastsettelse av reintall i samarbeid med næringen. Disse kriteriene skal legges til grunn på alle nivåer i beslutningsprosessen. Den nye reindriftsloven vil være med og ansvarliggjøre reindriftsnæringen, og den vil involvere næringen selv i langt større Hvilke reintall man vil komme ut med for den enkelte sida, vil bli fastsatt i løpet av 2010. De fleste sidaene har nå kommet med sine anslag, og da er det opp til styret å godkjenne dem. De som ikke kommer med sine beregninger selv, vil få legger etter Senterpartiets syn grunnlag for en beitebruk som vil være bærekraftig over tid. Når denne prosessen er fullført, forutsettes det, selvfølgelig, at reintallet blir redusert der det er for høyt i forhold til det som vil bli fastsatt. Jeg viser for øvrig til at det er satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om landbrukspolitikken, som skal legges fram i 2011. Statsråden bekreftet i sitt innlegg at også reindriften vil få en plass i denne meldingen, og at det vil bli foretatt en bred og grundig gjennomgang av reindriftspolitikken for å se om det er nødvendig å justere kursen eller ta nye grep. Senterpartiet står fast ved at vi fortsatt skal ha livskraftig reindrift i Norge, og jeg ser fram til en god debatt i Stortinget om hovedspørsmål og veivalg når landbruksmeldingen skal behandles. Interpellanten tek opp ei viktig problemstilling som kjem inn på både dyrehelse, næringsgrunnlag og økologisk Som interpellanten peikar på, er det utfordringar med reindrifta i Finnmark, både når det gjeld konflikt med bønder, og når det gjeld trafikkulykker. Denne vinteren har òg skapt uvanleg store problem for reindriftsnæringa i Nordland. På grunn av vanskeleg vintervêr har reinsdyr trekt ned frå fjellet og samla seg på andre beitestader. Dette har resultert i tragiske ulykker på Nordlandsbanen. Nær 100 reinsdyr har blitt påkjørt av tog langs Nordlandsbanen, med dei lidingar og smerter det I tillegg kjem òg den psykiske belastninga både på reineigarar og tilsette ved Jernbaneverket, som må ta hand om døde dyr til stadigheit. Næringa sjølv har lenge varsla at noko må gjerast, og unge etablerarar ser ikkje ei framtid for næringa dersom tiltaka ikkje verkar. I Sør-Trøndelag har dei nyleg avslutta eit dialogprosjekt om arealreguleringar i område med reindrift. Der har dei blitt einige om køyrereglar for behandlinga av interessekonfliktar mellom reindrifta og t.d. utmarksturisme. Kanskje kan eit slikt prosjekt òg bli gjennomført i andre fylke.

på det økologiske planet med arealinngrep, tap av beiteland, rovdyrtap og klimaendringar; på det rettslege planet med auka fokus på sedvanerett, ny reindriftslov og ny reinbeitekonvensjon og på det økonomiske planet med omlegging av tilskots- og erstatningsordningar. I tillegg har reindriftsnæringa, særleg i Finnmark, utfordringar knytte til

samtidig som det gjev styresmaktene moglegheit til å ta vare på det overordna ansvaret sitt for at reindrifta er berekraftig. Reindriftsdistrikta har ei viktig rolle i arbeidet med oppfølging av ny reindrifslov, og skal utarbeide bruksreglar for ressursforvaltinga. Det blei òg etablert nye verkemiddel som kan setjast inn når eit for høgt reintal skal reduserast. Dei Situasjonen for lågbeita på Finnmarksvidda er langt frå god nok. Gjennom avtalen blir det gjeve ein kraftigare stimulans til alle reineigarane i Vest-Finnmark for å redusere og tilpasse reintalet, ved at dei tidlegare ordningane med kalveslaktetilskot og tidlegslaktetilskot er erstatta med eit nytt tilskot der reineigarane må oppfylle eit fastsett slaktekrav. Folkeparti er bekymra over at arbeidet med å redusere reintalet i dei mest utsette områda i Finnmark tek lang tid, og er oppteke av at dette viktige arbeidet blir følgt opp, slik at ein sikrar ei mest mogleg berekraftig reindrift. Dette er spesielt viktig av omsyn til dyrevelferda, men òg for å sikre at reindrifta skjer innanfor forsvarlege økologiske og økonomiske rammer.

Vi vet alle at reindriften er en arealkrevende næring. Det kan være en utfordring i forhold til samfunnets øvrige behov. Vi registrerer nesten daglig utspill hvor representanter for næringen gir uttrykk for stor frustrasjon for at de blir presset på areal. En slik sak er den planlagte 420-kilovoltslinjen til Finnmark. Det må vi både ha respekt og forståelse for. Men et for stort reintall gjør ikke situasjonen bedre, heller vanskeligere, og som interpellanten var inne på, bidrar et for høyt reintall også til konflikter med andre næringer. I min hjemkommune, Alta, er konfliktnivået høyt i forhold til landbruket, og vi opplever også liten respekt for beitegrenser. Men jeg vet at statsråden jobber med det, noe han også har bekreftet her i kveld. Vi er mange som forventer at denne type konflikter snart er historie.

Som politiker fra Finnmark er jeg enig i denne påstanden. Vi har nok hatt for mye fokus på konfliktene og ikke i stor nok grad fokusert på mulighetene. Tall forteller at reindriften er en viktig distriktsnæring i fylket. Svært mange er sysselsatt i denne næringen. På samme måte som fiskeriene og annen aktivitet er viktig for å få lys i husene på kysten, er reindriftsnæringen viktig for å få lys i husene på Finnmarksvidda. Vi kjenner da også til at potensialet for en positiv utvikling av næringen er stort.

men vi kjenner også til at det har vært vanskelig å nå fram i markedet. For tiden pågår det et spennende markedsarbeid som vi alle håper skal lykkes. I dag er det mye snakk om reintall og slaktevekt. Jeg tror at vi i tiden framover i mye større grad må fokusere på å tilpasse riktig reintall i et bærekraftig perspektiv, slik den nye reindriftsloven legger opp til. til. Noen sidaer har tatt tak i denne utformingen. Vi finner i dag eksempler på sidaer som har halvert reinflokken, men som allikevel har økt omsetningen og verdiskapingen. Det bekrefter bare at utviklingspotensialet er til stede. Det som kanskje i for stor grad har preget reindriften så langt, er at det å ha mange rein har vært viktig for den enkelte reineiers plass og posisjon innenfor reindriftsutøverne. Med andre ord: Driften har vært svært kulturelt Men vi registrerer at en ny generasjon utøvere nå er på vei inn i næringen, og de driver annerledes. De prioriterer økonomisk lønnsomhet og drifter etter moderne oppdrettsprinsipper. Men det å få nye generasjoner inn i betyr også at noen må ut, og det skjer ofte gjennom generasjonsskifte. I den forbindelse fins det en del utfordringer, spesielt i tilknytning til uklare og til dels dårlige generasjonsskifteincentiver. Her må det gjøres noe. Jeg oppfordrer statsråden til å se på de utfordringene næringen har i forbindelse med generasjonsskifte. Næringen er under sterk statlig påvirkning. Denne posisjonen bør utnyttes i mye større grad enn det vi til nå har klart. Etter det jeg kjenner til,

et bestemt slakte- og produksjonskrav. Etter min mening er det en fin måte å møte framtiden på, både med tanke på utfordringene og ikke minst med tanke på de mulighetene vi ser innenfor næringen. Lykkes vi her, noe som jeg tror på, får vi et bærekraftig reintall både økologisk, økonomisk og

tilsynelatende hadde ryddet opp i en prekær situasjon. Jeg kan opplyse statsråd Brekk om at 14 dager etter at han dro fra Alta, var det fortsatt noen hundre reinsdyr inne på privat mark. Det er ingen tvil om at situasjonen i Finnmark vedrørende et altfor høyt reintall er prekær. Det er heller ingen tvil om at hvis forutsetningene for reindriften i Finnmark hadde vært basert på bærekraftighet og samspill med beiteressursgrunnlaget, ville situasjonen innenfor næringen ha vært en helt annen enn den er i dag. Dessverre må vi bare erfare at på områder hvor storting og regjering burde satt bærekraftighet og beiteressursgrunnlaget som de viktigste faktorene for næringen, har vi i prinsippet og i realiteten en pågående rettighetskamp der næringen, som er den største bærer av samisk kultur, blir brukt for hva den er verdt – på bekostning av bærekraftighet, på bekostning av beiteressursgrunnlaget, og på bekostning av bøndene. Stortinget og dagens regjering har i over 15 år utvist en fullstendig manglende vilje til å ta inn over seg hva bærekraftighet faktisk er. Selvfølgelig

Hva er resultatet? Resultatet er overbestand, det er dyretragedier, og vi opplever at deler av Vest-Finnmark står i fare for å bli en høyfjellsørken. Frykten for å gripe inn i rettighetsspørsmålet gjør regjering etter regjering handlingslammet. Nettopp derfor har reintallet fått lov til å øke med 50 pst. over ganske få år. Så vil selvfølgelig næringen klage og si: Nei, storsamfunnet kommer inn på våre områder – man bygger hus, man anlegger linjer, man får dårlige forhold for å drive med næring. Men sannheten er faktisk den at antall reinsdyr i Finnmark har økt med 50 pst. på ti–tolv år. Hva skjer når ingen griper inn og ønsker å regulere en næring? Selvfølgelig er det slik at enhver utøver ønsker å ha flest mulig dyr, som gir mest status, som gir størst subsidier, og som gir mest inntekt. Det er jo ikke næringens feil – tvert imot er det mangelen på regulering fra statens side. hvor mye fisk det ville vært igjen i havet hvis hver enkelt fisker selv fikk bestemme sin egen kvote. Nettopp derfor er fisket strengt regulert. Det er ikke tilfellet med reindriftsnæringen. Dette året har vært et gullår for næringen. Vær og klima er den viktigste årsaken til det. Men til tross for at det har vært et gullår mange steder,

søkt om erstatning for over 62 000 dyr av en total stamme i Finnmark på 187 000. Om det er noen som mener at det er en god sammenheng mellom disse to tallene, vet jeg ikke, men jeg finner sammenhengen meget

positivt. Likevel tillater jeg meg å kommentere noen av disse forholdene. Reintallet i Finnmark har variert veldig opp gjennom årene. Man kan si at den myndighetsbestemte økningen av reindriftstallet startet på 1970-tallet, med en statlig oppmuntring til fattige, små enheter om å skaffe seg større Det var starten på en ganske dramatisk økning av reintallet, for i Finnmark på 1960-tallet var situasjonen den at det gjerne var mindre enn 100 000 dyr, færre enn det som er tilfellet i dag. Tallet har variert veldig sterkt. I sesongen 1988/1989 var eksempelvis antallet rein i Finnmark mer enn 200 000, for igjen, ved årtusenskiftet, å være nede på vel 100 000. Klimatiske forhold, rovdyruttak osv. har påvirket situasjonen i betydelig grad. Men det er ikke slik som enkelte ønsker å fremstille dette, at det er en så til de grader gjennomsubsidiert næring at indre Finnmark bærer preg av en velstand som ingen andre deler av landet kan sammenligne seg med, snarere tvert imot. Det er slik at når storsamfunnet velger å styre denne næringen så til de grader rundt kulturbegrepet – man mener at kultur og næring skal gå i hop på denne måten om man i dag er villig til å omjustere i forhold til det som liksom er storsamfunnets krav. Det er slik som en kjent norsk statsminister sa en gang, at «alt henger sammen med alt». alt». Jeg tror at noe av det som statsråd Brekk var inne på, er viktig å ta inn over seg, for denne næringen har i veldig stor grad vært produksjonsstyrt. Det er ikke slik at denne næringen har mer støtte pr. produsert kilo enn eksempelvis landbruksnæringen. Det er det stikk motsatte som er tilfellet. Og gjennom det politiske verktøyet vi har her i huset, reindriftsavtalen, må man i større grad å rette søkelyset i langt større grad mot markedsarbeidet, ikke bare mot produksjonsarbeidet. En kjent norsk politiker som nettopp ble velsignet med en biografi, tidligere Venstre-leder Sponheim, sørget i et nokså vanskelig år, 2003/2004, for ekstraordinær markedsføring, noe som bidro til et veldig løft for næringen, som dog var kortsiktig. Jeg tror ikke at norsk reindriftsnæring er tjent med at det er landbrukssamvirket i Norge som har hånd om næringens markedsarbeid. Jeg vil så sterkt jeg kan anmode statsråd Brekk om å se på dette, samtidig som han ser på det som flere talere har understreket, bl.a. Frank Bakke Jensen og Folkepartis talsmann, at man må være villig til å la norsk reindriftsnæring få en egen stortingsmelding. Ikke la dette bli et venstrehåndsarbeid i og rundt en kommende landbruksmelding. Det hjelper ikke hvor viktig man sier at det å få et eget kapittel kommer til å bli, hvis man ikke tar seg bryderiet med å sørge for at verdiskapingsbegrepet og markedsarbeidet får en helt annen og større dimensjon for denne næringen, med sitt enorme potensial. Da vil man

at det ikke her blir som med Lofoten, der SV og Senterpartiet på en måte presset de andre ut. Det er altfor viktig til det. Så går jeg litt videre. Jeg stilte statsråden et direkte spørsmål – hvorfor man i 2002 har vedtatt 64 300 som høyeste reintall i Vest-Finnmark, mens nærmere 100 000 nå – men ingenting er skjedd. Det eneste statsråden gjør, er å komme med fraser der han beskylder undertegnede for å stigmatisere reindriftsnæringen. Denne retorikken har ministeren hatt hele veien, fra problemene i Finnmark startet. Jeg tok opp saken i begynnelsen av november i fjor. Da svarte man at man skulle sette ned et utvalg for å megle. Det skulle skje øyeblikkelig. Fra november til nå har det gått fem måneder. Det er hurtigarbeidet til ministeren, så med all respekt,

reindriftsnæringen og bøndene som må ta regningen. Dette er også et bevis på at man ikke er handlingsdyktig. Jeg registrerer også at man i juli 2007 satte seg ned for å se på næringen. Vi er nå i 2010, og det har fortsatt ikke skjedd noe. Igjen viser det at det er langt mellom handling og vilje.

Denne næringen har, som flere har sagt, fantastiske muligheter, hvis vi sammen med næringen greier å forvalte disse mulighetene på en god måte. Jeg har lyst til å understreke at NRLs leder, Sara, har uttalt at han registrerer en endring i holdning hos ungdommen i reindriften nå. Nå er det vekt og kvalitet som gjelder, ikke størst mulig flokk. Det synes jeg også Og når det da er enkelte i denne sal som hevder at vi slipper alt fritt i forhold til driften, så må jeg gjøre oppmerksom på at det er et generelt tak på 600 dyr for å komme innunder reindriftsavtalen, som på sett og vis understreker at det ikke er fritt fram for å få støtte til den driften en ønsker seg. De siste årene har reindriften hatt en positiv inntektsutvikling, og foreløpige tall for 2009 viser en fortsatt positiv utvikling. Hovedårsaken til økningen kan relateres til et fortsatt høyt slakteuttak, og ikke minst en økning i prisen. Vi ser gjennom de siste års positive inntektsutvikling i reindriften at reindriftsavtalens virkemidler bidrar til økt slakting og verdiskaping. Men fortsatt er det slik at gjennomsnittsinntekten i reindriften er for lav. For meg er det viktig at man framover prioriterer tiltak som bidrar til å videreutvikle de inntekts- og velferdspolitiske tiltakene i reindriften, slik at man får løftet reindriften opp på et nivå som samsvarer bedre med sammenlignbare næringer. I denne sammenhengen er det altså reindriftsavtalen som er det sentrale virkemiddelet. Det er viktig å stimulere til reell markedsrettet produksjon og verdiskaping, som også noen i sine innlegg i dag har understreket. Erfaring viser at de produksjonsavhengige tilskuddene har Erfaring viser at de produksjonsavhengige tilskuddene har bidratt til å øke slakteuttaket av rein det siste året og bidratt til økt verdiskaping i næringen. Det er derfor viktig at kommende reindriftsavtaler også stimulerer til økt slakting og produksjon gjennom de produksjonsbaserte tilskuddene, slik at reintallet kan bli redusert til et bærekraftig nivå i alle reinbeiteområdene. Den siste reindriftsavtalen som akkurat nå har blitt inngått, legger vekt på akkurat det. Avtalen legger stor vekt på tiltak som kan bidra til

Jeg har lyst til å starte med å si litt om det jeg mener er grunnlaget for holdningen vår til dyrevelferd. For meg handler det om respekten for liv, en grunnleggende respekt for liv. Det handler også om graden av sivilisasjon: Måten mennesker behandler dyr på, sier noe om graden av sivilisasjon i et samfunn. Det sier også noe om velferd og menneskesyn, hvordan du behandler livet rundt deg. Det er også viktig å si at dyr har en egenverdi. Liv har en egenverdi utover det økonomiske som dyr kan bidra med. Og så syns jeg det er viktig å si at dyr heller ikke skal menneskeliggjøres i sine behov, men at dyr har sine behov som dyr. Jeg har lyst til å gå gjennom noen av de sektorene der jeg syns at man har spesielle utfordringer i dag. En av denne interpellasjonen, var først og fremst forholdene i pelsdyrbransjen. Det ble inngått en avtale med pelsdyrnæringa under Bondevik II-regjeringa om at man innen 2012 skulle få en forbedring innenfor næringa, både når det gjaldt avl, og når det gjaldt det generelle tilsynet. Mattilsynet kom i 2009 med en rapport, der 94 pst. av farmene som drev med rev, og 71 pst. av farmene som drev med mink, fikk merknader. De fikk altså merknader ved et varslet tilsyn. Nettverk for dyrs frihet avdekket lovbrudd eller forskriftsbrudd ved samtlige farmer når de kom på uanmeldte besøk. Jeg ser at statsråden har møtt næringa, men jeg har ikke sett at statsråden har gjennomført noen ordentlige sanksjoner med tanke på næringas brudd. Jeg vil spørre statsråden: Er situasjonen grei nok? Eller støtter statsråden en avvikling i 2012? Så har jeg lyst til å ta opp et punkt som ikke er så mye diskutert, og det gjelder kjæledyrene våre. Vi ser nå en utvikling i kjæledyrbransjen, der det er i kjæledyrbransjen, der det er veldig mye penger, og der man avler opp dyr som man får solgt for store summer. På noen av disse rasene avles det på så underlige, feil ting og deformeringer at vi kan oppleve hunder som blir kåret til beste i sin rase, men som kan ha så deformerte pusteorganer at de nesten ikke er i stand til å gå inn i sirkelen for å motta prisen. Vi opplever det samme når det gjelder katter, og veterinærene varsler om at det på hesteområdet er akkurat likedan. Vi ser at det er mye penger i denne driften. Man avler på så mange underligheter hos dyr, at de nesten ikke er i stand til å leve med de feilene som de får ved avl. Det som jeg lurer på, er om vi her burde innføre kompetansekrav for dommere, om vi burde sertifisere dem som er dommere på dette området, slik at de faktisk vet at når de dømmer en hund som er vinner og champion på et område, dømmer de også en hund som det blir avlet på, og som kan ha så mye deformering at de nesten ikke har normale kroppsfunksjoner, som f.eks. å puste. puste. Kanskje bør man veilede oppdrettere om hva man skal avle på, og kanskje bør man informere eiere når de kjøper noen av disse hunderasene, om at de faktisk kjøper et dyr som lever et veldig mindreverdig liv fordi det er avlet på så mye underligheter at de nesten ikke har normale kroppsfunksjoner. Jeg tror at de aller fleste eiere ønsker det beste men det har nå gått en sport i akkurat dette, som gjør at mange av oss begynner å elske bastarden – for det bastarden er. Men her er det så mye penger at man kanskje bør innføre noen reguleringer med tanke på hva man dyrker fram. Så til landbruket: Det har skjedd mye positivt innafor landbruket skjedd mye positivt innafor landbruket når det gjelder dyrehold. Mye skyldes at vi får til større enheter, som også fører til at vi har fått til bedre dyrehold. Men jeg er veldig glad for at statsråden har satt ned et utvalg som skal se på makt innafor matmarkedet, for det tror jeg er veldig viktig. I framtida tror jeg kundene vil velge de produktene som faktisk er gode produkter, også velge de produktene som faktisk er gode produkter, også for dyrene. I dag er det veldig vanskelig. Produsenter som ønsker å prioritere dyrevelferd, opplever at deres produkter går inn i den samme kverna som alle andre produkter. Ved sporing, det å gi kunder valgfrihet, det å gi kunder informasjon tror jeg at man hadde dyrevelferden. Et annet område som kanskje er det som bekymrer meg mest innenfor landbruket, er fjørfedriften. Her lurer jeg på om man kanskje burde ha bidratt til at flere arter hadde blitt tatt inn – at man ikke bare dyrker fram den ene sorten, som man gjør i Norge, og at man burde lage klarere kjøreregler for å ivareta dyrevelferden også på det området. Det er mange organisasjoner som jobber på dette området. Noen jobber politisk – og det er bra at noen gjør det – men noen jobber også med praktisk arbeid. Jeg har f.eks. sett at Dyrebeskyttelsen her i Oslo, bruker veldig mye av medlemskontingenten på å avlive dyr. De samler inn dyr som lever et forferdelig liv ute i gatene, ville katter f.eks., og de bruker da medlemskontingenten som

når det egentlig handler om hele vårt livsmiljø, at vi ikke skal ha for mange dyr som ikke har eiere, som skal gå rundt i våre bymiljøer, f.eks. Da dyrevelferdsmeldinga ble lagt fram av daværende landbruksminister Lars Sponheim, var et av de punktene som vakte mest munterhet, knyttet til sirkusdyr – sjøl om han sa at noen av de verste rapportene han hadde fra myndighetene på dyrevelferd, var knyttet til sirkusdyr. Jeg til å være sirkusdyr, og at man burde diskutere forbud på enkelte. Et annet område er bruken av forsøksdyr. Venstre er et forskningsparti. Å komme helt bort fra bruken av forsøksdyr innen forskningen, tror jeg ikke vi klarer. Men jeg syns kanskje vi skulle ha satt noen grenser for hvor sterk og hvor langvarig smerte det faktisk skal være lov å utsette dyr for. Vi har i det siste hatt flere episoder knyttet til dyrehold som kan defineres som dyretragedier. Noen ganger er det knyttet til ren psykiatri, noen ganger er det knyttet til noe annet. Det som jeg syns er en utfordring, er at vi ser at her er det en håndhevingsgrense mellom hva som i noen situasjoner er Mattilsynets ansvar, mellom hva som i noen situasjoner er Mattilsynets ansvar, og hva som i andre situasjoner faktisk er politiets ansvar. Jeg syns ikke at Mattilsynets muligheter for utrykning er helt tilpasset, eller likner på, politiets tankegang når det gjelder utrykning. Håndhevingen av flere episoder har vært uklar, og ansvaret for hvem som skal gripe inn, når det er åpenbart at noen bør gripe inn, Til slutt må jeg tilbake til det jeg begynte med, nemlig pelsdyr. Når Mattilsynet skal overvåke pelsdyrfarmer, blir det varslet at det kommer tilsyn. Hvis det er dyr som lider, vil Mattilsynet sørge for avliving på stedet. Det jeg etterlyser – når vi nå skal vurdere om pelsdyrnæringen skal få lov til å fortsette – er tall på hvor mange dyr Mattilsynet faktisk avliver på stedet. Det fins ingen rapportering om hvor mange dyr som har det fælt, og hvor mange som faktisk blir avlivet der og da fordi det er så ille under det varslede tilsynet. Jeg syns det er mange ting som er uklart innen pelsdyrnæringen. Jeg håper statsråden kan avklare både sanksjoner

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, fra Veterinærmedisinsk Oppdragssenter, fra SINTEF og fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Den nye loven er ment å ta høyde for ny kunnskap som måtte komme, og omgjøre dette til egnet og godt regelverk for hold av dyr. Jeg har derfor store forventninger til at loven vil være et godt redskap til å fremme dyrevelferden. Loven anerkjenner at dyr har en egenverdi, i tillegg til å ha nytteverdi for mennesker. Det er innført et krav om kompetanse for alle som holder dyr. Mattilsynet arbeider med å utarbeide forskrifter som skal avklare slike kompetansekrav. Det er også viktig å peke på at det nå er innført en generell varslingsplikt i loven, slik at det skal bli lettere å fange opp manglende tilsyn og stell, og dermed forhindre at dyretragedier får utvikle seg. Dyretragedier henger ofte sammen med sykdom og personlige problemer hos dyreholder, som også representanten Skei Grande understreket. Helsepersonell har i denne sammenheng fått varslingsrett, slik at det er mulig å varsle om mulige dyrelidelser uten å komme i konflikt med den taushetsplikten de vanligvis er bundet av. Forskriftene på dyrevelferdsområdet vil bli oppdatert etter hvert som det etableres ny kunnskap om dyrs behov, og om faktorer som spiller inn på deres velferd. Når det skal settes krav til hold av husdyr, vil det måtte gjøres en avveining av hva som gir tilfredsstillende dyrevelferd, samtidig som rammene må være slik at det er mulig å gjennomføre dette i praksis. Det har i den senere tid vært et sterkt fokus på pelsdyrhold, etter at det ble avslørt uholdbare forhold i deler av næringen. Dette har jeg tatt fatt i, og jeg har gjort det klart overfor næringen at hvis de ikke rydder opp, står den politiske støtten på spill. Jeg har også hatt flere møter med pelsdyrnæringen, og latt meg bli informert om det arbeidet som er gjort, og de oppfølginger de planlegger for å forbedre og følge opp dyrevelferden i landets pelsdyrhold. Jeg har gjort det klart at næringen ikke er friskmeldt før den tåler et kritisk blikk på sin virksomhet hver eneste dag. Hovedansvaret/forsvarslinjen for dyrevelferden går i det enkelte anlegg, hos den enkelte pelsdyroppdretter dette må vi aldri gjøre unntak fra. Jeg har tro på at næringen vil gjøre sitt beste for å følge opp dette. Dyrevelferdsmeldingen slo også fast at pelsdyrnæringen står overfor en rekke utfordringer som må finne sin løsning før næringen kan framstå som allment akseptert. Velferd hos pelsdyr må forbedres vesentlig i framtiden, sammenlignet med dagens driftsformer. Mattilsynet har som oppfølging av denne meldingen fått i oppdrag å utarbeide et utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr. I mandatet som ble gitt til Mattilsynet, ble det sagt at forskriftsforslaget måtte inneholde alle forhold av betydning for å oppnå tilfredsstillende dyrevelferd i tråd med ny dyrevelferdslov. Det ble også presisert at arbeidet måtte bygge på at pelsdyrnæringen er en distriktsnæring som det er ønskelig å beholde. Et utkast til ny forskrift er for tiden ute på høring. Utkastet har tatt opp i seg mange av rådene som er utarbeidet av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, sammen med annet faglig og vitenskapelig grunnlagsmateriale. Dette er i tråd med føringene i den nye dyrevelferdsloven, å bygge på gjeldende fagkunnskap og ta høyde for ny kunnskap. Forskriftsforslaget legger til rette for vesentlig forbedring av dyrevelferden for pelsdyr. Samtidig vil de foreslåtte endringer medføre merkostnader og merarbeid for næringen. Jeg er innstilt på at vi skal få et oppdatert regelverk som bedrer forholdene for pelsdyr, og jeg vil ta stilling til den konkrete utformingen av regelverket etter Når det gjelder tilsyn med regelverket for dyrevelferd, er ansvaret for dette lagt til Mattilsynet. Dyrevernnemndene opprettholdes for å ivareta lekmannsskjønnet, de gir lokal forankring og legitimitet til dyrevernarbeidet. Fra nå av er nemndene også organisert som en del av Mattilsynet. Denne organiseringen er valgt for å få et ryddig og effektivt system. Det er således ingen uklarhet i dag knyttet til myndighetsansvaret. myndighetsansvaret. Tilsyn med dyrevelferden er en prioritert oppgave for Mattilsynet, og Mattilsynet har også i den nye loven om dyrevelferd fått flere virkemidler for effektivt å kunne følge opp brudd på regelverket. Svaret på interpellanten Skei Grandes spørsmål er derfor at jeg ikke i dag ser et behov for på nytt å sette i gang en kritisk gjennomgang av alt dyrehold i Norge. Dette er noe som, i tråd med den nye dyrevelferdsloven, vil bli vurdert hver gang det ut fra ny kunnskap blir aktuelt å endre på eksisterende regelverk, eller utarbeide nytt regelverk. Regjeringen er opptatt av dyrevelferd, og har gjennom sitt omfattende arbeid med den nye dyrevelferdsloven lagt til rette for at dyr skal bli behandlet på en god og forsvarlig måte. Den nye loven er et godt grunnlag for det videre arbeid med å sikre at dyrehold skjer innenfor forsvarlige rammer, basert på kjennskap til

teksten. Det første går på pelsdyr. Hvis jeg skal replisere til det med pelsdyr, så er utfordringen å få rapporter på bordet, slik at vi kjenner den reelle situasjonen når 2012 kommer. Da mener jeg f.eks. at det må føres en klar logg over hvor mange dyr som faktisk blir akutt avlivet av Mattilsynet ved tilsyn. Det er et tall jeg gjerne skulle ha visst. Det andre går på det med kjæledyr. Dette bryter ikke loven slik som den er i dag, men det er helt klart at det nå er så mye penger i næringen med avl av kjæledyr, at vi ser at den manglende kompetansen hos dommere f.eks. i konkurranser med kjæledyr har ført til at mye av det som skjer, ren dyremishandling. Man trodde ikke at det skulle være noen fare for det for noen år siden. I dag ser vi at det er det. Veterinærforeningens rapport til meg om tilstanden på dette feltet var meget skremmende. Jeg håper at det er kunnskap som også statsråden vil tilegne seg, og at han vil vurdere å sette i verk tiltak. Jeg tror at det er viktig å løfte også dette feltet. Så til begrepet «forsøksdyr». Dette er jo veldig forskriftsmessig regulert, men det er er jo veldig forskriftsmessig regulert, men det er en klar utfordring til statsråden å se på om vi f.eks. burde ha regulert med tanke på hvor langvarig smerte, og hvor mye smerte, man kan utsette dyr for – ikke bare det at vi i dag regulerer ganske strengt hvem det er som har lov til å gjøre forsøk på dyr. Så mener jeg også at det må være en klar grense mellom dem som har et alternativ til, og dem som til, sine dyreforsøk. I dag ser vi at teknologien har beveget seg dramatisk fort framover når det gjelder andre måter å simulere følger av forskning på. Så det var mine utfordringer. Jeg gjentar disse for statsråden i håp om at han nå får tid til å svare på dem. Jeg skal da

når det gjelder diskusjonen om Mattilsynet og politiet, har det også kommet fram forslag om at vi skal etablere et eget dyrepoliti i Norge. Til det har jeg bare lyst til å understreke at det er Mattilsynet som er dyrepolitiet i Norge. Det jeg understreket, var at tilsyn med dyrevelferd og oppfølging av dyrevernsaker skal ha høy prioritet, og Mattilsynet har nå fått flere virkemidler for effektiv oppfølging av brudd på dyrevernloven, bl.a. muligheten til å frata retten til å ha dyr. Det er også slik at både Mattilsynet og politiet kan rykke ut på varsling. Så jeg opplever at det ikke er problematisk med grensegangen mellom Mattilsynet og politiet, som Så jeg opplever at det ikke er problematisk med grensegangen mellom Mattilsynet og politiet, som jeg forsto interpellanten antydet. Når det gjelder kjæledyr, gikk spørsmålet på avl og utviklingen i den siste tiden med hensyn til avl og de egenskaper som dyr da får, pluss kunnskapene til dommerne. Jeg vil bare understreke, for å orientere interpellanten, at den nye loven har krav til Det er et samarbeid med Norsk Kennel Klub om utdanning av dommere, og der har Mattilsynet og departementet dialog med dem. Så det området mener jeg blir godt ivaretatt, selv om også jeg ser at det i enkelte tilfeller er egenskaper ved enkelte raser, ved enkelte dyr, som synes å være vanskelig eller ikke særlig tilrådelig å avle videre på. Så til slutt

vil jeg bare understreke at det er opprettet en alternativ plattform ved bruk av dyr i forsøk. Jeg vil bare understreke at de prinsippene som skal legges til grunn i forsøksdyrarbeidet, er de tre R-ene – som det heter på godt norsk – «reduction, replacement and refinement». Det betyr at det også jobbes med forsøksdyrområdet for å gjøre situasjonen bedre for disse dyrene. Dyrevelferd er

Men likevel er det nødvendig å være på kontinuerlig søken etter forbedringer. Viktigst av alt er å forebygge at dyr lider. Forebyggende, holdningsskapende arbeid er viktig informasjon. Det er helt klart at det er eieren som er ansvarlig for dyrevelferden. Når eieren ikke tar tilstrekkelig ansvar for må det offentlige gripe inn. Når dyretragedier dukker opp i media, spør en seg ofte: Hvordan kan dette utvikle seg? Hva slags samvittighet og holdninger kan folk ha, som lar dette skje? Det kan være mange svar. Men da vi behandlet og vedtok ny dyrevernlov i forrige periode, drøftet vi mye hvordan dette kunne utvikle seg seg uten at det offentlige grep inn i tide. En av grunnene til at dette kan utvikle seg kan være helsemessige problemer hos dyreeieren, ensomhet, økonomiske problemer osv. Da kan det være viktig at det er god kommunikasjon mellom helsepersonell og veterinærtjenesten/Mattilsynet. Derfor er det bra at vi gjennom den nye loven har fått en varslingsrett for helsepersonell om dyremishandling eller alvorlig vanskjøtsel. Men helsepersonelloven har sterke begrensninger i forhold til taushetsplikten. Jeg kan ha mistanke om at den praktiseres noe ulikt. Jeg synes det er gode grunner til å se nærmere på denne når det gjelder kommunikasjon med andre faggrupper som arbeider inn mot en felles problemsak. Taushetsplikten må ikke være til hinder for tverrfaglig samarbeid for å sikre dialog som kan forhindre at dyretragedier får utvikle seg. Jeg tror ikke vi er i mål med dette arbeidet, selv om jeg er enig i at vi nå må konsentrere oss om at den nye loven må få komme i funksjon, og at de ordningene vi har vedtatt, må få fungere over tid. Men vi må hele tiden ha fokus på området, og være på søken etter forbedringer. Når det dukker opp kritikk, ja, så må vi ta det alvorlig og vurdere muligheter for forbedringer. Det kan bl.a. være nødvendig å få til en bedre registrering av dyrevernsaker, utvikle indikatorer på dyremishandling Under behandlingen av St.meld. nr. 12 for 2002–2003, Om dyrehold og dyrevelferd fastslo Stortinget at hvis pelsdyrnæringen ikke kan dokumentere vesentlige forbedringer innen 2013, bør det vurderes å avvikle næringen. Ingen partier reserverte seg mot Det har versert skremmende bilder i media av vanskjøtsel i pelsdyrfarmer av en slik karakter at det er fullstendig uakseptabelt. Jeg føler at næringen nå er inne i en nådetid. Får man ikke slutt på dette, ja, så er det slutt. Jeg har inntrykk av at næringen har tatt dette veldig alvorlig, og at det nå ryddes opp. For det første er nye forskrifter nå ute på høring, og det er en klar oppfatning fra Mattilsynets side at det vil gi bedring. De nye forskriftene legger til rette for vesentlige forbedringer av dyrevelferden for pelsdyr. I tillegg arbeider næringen med en egen sertifiseringsordning som skal verifiseres av utenforstående fagfolk, en ordning som på enkelte områder går lenger i forhold til dyrevelferd enn forskriftsutkastet. De første farmene blir etter planen sertifisert allerede i år. Jeg synes dette virker lovende.

God dyrehelse er en forutsetning for god dyrevelferd, mattrygghet og en bærekraftig produksjon. Norge har et godt omdømme når det f.eks. gjelder forekomster av og kunnskap om smittsomme dyresykdommer sammenliknet med andre sammenliknbare land. Det er kanskje det viktigste kvalitetsstempelet norsk landbruk har. Men, det er et stort men. Nesten daglig kan vi lese om dyretragedier som vesentlig skyldes menneskelig svikt av forskjellige årsaker. Det kan være at eieren har blitt syk og ikke innser, eller at andre ikke innser, at han ikke kan ta vare på dyrene sine. Det kan være eiere som ikke er skikket til å ha dyr, og at f.eks. Mattilsynet ikke griper inn tidsnok bl.a. på grunn av mangel på ressurser, eller det kan være at det norske regelverket ikke er godt nok. Det kan også være slike ting som at bygninger hvor dyrene oppholder seg, ikke er bra nok, og at dyrene brenner opp. I 2009 var det 223 branner i driftsbygninger over en viss størrelse i Norge – et tall som er ca. dobbelt så stort som for bare fire år siden. I slike branner dør ofte mange dyr. Her må det sterkere egeninnsats til, og regelverket må innskjerpes. Det å ha dyr medfører et stort ansvar uansett antall eller type. Fremskrittspartiet sier det så enkelt som at Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å ha og holde dyr, skal umiddelbart miste retten til dyrehold. Her synes jeg enkelte dommer i slike saker er merkelige. Er du f.eks. fradømt retten til å ha en type dyr, kan du allikevel ha andre typer dyr. Her må dommen være klarere; et dyr er et dyr uansett En annen ting som forbauser meg, er at de som snakker om dyrevelferd, oftest er de som forsvarer rovdyr, som f.eks. ulv. I mitt distrikt, Hedmark, er det forholdsvis mange av de bøndene vi har igjen, som har bufe som hoved- eller biinntekt. Det er, f.eks. etter Galven-tispas herjinger i sommer og høst, ingen av disse som snakker om dyrevelferden til alle de sauene og andre dyr som blir tatt av rovdyrene. Ofte blir ikke bufe drept med én gang, men pines over flere døgn. Når det gjelder den spesifikke pelsdyrnæringen, har sikkert denne også et forbedringspotensial. Men jeg vet at det har skjedd mange forbedringer de siste årene også her. Oppdrett av pelsdyr begynte man med i Nord-Amerika på 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet i Europa. Europa står for ca. 70 pst. av verdens pelsdyrhold. I Norge er det ca. 350 pelsdyrgårder. De fleste av disse er små, familiedrevne enheter som sammen med andre inntektsmuligheter på gården, eller med en inntekt utenfor gården, gjør at det blir en årsinntekt. Dette er viktige arbeidsplasser for små distriktskommuner. Pelsdyrhold er underlagt strenge nasjonale bestemmelser i tillegg til anbefalinger fra EU. Det legges spesielt vekt på burmiljø, hygiene, avl, rutiner for stell og håndtering og fôring. Pelsdyr har også generelt en god helse. Pelsdyrnæringen er også viktig som avtaker av store mengder avfalls- og biprodukter fra næringsmiddelindustrien, som fiskeforedling og slakterier. Det er også minimal eller ingen transport for avlivning, noe det er for andre typer dyr i produksjon.

Men også Fremskrittspartiet sier i sitt program at vi ønsker en gjennomgang av regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen med sikte på forbedringer. Meg bekjent jobber også norsk pelsdyrnæring med en sertifisering av de norske pelsdyrgårdene. Dette viser seriøsiteten i bransjen. Avslutningsvis vil jeg takke interpellanten for at en viktig sak er blitt brakt på banen. Med bakgrunn i mye av det som

må se på gjennomføringen av loven etter hvert og ikke minst på det nye høringsutkastet som virker relativt strengt. Jeg tror dette vil sette om ikke en rakett, så i hvert fall fart i bransjen, som jo også selv er i ferd med å utvikle, som det har vært sagt av andre her, både sertifiseringsordninger og andre prosedyrer for å sikre næringen sin. For dette er jo en næring, som drives i distriktene, som drives av små bedrifter, og nettopp derfor tror jeg det er viktig at myndighetene også bidrar til at de kan få denne bærekraftig, for å si det slik. Jeg tror det er viktig, og derfor tror jeg man bør ha ytterligere litt tålmodighet, selv om historien tilsier at man kanskje har den utålmodighet som interpellanten har. Så har jeg lyst til å ta opp en av de utfordringene som representanten Skei Grande kom med i sin innledning, hvor hun snakker om maktutredningen i matmarkedet, og at gode matprodukter har en sammenheng med dyrevelferd og med dyrehelse. Det er det ingen tvil om at den har, og jeg tror moderne forbrukere etter hvert vil være meget opptatt av dette. Vi har sett det. Vi har sett det til og med i verdensøkonomien. Når vi har hatt utbrudd av smittsomme sykdommer på verdensbasis, har vi sett hvilken virkning det gjør på verdensøkonomien. Verdens børser raser når man ser at noe kan skje med matproduksjonen. Denne sammenhengen tror jeg blir mer og mer viktig, og akkurat i den forbindelse

som gjør at bonden eller dyreeier mer enn tidligere skal kunne behandle egne dyr, altså uten bruk av veterinær. Jeg mener det kan være problematisk ut fra forbrukernes trygghet og selvsagt også for dyrevelferden. I dyrehelsepersonelloven som veterinærer er bundet av, er det strenge regler for medhjelper. Den standarden er faktisk utformet ikke bare for forbrukerne, ikke bare for at det skal være rimelig og god mat i Rema-butikkene, men også for velferden, slik at det ikke skal være unødig medisinering og ikke feil medisinering, og derved undergrave formålet med lovgivningen.

Dyrevelferd må byggje på anerkjenning av at dyr har eigenverdi i tillegg til å ha nytteverdi for mennesket. Dyr skal handsamast godt og vernast mot unødige påkjenningar og belastingar. Det er viktig å ha lovverk og kontrollmekanismar som vernar dyra, på basis av fagleg kunnskap og med utgangspunkt i kva som er i dyras interesser, slik det er lagt opp til i lov om dyrevelferd. SV har programfesta at vi vil arbeide for å styrkje dyrevernet, både i Noreg og internasjonalt. Det er eit arbeid som stadig må følgjast opp, etter kvart som det kjem ny kunnskap som gir oss moglegheit til å auke dyrevelferda. Det er viktig å sikre eit godt tilsyn med husdyrhaldet og ha klare ansvarsliner for kontroll og sanksjonar. SV er oppteke av å styrkje arbeidet for å finne fram til alternativ til dyreforsøk som påfører dyr liding. liding. Organisasjonen Norecopa gjer eit viktig arbeid for å finne fram til og formidle informasjon om alternativ til dyreforsøk. Dette er eit viktig arbeid som må vidareførast. Norecopa og Noregs forskingsråd har også sett i gang arbeid for å sjå på dyrevelferd blant fisk som blir brukte som forsøksdyr. Her har vi faktisk ganske store utfordringar framover, sidan fisk utan samanlikning er blant dei dyra som blir brukte mest i dyreforsøk pr. i dag. Det er kanskje mange som trur at fisk ikkje føler smerte, men det gjer dei. Representanten Skei Grande snakka spesielt om pelsdyrnæringa. SV meiner at erfaringane hittil tyder på at det er vanskeleg å ha ein pelsdyrproduksjon som sikrar god dyrevelferd. Her er vi på line med fråsegna frå Den norske veterinærforening. Alt i 2001 peika dei på at pelsdyrhald byr på stor utfordringar for dyrehelsa, og i fjor haust uttalte foreininga følgjande: «Dagens pelsdyrhold baserer seg på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Denne driftsformen medfører at dyrene ikke får tilfredsstilt sitt naturlige atferdsbehov. DNV har tidligere uttrykt skepsis til

når det gjelder dyrevelferd. Jeg vil videre vise til at det nå er innført krav til kompetanse for dyreholdere i den nye dyrevelferdsloven, og med kompetanse menes det både kunnskap og ferdigheter. Kompetansekravet skal sikre at dyr blir ivaretatt på en tilstrekkelig og faglig kompetent måte, og Mattilsynet arbeider nå med å få på plass forskrifter på dette området. Det er også viktig å peke på at det er innført en generell varslingsplikt i loven, slik at det kan bli lettere å fange opp manglende tilsyn og stell og dermed hindre at dyretragediene får utvikle seg. Ofte henger de verste dyretragediene sammen med sykdom og personlige problemer og personlige tragedier hos dyreholder. At helsepersonell nå har en varslingsplikt, vil gjøre at det blir mer oppmerksomhet fra det holdet, og vi har mye større sjanse til å fange opp tragediene, forhåpentligvis på et tidlig tidspunkt.

Alle disse tiltakene viser nettopp at vi har hatt en gjennomgang av dyrehold i Norge, og at vi har en kontinuerlig oppfølging. Senterpartiet er opptatt av dyrevelferd, og vi viser til at Regjeringen gjennom arbeidet med den nye dyrevelferdsloven har lagt til rette for at dyr skal bli behandlet på en god og forsvarlig måte. med den nye dyrevelferdsloven har lagt til rette for at dyr skal bli behandlet på en god og forsvarlig måte. På denne bakgrunn støtter Senterpartiet statsrådens syn om at det ikke er behov for på nytt å sette i gang en bred, kritisk gjennomgang av alt dyrehold i Norge på nåværende tidspunkt. Først vil eg få lov til å takke interpellanten for ein viktig interpellasjon. For me har vore vitne til mange grufulle bilete frå pelsdyrnæringa. Både Mattilsynet og næringa sjølv har teke grep, og me håpar at dei lykkast. Kristeleg Folkeparti vil arbeide for at dei forbetringstiltaka som pelsdyrnæringa har gjennomført, blir vidareført, slik at dyrevelferda i næringa blir betre. Me vil også stille krav til dokumentasjon av dette. I dag er det om lag 350 pelsdyrfarmar over store delar av landet. Det gjer næringa til ei viktig distriktsnæring. Alt dyrehald skal baserast på god dyrevelferd, og avlivinga skal skje raskt og utan unødig liding. Ein må ikkje tillate avl eller bioteknologisk utvikling som framskaffar individ utan dyras naturlege instinkt og eigenart. Som pelsdyrnæringa sjølv seier det: «Mye har skjedd det siste året.» Til hausten er det klart for sertifisering av dei første norske pelsdyrgardane. Ein sertifisert pelsdyrgard skal vere ein veldriven pelsdyrgard der forskrifter og bransjekrav blir etterlevde, og der dyrevelferdstanken går igjen i daglege rutinar og gjeremål. For å bli sertifisert etter næringas kravstandard blir det kravd at ein ekstern, uavhengig revisor skal gjennomgå pelsdyrgarden for å kontrollere at krava blir etterlevde. Det er bra, og det er heilt nødvendig. Pelsdyrnæringa er først og fremst ei distriktsnæring som blir driven i tilknyting til annan husdyrproduksjon og gardsdrift i Utkant-Noreg. 80 pst. av produksjonen føregår i næringssvake kommunar, der pelsdyrproduksjon styrkjer næringsgrunnlaget på garden, slik at busetjinga kan tryggjast. Me har naturlege føresetnader for pelsdyroppdrett i Noreg. Me klarer å konkurrere internasjonalt, fordi me har ei stor fiskeforedling som gir biprodukt. Me har klimatiske forhold som er ideelle for pelsdyrhald, og med sit med kompetanse som gjer oss i stand til å drive med pelsdyroppdrett på ein god og dyrevelferdsmessig forsvarleg måte. Miljøperspektivet i næringa må ein ikkje undervurdere: Om lag 80 pst. av pelsdyrfôret er avfall frå fiske- og Men uavhengig av lønsemd og distriktsperspektiv er det avgjerande at dyrehelsa er i førarsetet. Det reknar me med at næringa vil samarbeide med myndigheitene om å sikre. I den samanheng vil eg også trekkje fram behovet for kompetanse i næringa. Kompetanse og etisk bevisstheit må liggje til grunn dersom me skal unngå liknande tilstandar som det me fekk dokumentert i fjor. Her har

måte, også er et konkurransefortrinn for Norge. Hvis vi klarer å bli gode på det, tror jeg at vi også har et konkurransefortrinn i forhold til vår matproduksjon. Så mine to utfordringer til statsråden. Det er for det første å gå inn i det området som jeg har løftet i forhold til kjæledyr. Jeg skjønner at det jobbes i forhold til organisasjonene på området.

og vi ser i dag at fisk og fugl, som før kanskje var nederst på denne rangstigen, er av de feltene som nå utfordres mest. Spesielt kyllingproduksjon og fiskeoppdrett er to store utfordringer på det området. – Det var mine to utfordringer til statsråden. For Venstres del må jeg si at klokkene har nok ringt for pelsdyrnæringa.

jeg er veldig for dyrevelferd. Jeg er villig til å ofre veldig mye for dyrevelferden. Men å være så mye for dyrevelferd at jeg skal være imot at katter tar mus, at gauper tar katter, og at ulv spiser elg og sau, det klarer jeg ikke. Jeg må innrømme at det å tro at en skal avvikle næringskjeden, klarer ikke jeg ut fra mitt dyreengasjement å være for, sjøl om Fremskrittspartiet snakker for det her i dag. For meg handler det om at dyr må få lov til å være dyr, og at næringskjeden fungerer. Jeg spiser kjøtt, og de under meg spiser kjøtt. Det er slik systemet fungerer, og det er en naturlov jeg ikke vil oppheve. Også jeg vil takke for denne debatten og denne interpellasjonen. Jeg vil innledningsvis i mitt siste innlegg understreke det

Så har jeg bare lyst til å understreke til interpellanten at når det gjelder kjæledyr, mener jeg den loven som nå nettopp er vedtatt og implementert, ivaretar problemstillinger rundt avl. Men vi vil selvsagt følge det råd vi får fra Mattilsynet og eventuelt fra Veterinærforeningen – og altså følge dette videre. Når det gjelder kyllingproduksjon og fiskeoppdrett mv., har Mattilsynet et klart ansvar for oppfølging, det forventer jeg at de gjør. Så vil jeg tilbake til det spørsmålet som jeg var litt uklar på i mitt forrige innlegg. Det er slik i forbindelse med tilsyn i pelsdyrfarmer at tilsyn fra Mattilsynet skjer både varslet og uvarslet. Det er ikke slik at det bare er varslede tilsyn. Vi har – det har jeg fått undersøkt nå – ikke tall på avlivede dyr, bare antall hastevedtak som fattes i forbindelse med de tilsynene. Det skal jeg gå tilbake til Mattilsynet og ta tak i – som jeg også ble oppfordret til av interpellanten. jeg gå tilbake til Mattilsynet og ta tak i – som jeg også ble oppfordret til av interpellanten. Når det gjelder pelsdyr, stiller den nye pelsdyrforskriften som er på høring, krav til plass og utstyr som gir mulighet for og skal stimulere til aktivitet. Jeg skjønner at det i mange partier er slik at man allerede har bestemt seg i forhold til om man ønsker å opprettholde en pelsdyrnæring eller ikke, men mitt og Regjeringens standpunkt er i alle fall at vi jobber mye og hardt for å ivareta dyrevelferden og på det viset sikre at vi kan opprettholde aktiviteten i næringen i framtiden. Så har jeg lyst til å understreke at vi også jobber med og har ønske om å innføre såkalte indikatorer for dyrevelferd. Det å ha slike indikatorer er et arbeid som både Norge og EU ser behov for å utvikle. Jeg håper at det i framtiden vil gi resultater når flere land vil bruke ressurser på det. Når det gjelder Flåttens innlegg, er det et strengt regelverk for medisinering, og det skal nå opprettes register for legemiddelbruk som letter tilsynet med bruken. Det er også slik at Mattilsynet har fokus på

En 21-åring stikker ham i ryggen med en 25 centimeter lang kjøkkenkniv helt til skaftet butter. Liggende på bakken blir Buskerud gjentatte ganger sparket brutalt i hodet før ungdomsgjengen forlater ham i grøftekanten, hjelpeløs og blødende. Noen timer senere blir han oppdaget liggende i en rundkjøring av en tilfeldig forbipasserende sjåfør. Dette er et av mange, svært tragiske eksempler på blind vold som vi kan lese om i avisene hver eneste dag. Svært mange i vårt samfunn blir utsatt for alvorlig vold, noe som i de fleste tilfeller kommer som lyn fra klar himmel. Det skjedde også i det eksempelet som jeg her har vist til. En voldsepisode som dette endrer folks liv totalt og gjør at de fleste får store sosiale og økonomiske problemer. Mange opplever at de ikke klarer å følge opp arbeidet, og familielivet går i oppløsning. Gjerningsmennene er ofte unge og totalt ute av stand til å gjøre opp for seg. I tillegg er straffenivået for slik kriminalitet i Norge for lavt. Resultatet er at det er voldsofferet som blir sittende igjen med regningen, dvs. et tapt liv og økonomisk ruin. I tilfellet til Tommy Buskerud ble gjerningsmannen som kjørte kniven i ryggen hans, straffet med ni måneders fengsel og dømt til å betale 30 000 kr i oppreisning. De to andre gjerningspersonene ble begge dømt til 15 dagers betinget fengsel og bøter på 3 000 kr. Jeg tror at de fleste i samfunnet vil urimelig. Det gjør i hvert fall jeg, og jeg håper også at statsråd Storberget er av den samme oppfatningen. I dag er Buskerud skilt og hundre prosent arbeidsufør. Daglig tar han syv til åtte reseptbelagte medikamenter mot sterke smerter for i det hele tatt å kunne komme seg ut av senga. Ofte holder han senga flere dager i strekk.

Fordi overfallet skjedde i 2000, kom han ikke inn under endringen som skjedde i voldsoffererstatningen fra 1. juli 2001, hvor høyeste erstatning er 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Han må klare seg med et beløp begrenset opp til 200 000 kr, mens de som ble utsatt for vold ett år etter, kan få en erstatning opp mot Dette viser noe av samfunnets mangel på sjenerøsitet overfor dem som blir utsatt for en annen av samfunnets mangler, nemlig mangelen på trygghet. Her burde vi som ansvarlige myndigheter vise en større grad av romslighet, slik at ved en regelverksendring som denne burde alle som etter endringen får avgjort sine saker, få den på det tidspunktet Burde erstatningen utmåles etter situasjonen og det regelverk som gjelder på det tidspunktet når saken er ferdig behandlet? Mitt svar på dette er ja. Voldsofre må vente lenge på å få utbetalt erstatning, bl.a. fordi det tar lang tid å få saken opp til behandling i domstolene og å få søknad ferdigbehandlet av Kontoret for voldsoffererstatning. I tillegg er det en stor svakhet at erstatningsbeløpet gjelder pr. sak og ikke for hvert enkelt voldsoffer. Dette bidrar til diskriminering av voldsofre, noe Fremskrittspartiet har påpekt i en merknad under Justisdepartementets budsjett for inneværende år. Mange voldsofre må legge ut store beløp på forhånd og sette seg i gjeld for å få midler til nødvendige medisiner og behandling. Inntekt bortfaller fordi man ikke lenger klarer å arbeide og blir gående på sosialstønad før man får innvilget søknad om uføretrygd. Den oppreisning man får fra overgriper og det offentlige, dekker ikke de utgifter man har hatt, og de man vil få i fremtiden. Voldsofferet er og blir taperen i systemet. Voldsutøveren slipper ofte unna bare med noen skraper i form av erstatning og lav fengselsstraff. Vi vet at behandlingen av disse sakene gjerne tar mange år. Derfor må det sørges for at saksbehandlingen kan gå raskere, og at de offentlige etater som er involvert i behandling av disse sakene, fungerer på en optimal måte. Vi har kommet i en situasjon med stadige regelendringer innenfor voldsoffererstatningsordningen ved at voldsofre blir behandlet svært ulikt, og det er uheldig i et samfunn hvor likebehandling ellers står sentralt. Jeg mener at det er positivt og riktig at nivået på voldsoffererstatningen har økt betydelig de siste år, men vi kan stille oss spørsmålet om erstatningen fortsatt er på et riktig nivå. Å verdsette prisen på et ødelagt liv er en vanskelig oppgave, men det er åpenbart at nivået fortsatt ligger for lavt. I tillegg må straffe- og erstatningsnivået betydelig opp, slik at gjerningspersonene må ta en større del av ansvaret for den ugjerning som er begått. Jeg er også informert om at ved mange anmeldelser for vold svikter ofte politiet i å informere om de rettigheter den voldsutsatte har, og om hvilket tilbud det offentlige har til voldsofre, herunder hvilke herunder hvilke rettigheter og muligheter som gjelder for å kunne søke om voldsoffererstatning. Jeg er kjent med at det er utarbeidet et veiledningshefte fra Kontoret for voldsoffererstatning, og at man kan benytte seg av nettsiden til Kontoret for voldsoffererstatning og også frivillige organisasjoner på dette området. Det er bra, men vi må likevel være klar over at det fortsatt ikke er alle i vårt samfunn som har like forutsetninger for å kunne finne ut av hvilke rettigheter de har, og muligheten til å kreve dem. Vi må jo være klar over at for personer som sliter med betydelige skader, både fysisk og psykisk, etter vold, er veiledning og bistand spesielt viktig. Jeg håper at statsråden overfor politi, helsevesen og andre som møter voldsofre tidlig, presiserer viktigheten av at disse får hjelp og veiledning for å kunne hevde sine rettigheter. Jeg ønsker med denne interpellasjonen og det jeg har sagt i dette innlegget, å sette situasjonen for voldsofre på og få debatt her i salen rundt dette temaet. Mitt spørsmål er: I hvilken grad er dette et tema som opptar statsråd Knut Storberget? Det vil vi få anledning til å få svar på umiddelbart – neste taler er statsråd Knut Storberget.

en veldig stor belastning. Det er derfor viktig for meg å styrke rettighetene og hjelpetilbudet til ofre og pårørende. Regjeringa har satt i verk en rekke tiltak for å ta vare på dem som er utsatt for eller er vitne til vold. Å bli offer for kriminalitet kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes helse, sjølbilde, trygghetsfølelse og livskvalitet. Kriminalitetsofre generelt fortjener å bli tatt mer på alvor. Deres stilling er derfor betraktelig styrket de senere årene, og særlig voldsofre har blitt gjenstand for økt oppmerksomhet innad i politiet og i hjelpeapparatet for øvrig. Fra 1. juli 2008 ble fornærmedes og etterlattes rettigheter styrket ved at flere fikk rett til bistandsadvokat. Det er nettopp for å ivareta interpellantens helt riktige påpekning; at mange av disse trenger hjelp for å Påtaleinstruksen er endret fra 1. november 2009 for å presisere fornærmedes og etterlattes rett til informasjon underveis i saken, og det er gjort store endringer i straffeprosessen for de fornærmede, som sammenholdt med at man har rett til bistandsadvokat, setter dem i en helt annen situasjon i dag enn den de hadde for bare få år siden. Dersom det oppnevnes bistandsadvokat, skal politiet oppnevne en egen kontaktperson, bl.a. for ofre for seksualforbrytelser, gjentatt eller grov vold i nære relasjoner, menneskehandel, overtredelse av kontaktforbud/besøksforbud og kjønnslemlestelse. Som også interpellanten var inne på, er det av Politidirektoratet og riksadvokaten høsten 2009 utarbeidet en brosjyre om «Fornærmedes og etterlattes rettigheter». Denne brosjyren gir en oversikt over de viktigste rettighetene til kriminalitetsofre. kriminalitetsofre. Den gir også opplysninger om kontaktinformasjon om aktører som gir bistand til dem som har vært utsatt for slik kriminalitet. På politiets hjemmeside – ikke bare på Voldsoffererstatningskontorets sider – vil man også kunne finne en mer omfattende oversikt over ulike rettigheter til kriminalitetsofre, med linker til øvrige aktører. Finansiert av Justisdepartementet har Juridisk Rådgivning for Kvinner, JURK, som for øvrig gjør en glitrende jobb, og Krisesentersekretariatet utarbeidet en brosjyre: «Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge». Denne brosjyren er oversatt til en rekke språk, inkludert blindeskrift, og kan lastes ned bl.a. fra politiets hjemmeside. Så er Støttetelefonen for kriminalitetsofre etablert, som er et grønt nummer, og tjenesten er et landsdekkende lavterskeltilbud for både menn og kvinner. kvinner. Støttetelefonen kan bidra til å hjelpe ofre både gjennom samtaler og gjennom informasjon om hvor veien videre kan gå. Den betjenes av erfarne rådgivere ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre og er åpen hver dag. Disse rådgivningskontorene finnes i dag – og det tilbudet har Regjeringa vært veldig opptatt av at vi skal få utvidet – i 14 byer, med god geografisk spredning, og jeg vet de gjør en utmerket jobb for mange, ikke bare med å finne rettigheter og få gjennomført rettigheter, men også med å gi praktisk støtte bl.a. gjennom den prosessen som folk skal gjennom. Disse kontorene er uvurderlige i det arbeidet vi nå gjør for å løfte ofres rettigheter og bedre deres situasjon. De kan også yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten, og de kan gi informasjon om gangen i straffesaker og gi I 2007 la Regjeringa fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt. Jeg legger ikke skjul på at det er et av de viktigste dokumenter jeg har vært med og legge fram. Planen skal gjennomføres i den perioden vi nå er inne i – 2008–2011 – og har bl.a. som mål at ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse, og at voldsspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren. voldsutøveren. Gjennom opprettelse av til nå seks Barnehus har Regjeringa sikret et mer helhetlig og bedre samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Barnehusene skal være et sentralt knutepunkt mellom offentlige instanser som har oppgaver knyttet til og ansvar for behandling av saker som gjelder vold og overgrep mot barn, og ikke bare det strafferettslige sporet. Vi vil derfor i år åpne ytterligere et Barnehus i Stavanger, og Ålesund står jo Jeg håper og tror at det hjelpetilbudet som er tilgjengelig i dag, og den oppmerksomheten politi og øvrige støtteapparat nå har på ivaretakelse av voldsofre, sikrer at den enkelte får god oppfølging. Jeg tror også at det er god og lett tilgjengelig informasjon om hvilke tilbud som finnes for å følge opp og hjelpe den enkelte videre – som jeg har vært inne på tidligere. Men jeg vil følge utviklingen nøye, for interpellanten har poenger med hensyn til de problemer mennesker har i en sårbar situasjon, for å ta del i det rettighetsbildet som omgir disse. Men det er grunn til å peke på at mye nå er gjort for å sikre at voldsofre ivaretas på en god måte hele veien. Så litt om nivået på voldsoffererstatningen. Regjeringa har jo ikke ligget på latsiden når det gjelder spørsmålet om å heve nivået på voldsoffererstatningen. Selv om et liv aldri vil la seg erstatte av penger, og en skade aldri vil bøtes fullt ut,

Det betyr at det økonomiske tapet den enkelte har lidd, i utgangspunktet skal erstattes fullt ut, likevel slik at det for voldsoffererstatningens del er satt en grense for hvor mye det offentlige skal dekke. Gjerningspersonen kan bli idømt ytterligere ansvar. For å bedre situasjonen for den voldsutsatte sjøl og etterlatte der erstatningen blir delt mellom flere, ble den øvre grensen for voldsoffererstatning doblet, fra 20 G til 40 G, for skadetilfeller inntruffet fra 1. januar 2009. Det er en betydelig økning. Dette har ført til at omtrent alle voldsutsatte fullt ut kan få dekket sitt økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av at de har blitt utsatt for vold, gjennom voldsoffererstatningen. Jeg har imidlertid registrert at noen voldsofre mener at de ikke har fått dekket hele tapet sitt. Dette kan henge sammen med at ikke hele tapet var Dersom skaden er blitt mer omfattende enn først antatt, kan det søkes om tilleggserstatning. Kontoret for voldsoffererstatning opplyser nå om dette i vedtakene sine. Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan hjelpe de ofrene som ønsker det, med å fremme en slik søknad. Så litt om problematikken rundt endringene som gjøres i denne lovgivningen. Det er helt riktig som interpellanten sier, at her har vi faktisk opplevd mange endringer i løpet av de siste årene, og jeg håper jo interpellanten legger merke til at det går i retning av mer erstatning og bedre erstatningsgrunnlag. Men det utfordrer oss ved at det i noen av disse sakene faktisk må settes en grense for når disse nye reglene skal begynne å gjelde. I 2001 ble Reglene ble nærmere knyttet opp mot de alminnelige reglene i skadeserstatningsloven, og den maksimale erstatningen ble økt fra 200 000 kr til 1 mill. kr – altså 20 G – og, som jeg sa i stad, til 40 G fra 1. januar 2009. Realiteten er altså at voldsofre ved lovfestingen ble gitt rett til betydelig mer erstatning for skadetilfeller inntruffet etter lovfestingen. Ett sted må lovgiver – og jeg oppfatter det slik at man

skadetilfeller. Mitt anliggende i dette er at voldsoffererstatningen i løpet av de siste årene er blitt betydelig bedre, og man har fått regler som gjør sitt til at man samtidig klarer ikke bare å gi større erstatning, men også favne en videre gruppe. Det at man f.eks. ga rettigheter til barn som har vært utsatt for vold i den forstand at man har vært vitne til vold, er veldig viktig. Det at man i debatten rundt voldsoffererstatning og voldslovbrudd som sådanne også har valgt å forlenge foreldelsesfristene særlig for barn som utsettes for seksuelle

som får livet sitt ødelagt helt uforskyldt av helt uforutsette hendelser. Der må vi som samfunn ta et felles ansvar, slik at disse kan få leve et så godt liv som det er mulig å gjøre etter en slik hendelse. Jeg registrerer at statsråden nevner en rekke ting som han mener at han har bidratt til. Det er positivt. Spørsmålet dreier seg om dette med regelverksendringer, for det er mange som har havnet på feil side av disse regelverksendringene. Når vi Når vi gjør denne typen endringer som har så stor betydning for folk, der beløpet først går fra 150 000 kr til 200 000 kr, men så et kjempehopp til 1,4 mill kr og så enda en dobling av det, er det klart at dette oppleves som svært urimelig for dem som har kommet på feil side. Det vurdere. Så er det dette som jeg også nevnte, at i saker hvor det er flere voldsofre involvert, gjelder erstatningsbeløpet pr. sak og ikke pr. person. Det er urimelig, i og med at det er personene som får livet sitt ødelagt, ikke en gruppe. Man behandles her som en gruppe og ikke som enkeltpersoner. Jeg skulle ønske at statsråden kunne være noe mer imøtekommende mot disse personene og vurdere en endring. Nå sier statsråden at han vurderer flere endringer i voldsoffererstatningsordningen, men han sier ikke noe om dette er et pågående arbeid i departementet, og om han planlegger å komme til Stortinget relativt raskt med endringer. Men han bør kunne svare på om disse punktene som jeg nå har påpekt, er noe han vil se på i den saken. Jeg tror nok at mange politistasjoner og kanskje også helsevesenet gjør ting med hensyn til veiledning her, men jeg skulle ønske at departementet bidrar til en skjerping av politiets veiledningsplikt når de får inn saker med

Hvis vi begir oss inn på en linje hvor alle endringer som gir mer rettigheter, mer velferd og flere økonomiske goder, automatisk skal ha full tilbakevirkende kraft, er jeg redd for at det vil være veldig vanskelig å få til de endringene, uansett hvem som måtte sitte i regjering. Realitetene melder seg fort da.

for når endringen gjelder fra. Når det gjelder spørsmålet om flere som er utsatt for vold, men blir behandlet som en gruppe, som interpellanten hevder, er nettopp et av de viktigste motivene for at vi har valgt å ta så store sprang i maksimalrammen for voldsoffererstatning, å imøtekomme den problemstillingen. Det at man nettopp åpner opp for, som jeg også sa i innlegget mitt, at man da får dobbelt så mye å rå over, bidrar til at flere og flere får fullt ut det man har krav på ut fra vanlige erstatningsrettslige betraktninger, ikke bare når det gjelder det økonomiske tapet, men også når det gjelder oppreisning. Så vil jeg også understreke, og det tror jeg kanskje særlig Fremskrittspartiet er enig i, at det også er viktig å påpeke den ansvarliges ansvar, slik at der hvor det er betalingsevne, bør man i veldig stor grad sikre at det er den som har begått udåden, som også må rette opp igjen skaden bl.a. ved å betale erstatning. Så vil jeg også peke på at ved siden av voldsoffererstatningsordningen må vi heller ikke glemme at de ordinære tiltakene bl.a. i helse- og sosialsektoren fortsatt gjelder, uten foreldelse og avgrensning, slik at folk skal kunne få hjelp. Vi kan ikke la hele livet og

det vært viktig at ofrene blir tatt på alvor og får den bistanden og oppreisningen som de har krav på. Jeg har lyst til å rose representanten Kielland Asmyhr for å reise en viktig interpellasjonsdebatt som også gir oss mulighet til å sette offeret i søkelyset. I Soria Moria-erklæringen lovte den rød-grønne regjeringen å bedre erstatningsordningene for volds- og kriminalitetsofre og deres pårørende. Og det er grunn til å understreke, som også statsråden har gjort, at mye er blitt gjort nettopp for å styrke ofrenes rettigheter. Voldsoffererstatningsordningen ble innført i 1976 som en billighetsordning og ble lovfestet i som en rettighetsordning. I 2007 ble utvidet rett til voldsoffererstatning vedtatt. Barn som er vitne til vold, etterlatte og søsken til drapsofre og mennesker som får personskade på grunn av alvorlige trusler, ble gitt rett til erstatning. Anmeldelseskravet ble liberalisert, og det ble innført en særskilt foreldelsesregel for barn og unge om at det alltid skal være tilstrekkelig at søknaden framsettes før skadelidte fyller barn som opplever at vold utøves i eget hjem, og at mor, far eller søsken blir slått eller truet, kan det ha store konsekvenser, og trygghet og tillit kan bli satt på en alvorlig prøve. Jeg er derfor særlig glad for at barns rettigheter er blitt styrket de siste årene. I evalueringer gjort av Justisdepartementet for å se hvordan voldsoffererstatningsloven fungerer i forhold til den tidligere forskriften, viser tallene at voldsofrenes stilling er blitt styrket etter lovfestingen i Innvilgningsprosenten har økt. Det samme gjelder gjennomsnittsutbetalinger og den totale utbetalingen etter ordningen. Det er positivt. Interpellanten er inne på nivået for voldsoffererstatningen, og jeg vil i likhet med justisministeren peke på at maksimumsbeløpet er doblet, fra 20 G til 40 G. Samtidig er vi smertelig klar over at en økonomisk erstatning for de overgrepene man har blitt utsatt for, ikke kan fjerne eller lege de smertene og lidelsene som et offer utsettes for. Men en økonomisk erstatning vil kunne bidra til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig for voldsofferet, og i det minste sørge for at ofrene ikke får en ekstra byrde med økonomiske bekymringer for framtiden. Det er viktig at saksbehandlingstiden i erstatningssaker er så kort som mulig. I 2007 ble det vedtatt tiltak som skulle få ned saksbehandlingstiden. Til tross for det er vi ikke på et tilfredsstillende nivå når det gjelder behandlingstid i dag, og det er derfor positivt at statsråden sier her i dag at han vil vurdere flere tiltak nettopp for å få en mer effektiv saksbehandling. Som interpellanten og statsråden har vært inne på, er det helt avgjørende at ofrene får informasjon om hvilke rettigheter og muligheter de har. Jeg er glad for at det har blitt satt i gang mange tiltak nettopp for å styrke informasjonen, og jeg håper at vi med denne debatten – og også senere – greier å ha et kontinuerlig fokus på voldsofrene og den erstatningen og støtten de får i etterkant av

Noe av det viktigste som har blitt endret, og som jeg vil ha enda mer trykk på, gjelder barn og det å bli utsatt for eller være vitne til vold i nære relasjoner. Man har sammenlignet hvordan det er for et barn å oppleve krig versus vold i nære relasjoner. Og det man ser, er at krig – det er fælt å si det – oppfattes nesten som mindre alvorlig, for da sitter man sammen i et bomberom og snakker om hva som har skjedd, mens hvis et barn har opplevd og vært vitne til vold i nære relasjoner, er barn så lojale at de kanskje ikke forteller om det. De sitter med det inne i seg selv. Det sier noe om det perspektivet vi må ha i forhold til barn som enten opplever overgrep eller vold eller er vitne til det, at de også er eksperter på å fortrenge det i veldig mange år. Derfor er Høyre veldig glad for at statsråden vil se ytterligere på foreldelsesreglene, for der får vi fortsatt veldig mange henvendelser. Det er viktig at vi i debatten ikke begynner å diskutere om det er 50 000, 100 000, 200 000 eller 250 000 kr som avgjør om man verdsetter mennesker eller ikke – akkurat på samme måte som ved rettferdsvederlagsordningen. Det dette i bunn og grunn handler om, er å bli sett og hørt og tatt på alvor. Veldig mange av de frustrasjonene som kommer, skyldes ikke nødvendigvis om man fikk 30 000 kr mer eller mindre, men det er følelsen av at hjelpeapparatet tar deg på alvor. Jeg er veldig glad for at statsråden, i likhet med interpellanten, legger an en veldig bred innfallsvinkel til dette, for vi har fortsatt store utfordringer i forhold til hvordan f.eks. Nav håndterer folk som av ulike grunner sliter med psyken sin i etterkant. Er det fordommer ute og går overfor folk som har vært utsatt for overgrep og vold – måten de håndterer hverdagen på? Er saksbehandlere i Nav i stand til å sette seg inn i den situasjonen man er i, med tanke på om man kanskje vurderer uførepensjon? Er Nav i stand til Er Nav i stand til å ta denne type ting på alvor? Og arbeidsgivere: For dem som har opplevd den type ting, er ikke det noe som blir borte med en voldsoffererstatning, det er noe man drar med seg hele livet, og da er spørsmålet om arbeidsgiver har en slik åpenhet overfor arbeidstakerne sine at vedkommende greier å inkludere folk på arbeidsplassen. Og i skolen: Hvordan er rutinene på skolen for å inkludere folk som har vært utsatt for vold og sett det? Er det mobbing? Er det åpenhet om det, slik at klassekamerater blir medspillere i stedet for motspillere? Barnevernet er ikke eksperter på vold, dessverre. Hadde det vært slik at barnevernet hadde fungert som det skulle, hadde vi antageligvis ikke hatt så mange søknader i etterkant om voldsoffererstatning som det man har. Dette er et veldig bredt bilde, men jeg oppfatter at statsråden og alle sammen på Stortinget er opptatt av at dette må vi gjøre noe med. Det er jo et godt utgangspunkt at vi ikke bruker dette unødvendig partipolitisk, men faktisk diskuterer bredden i det. Jeg har tenkt å ta opp et par punkter som ikke er blitt berørt om vold. Det ene er en veldig dagsaktuell sak. Det er ikke en sak som statsråden har konstitusjonelt ansvar for, men det er i nærheten av porteføljen, og det gjelder landets krisesentre. Det er veldig mange kommuner landets krisesentre. Det er veldig mange kommuner og krisesentre som er bekymret for den nye krisesenterloven og håndhevingen av den når man skal overføre ansvaret til kommunene. Krisesentre skal også legge til rette for å ta imot barn og voksne med en annen etnisk bakgrunn. Det er store utfordringer i forhold til økonomi, kompetanse og den problematikken. Så om ikke statsråden kommenterer det, håper jeg han tar med seg den bekymringen som nå kommer fra veldig mange kommuner, organisasjoner og krisesentre for at den overgangstiden man har, den overgangstiden man har, er bekymringsfull liten. Det har Høyre advart mot. Så til barnehusene. Det har vi diskutert mange ganger. Det er – skal vi si – et «ektefødt barn». Det er veldig mange fedre og mødre. I alle fall er det veldig mange som har bidratt på ulike måter – det er en storfamilie som har bidratt til barnehusene. Men statsråden må fortsette å holde

også samfunnet blir skadelidende. Det å være voldsoffer har selvsagt individuelle konsekvenser. Mange klarer seg helt fint, andre mister grepet totalt. Spennet er stort – helt fra å få hodepine som går over etter et par dager, til å bli invalid for resten av livet og bli avhengig av hjelp fra andre. Mange mister konsentrasjonsevnen, arbeidsevnen blir redusert og livskvaliteten går tapt. Også det at barn er vitne til vold vil kunne få store konsekvenser. Barnas oppvekst kan bli skadelidende, de kan miste mange muligheter i livet, noe som kan gi innvirkninger på deres framtid og muligheter til å få en god utdannelse og en lys framtid. Det er derfor ekstremt viktig at samfunnet tar vold på alvor. For oss i SV og Regjeringen er fire hovedområder viktige: Hvordan vi kan forebygge vold, hvordan vi kan etterforske vold og straffe vold, hvordan vi kan bryte voldsspiralen og hvordan vi kan støtte voldsofre. Det er viktig at det tidlig settes fokus på fredelig konfliktløsning versus voldsbruk når vi er uenige. I dag lærer vi våre barn i barnehagen om hvordan de skal sortere matrester fra plast. Vi mener det er minst like viktig at våre barn lærer å løse konflikter uten å bruke vold allerede i barnehagen og skolen. Jeg er meget glad for at Landsforeningen for Voldsofre reiser rundt på skoler osv. i Norge og driver med forebyggende informasjonsarbeid om vold og overgrep mot barn og unge. Jeg vil også trekke fram det viktige arbeidet som gjøres ved rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. Vi vet at det er en god del unge menn som blir utsatt for vold fra andre unge menn i Da er det viktig at vi begrenser tilgangen til alkohol. Det gjelder over det hele, men også skjenking av alkohol på utesteder må ses på. Regjeringen har nå hatt et forslag på høring om å innskrenke skjenketidene på utesteder. SV mener at det vil begrense voldsutøvelsen og frigjøre sårt tiltrengte politiressurser, som vil komme nettopp voldsofre til gode. Da kan politiet bruke ressursene til å etterforske raskere, slik at voldsofrene får hjelp og erstatning mye raskere enn i dag. Jeg håper at forslagsstillerne vil støtte dette forslaget når det kommer til Stortinget. Det å etterforske og straffe vold raskt har en betydning for å redusere omfanget av vold. Igjen vil jeg påpeke at vi fra Regjeringens side har styrket politiet, men det kan gjøres en enda bedre jobb her, og da vil bl.a. denne skjenkeforskriften komme til anvendelse. Denne regjeringen har satt vold og overgrep, og særlig vold i nære relasjoner, på dagsordenen. Når et menneske blir utsatt for vold, kan samfunnet dessverre ikke fjerne smerten og lidelsene. Samfunnet kan heller ikke erstatte en omsorgsperson eller en man er glad i. Samfunnet kan imidlertid stille opp for ofrene og for etterlatte, slik at de slipper å få økonomiske problemer i tillegg til vold og til savnet. Vi har utvidet ordningen med voldsoffererstatning, bl.a. ved at barn som er vitne til vold, etterlatte og søsken til drapsofre og mennesker som får personskade på grunn av alvorlige trusler, gis rett til voldsoffererstatning. Dette er en viktig endring. Trussel om vold kan gi alvorlig skade på barns psyke, helse og mentale utvikling. For et barn er f.eks. en trussel like farlig som selve Regjeringen har også doblet den øvre grensen for voldsoffererstatning fra 20 G til 40 G. Jeg er veldig glad for at vi har en statsråd som bruker så mye tid og engasjement på dette. Signalene er viktige.

Som flere har vært innom, kan det ikke understrekes sterkt nok hvor dype sår det setter og hvilke smertefulle minner det skaper hos barn. Altfor mange vil ha med seg dette som en tung byrde gjennom resten av livet, og ikke minst skaper det utrygghet i et barns liv at nærstående på denne måten blir utsatt for vold og overgrep. Voldsoffererstatningen løser i disse tilfellene i seg selv ikke den vanskelige situasjonen for de berørte barna, og den fjerner heller ikke den vonde opplevelsen som de har hatt. Men denne delen av voldsoffererstatningsloven er likevel viktig, fordi det etter Høyres mening er viktig at barna blir sett og hørt, og at vi fra samfunnets side tar dem på alvor. Videre er det også viktig, sett fra vårt synspunkt, at samfunnet med denne tilføyelsen i loven er pålagt å gi disse utsatte barna en oppfølging, og det stiller krav til Jeg vil også understreke at det er viktig, som en del av oppfølgingen av et barn som har opplevd vold mot nærstående, at man lærer at vold i seg selv ikke løser noen problemer, men at vold bare skaper nye problemer. Selv om erstatningen i seg selv ikke løser noen problemer, men at vold bare skaper nye problemer. Selv om erstatningen i seg selv ikke avhjelper barnas vanskelige opplevelser eller de dype og såre minnene de har skapt, er det etter vår mening likevel en plattform som er viktig for barn å ha for å bearbeide situasjonen og ikke minst for å komme videre i livet på en best mulig måte. I likhet med flere vil jeg takke interpellanten for å ha reist temaet til debatt, og jeg vil også takke statsråden for den han og hans departement har gjort for å sette dette viktige temaet inn i et system på en god måte. Voldsoffererstatning er måte. Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten til skadelidte etter straffbare handlinger som krenker livet, helsa eller friheten. Kjente eksempler på det er voldtekt og annen mishandling. Du kan få voldsoffererstatning selv om overgriper ikke straffes eller dømmes for voldtekten. Dette kan f.eks. være aktuelt der straffesaken henlegges fordi det ikke foreligger tilstrekkelig med Det stilles strengere krav til bevis i straffesak enn i erstatningssak. Det er grunnen til det. Man kan få erstatning selv om overgriper ikke er kjent. Det er her vi er inne på noe av sakens kjerne. For det er den som er utsatt for vold og har krav på voldsoffererstatning, som skal ha fokuset. Det er den personen som skal ha, i en økonomisk hjelp til å klare seg ut av den vanskelige situasjonen som da ofte oppstår. For at voldsoffererstatninga skal ha en optimal virkning, er det viktig at den er romslig og at den utbetales raskt. Det offentlige tar det ekstra ansvaret det er å sikre voldsofrene økonomisk sikkerhet for ekstra utlegg og kostnader, som for mange kan være umulig å klare uten en slik erstatning. Det er viktig at voldsoffererstatninga også jevner ut forskjellen mellom fattig og rik i slike situasjoner, og det må heller ikke bli sånn at det bare er de som har råd til spesielle og dyre forsikringer som klarer en sånn situasjon. Men raskere behandling, en bedre oppfølging og oppjustering av voldsoffererstatningas øvre grense for å kunne bruke dette i de aller mest kostnadskrevende tilfellene, tror jeg kan være nødvendig. En økning fra 20 til 40 ganger grunnbeløpet er bra, det skal Regjeringa ha skryt for. Men det finnes mange tilfeller der maksbeløpet likevel ikke dekker de livslange kostnadsøkninger som enkelte får. Dette, sammen med et enda sterkere fokus og en sterkere oppfølging av offeret, ikke bare av overgriper – selvfølgelig skal det også være noe fokus på overgriper for å unngå unngå gjentakelse – er også lønnsomt for samfunnet, i tillegg til å være viktig for den voldsutsatte. Som det er blitt sagt her tidligere, er opplevelsen av å bli tatt vare på og det å oppleve å motta sine rettigheter viktig for resten av livet for den det gjelder, sammen med raske behandlinger. Selvfølgelig må politiet gjøre ferdig sitt arbeid først. sitt arbeid først. En forhøyet erstatning for fremtidige tap, vil være et viktig verktøy for å bidra til færre nye mennesker på sosiale ytelser, trygd og annet. Så er det fokuset på barn. Mye er sagt her allerede. Barnehus er en utrolig viktig og riktig satsing. Der skal igjen sittende statsråd og regjering ha skryt, det er et veldig viktig område. område. De grep som er blitt gjort rundt voldsoffererstatning, tror jeg også det er enighet om i opposisjonen og regjering. Men jeg tror vi kan gjøre enda mer i retning av fokusering og på understøtting av voldsofre allerede i en veldig tidlig fase. Jeg tror det er bred enighet om at det både er mulig og nødvendig.

Det var det også i debatten i 2007, så det var for så vidt ikke overraskende. Dernest er jeg også veldig trygg på at den sittende justisminister er rette mann som til enhver tid har et våkent blikk på mulige endringer for å gjøre den loven enda bedre. Det er et stort engasjement for de svakeste i systemet vårt – når det kommer til justisfeltet – fra justisministeren, så det er jeg helt trygg på. Jeg mener at innfallsvinkelen til debatten rundt voldsoffererstatningsloven egentlig bør være, fra ethvert politisk parti på Stortinget, at det er så få som mulig som får ta del i å bruke den. Med det mener jeg at jo færre som bruker den, jo bedre arbeid gjør vi politisk. Det betyr at vi må forebygge volden, vi må hindre at 165 000 i 2011 blir ofre. Det må være den overordnede politiske målsetningen for ethvert parti. parti. Da stopper min ros, til f.eks. Fremskrittspartiet. Vi har nå gjennom år debattert hvordan vi skal straffe, hvordan vi skal bøte på skader. Der er Fremskrittspartiet ofte veldig aktivt, og gjerne av dem som vil ha de hardeste og lengste straffene og betale mest penger til de ofrene som har blitt utsatt for vold. for vold. Som sagt, er det for så vidt prisverdig. Men når det gjelder å hindre at mennesker blir ofre for vold, må jeg si at det som kommer fra Fremskrittspartiet, er til liten glede for de menneskene. I 2007 var det en rullering av ruspolitisk handlingsplan i Oslo kommune, bare for å ta ett eksempel. Slik som det ble sendt ut som høringsforslag, så det nærmest ut som en næringspolitisk plan som legger til rette for økt alkoholservering i byen. Planen ble av visepolitimester Roger Andresen, som svarte på vegne av Oslo politidistrikt, slaktet, vil jeg kalle det. Det var klare anbefalinger fra Oslo-politiet om en rekke punkter i planen som ble sendt ut på vegne av byrådet, om endringer som burde gjøres i planen for å hindre at vi fikk flere ofre enn høyst nødvendig – holdt jeg på å si – i Oslo by. Det med å ha offerperspektivet før det blir ofre, tror jeg også er veldig nyttig når man skal analysere hvordan man kan forebygge vold. Volden har mange ansikter. Noe av det vi hører mest om, er det som skjer i det offentlige rom, som man for så vidt med offentlige virkemidler kan ta tak i på en enkel måte – det er nettopp å tørre å ta debatten om hvordan man legger til rette for ruspåvirkning i det offentlige rom. Der mener jeg Fremskrittspartiet i stor grad svikter konsekvent og hele tiden. Det er en debatt man ikke vil gå inn i. Riktignok har man de siste årene endret noe politikk når det gjelder avgiftssiden på alkohol, man foreslår nå ikke like mye avgiftslette på alkoholen. Utover det er det fint lite. Det er et viktig perspektiv med hensyn til vold og ofre for vold at veldig mange av dem det vold og ofre for vold at veldig mange av dem det her gjelder, er de som ikke blir hørt, fordi det ikke blir utøvd vold mot dem i det offentlige rom. Man når ikke ut til dem, man får ikke tak i dem. De går hjemme og blir utsatt for vold dag etter dag. For veldig mange av disse kvinnene og barna er ikke voldsoffererstatningen en god løsning uansett, for veldig mange av disse kvinnene og barna vil kanskje ikke bryte forholdet, eller man tør ikke å bryte forholdet, man tør ikke å tilkjennegi at det er et problem. Også disse fortjener en oppmerksomhet fra alle politiske partier. Der mener jeg for så vidt at Fremskrittspartiet har en noe pussig tilnærming. Det kom for så vidt godt til uttrykk i forrige uke da Fremskrittspartiet igjen hadde stort fokus på ofre for overfallsvoldtekter, hvor menn med utenlandsk opprinnelse var gjerningsmenn.

Neste taler er

på dette området skal ha en offensiv politikk, og vi skal ha gode, romslige ordninger som gjør at voldsofre kan få leve et så godt liv som mulig etter at de helt uforskyldt har blitt utsatt for vold. Jeg har imidlertid i denne debatten satt fokus på noen punkter som jeg håper statsråden vil ta med seg tilbake til departementet og ta med som momenter i de vurderingene som han åpenbart nå tydeligvis gjør med tanke på å komme med ytterligere endringer i ordningen. Jeg nevner situasjonen for dem som er utsatt for regelverksendringer. Dette gjelder ikke saker som er avgjort. Dette gjelder for Dette gjelder ikke saker som er avgjort. Dette gjelder for dem som har blitt utsatt for vold på ett tidspunkt, så skjer endringen før de får sin sak avgjort. Det er der urimeligheten er. Saker som er ferdigbehandlet, er selvfølgelig ferdigbehandlet. Det andre er urimeligheten i at erstatningsbeløpet gjelder pr. sak og ikke pr. voldsoffer. Vi kan her tenke oss eksempler hvor det er mange voldsofre i samme sak, hvor erstatningsbeløpet, selv med dagens nivå, kan bli relativt lite i forhold til det som er behovet. behovet. Så nevnte statsråden noe som jeg er helt enig i, at der gjerningspersonene kan gjøre opp for seg, er det viktig at de gjør det og tar sin del av regningen. Men da må vi som lovgivere sørge for at domstolene gjør sin jobb når det gjelder å utmåle erstatninger som folk oppfatter som rimelige. Vi må ha en skjerping av politiets – og antakeligvis også helsevesenets – veiledningsplikt overfor voldsofre, og vi må se på om nivået på erstatningen er høyt nok. Representanten André Oktay Dahl hadde et godt poeng med hensyn til andre offentlige etaters behandling av disse personene. Representanten Breen kom inn på temaer her som kan bidra til en stor debatt i seg selv, men jeg tror at representanten Breen, som statsråden, har registrert at det er Fremskrittspartiet som har den mest offensive justispolitikken i denne

særlig for de mindreårige. Så jeg må si at hvis vi virkelig ønsker å ta et tak for dem som utsettes for kriminalitet, er det denne type debatt som trengs, og det er derfor jeg er lydhør. Det er også derfor jeg mener at det interpellanten tar opp – og jeg mener at det er en god sondring han gjør i sitt avslutningsinnlegg – at de avgjorte sakene må vi la ligge, men vi må ha en diskusjon om dem som er til behandling, behandling, er et godt poeng. Det er et godt innspill som jeg skal ta med meg, og også de øvrige punkter som han tar opp. Det er viktig. Samtidig vil jeg påpeke at det som representanten Oktay Dahl peker på, om krisesentrenes videre skjebne, fortjener oppmerksomhet fra flere statsråder enn den som er konstitusjonelt ansvarlig. Det er ikke for ingenting at Justisdepartementet har vært svært opptatt av av at vi skal få lovfestet krisesentertilbudet, og at vi skal få den finansieringsordningen som nå ligger der, og som er mye bedre enn det vi har hatt før. Men det er ikke bare fordi vi ser at vi oppdager mer av kriminaliteten ved at krisesentrene kommer tidlig på banen – det er jo viktige steder hvor bevis faktisk samles – men selvfølgelig for at vi skal få et sivilt spor, hvor folk skal få hjelp, uansett hvordan det går med straffedommen, uansett hvor lang straffen blir. så er det gjort. Det er egentlig svært spennende eksperimenter vi gjør for å få mer sivilt spor inn i strafferettspleien, så det skal følges nøye. Jeg takker derfor for debatten. Jeg mener at vi trenger denne debatten, og jeg mener også det ut fra denne debatten er absolutt grunnlag for å se på mulige forbedringer i ordningene. Det vil vi gjøre. gjøre. Jeg mener også at debatten har bidratt til at vi har stiftet bekjentskap med både dilemmaer og begrensninger i den ordningen vi har. Men det som må være konklusjonen, er at her er det utålmodighet hos oss alle. Dermed er debatten i sak nr. 9 avsluttet.
13. november 2009 streiket de ansatte i kriminalomsorgen for å markere sin misnøye. De pekte på at hver fjerde tjenestemann i fengslene ikke har etatsutdanning, og at opptaket til etatsutdanningen i realiteten er redusert i forhold til behovet. Høyre frykter, i likhet med dem, at soningskøene om at sikkerheten rundt ansatte og innsatte reduseres, og at varetektskapasiteten – til tross for åpningen av Halden fengsel, som vi alle er for – fortsatt vil være krevende. I

Denne interpellasjonen er ikke reist fordi Høyre er imot alle statsrådens tanker om kriminalomsorgen, men fordi veldig mange av de tankene som vi står sammen om, ikke ser ut til å bli realisert i forhold til noen av de store ordene vi ser i en del pressemeldinger og medieinnslag sammenlignet med hvordan en del mennesker opplever situasjonen ute i Det er behov for å ta denne diskusjonen inn i stortingssalen, da det er lite tilfredsstillende at Stortinget som organ vet mindre og mindre om hva som egentlig skjer. En del spørsmål man tar opp, blir regnet som svartmaling, og man hensettes på mange måter utelukkende til å forholde seg til informasjon som minner litt mer om kampanjenotat. Justisministeren hadde et viktig mål. Det var å fjerne soningskøene. Han har også ved gjentatte anledninger fremhevet denne regjeringens fremragende måloppnåelse innenfor kriminalomsorgen: Kriminalomsorgen har vært satset på og har levert. Spørsmålet nå er til hvilken pris, og hva man har levert. Kriminalomsorgens Yrkesforbund beskriver situasjonen på følgende måte i innlegg i ulike media og i sitt eget KY-blad: «Det er riktig at Kriminalomsorgen har levert. Statsråden har kynisk utnyttet Kriminalomsorgens tilsatte for å oppnå egne politiske målsetninger. Lojalt og med engasjement har de tilsatte jobbet dugnad i håp om at de har bidratt til et bedre og tryggere samfunn, og i håp om å få en bedre arbeidshverdag. De har akseptert å jobbe gratis, de har akseptert å jobbe underbemannet, de har akseptert å jobbe med ufaglærte, de har akseptert å jobbe i gamle bygg som er helsefarlige, de har akseptert et arbeidsmiljø som ligger langt under den standard som en kan forvente De fengselstilsatte er stolte av jobben sin, de setter samfunnets trygghet foran egen velferd, de tilsatte ønsker av hele sitt hjerte å levere god Kriminalomsorg til det beste for samfunnet. Storberget har i sin regjeringsperiode brukt Kriminalomsorgen til å gamble med samfunnets trygghet. Kriminalomsorgen er blitt bedt om å ta større og flere sjanser i forhold til å overføre innsatte i dag antallet ufaglærte og vikarer urovekkende høyt. Grunnen må antas å være tosidig, tilgjengelighet på faglærte fengselsbetjenter og lønnsforskjellen mellom faglært og ufaglært. Per i dag vil en anstalt kunne spare vesentlige lønnsmidler ved å bruke flest mulig ufaglærte. Artikkelen fortsetter slik: «Statsråden er skyldig i århundrets profesjonsdrap! Nå har dagen derpå kommet. Prisen for enkle løsninger er i ferd med å bli høy. Vi har tidenes største varetektsinnsettelser og vi ligger godt an til å bygge en ny soningskø. Med fengsler som er i ferd med å bryte sammen på grunn av manglende vedlikehold, et mer effektiv og tallmessig politi, bedre teknologi, mer internasjonal kriminalitet, for få fagutdannede tilsatte i fengslene, opptak av for få aspiranter på fengselsskolen og en ubalanse i straffesakskjeden vil nok denne realiteten komme tilbake til statsråden som en bumerang Denne gangen må statsråden stå alene. Han må selv forklare samfunnet hvorfor han ikke klarer å se lenger enn i et fireårsperspektiv.» Dette er selvfølgelig formulert av en ansatteorganisasjon, men stort klarere kan det ikke uttrykkes hvilken situasjon man nå opplever at det er i store deler av kriminalomsorgen. LO-forbundet Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, NFF, skriver på sin side et notat fra forbundsleder Bjørkli til de regionale og lokale tillitsvalgte i NFF følgende: NFF «ønsker at aktiviteten reduseres i 2010. Det er særlig ønskelig at prioritering av programmer trappes kraftig ned eller legges ned midlertidig, og at også arbeidet med framtidsplaner, individuell kartlegging og kontaktbetjentordningen reduseres da individuell kontakt er

Det er viktig at disse forslagene kommer med . Det er beklagelig, men helt nødvendig at forbundet nå må ta til orde for at den faglige utvikling på grunn av manglende finansiering, må bremses. Det bør være kjent at vårt mål er det motsatte, nemlig at kriminalomsorgen utvikler og styrker faglig arbeid i forhold til innsatte og klienter. Vi har forståelse for at alle våre medlemmer som for eks arbeider med programvirksomhet, spør om forbundet er mot faglig arbeid. Svaret er nei, men vi mener kriminalomsorgen må ta konsekvensen av politikernes vilje til å betale for sine bestillinger.» Dette er en ganske alvorlig beskrivelse. NFF sier at kriminalomsorgen er i en krise. Spørsmålet til et samlet storting, en flertallsregjering og en statsråd er da: Hva gjør man nå, ikke minst hvis felles mål i kriminalomsorgsmeldingen skal nås? Den 13. november 2009 streiket de ansatte i kriminalomsorgen for å markere sin misnøye. De pekte på at hver fjerde tjenestemann i fengslene ikke har etatsutdanning, og at opptaket til etatsutdanningen i realiteten er redusert i forhold til behovet. Høyre frykter, i likhet med dem, at soningskøene om kort tid begynner å øke igjen, at sikkerheten rundt ansatte og innsatte reduseres, og at varetektskapasiteten – til tross for åpningen av Halden fengsel, som vi alle er for – fortsatt vil være krevende. I tillegg føler mange av de frivillige på feltet at de ikke får støtte eller goodwill som korresponderer med festtalene, f.eks. Røde Kors’ nettverksgruppe. I saken om Skien fengsel, hvor TV 2 kom inn i det aller helligste med våpen, så vi hvordan ting varsles, men blir sett bort fra i fem år når det gjelder de ansattes sikkerhet. Flere og tyngre kriminelle med utenlandsk bakgrunn skaper en mer utrygg hverdag. Narkotikaen flommer i f.eks. Bjørgvin fengsel.

til bruk av narkotika i selve fengselet. Dette fengselet ble åpnet som et ledd i å fjerne soningskøene og – spørsmålet her – til hvilken pris? Summa summarum: Hvorledes vurderer statsråden situasjonen i kriminalomsorgen, på bakgrunn av de ansattes og befolkningens bekymringer når det gjelder behovet for trygghet – som jeg her har redegjort for – og behovet for en bedre balanse i Fra den Høyre-dominerte Bondevik II-regjeringa overtok vi en justissektor med betydelig ubalanse i straffesakskjeden og en svært lang soningskø. Da den rød-grønne regjeringa tok over, var mangelen på varetekts- og soningsplasser i kriminalomsorgen den største utfordringen vi sto overfor. Soningskøen hadde allerede forsterket problemet med gjengangerkriminelle og organisert kriminalitet, minsket straffens forebyggende virkning og svekket tilliten til kriminalpolitikken og straffesystemet. Fornærmede for kriminalitet fortjener bedre og raskere reaksjon, og Regjeringa tok derfor straks tak i situasjonen. For å fjerne soningskøen og samtidig sørge for bedre innhold i soningen utarbeidet Justisdepartementet våren 2006 en svært ambisiøs plan for avvikling av Planen inneholdt flere fengselsplasser, tiltak for bedre kapasitetsutnyttelse, mer bruk av alternative straffereaksjoner og utvidet bruk av samfunnsstraff. Planen er fulgt opp, både i Regjeringas budsjettforslag og i lovforslag som Stortinget i veldig stor grad har sluttet seg til. Etter å ha bygget nær 400 nye fengselsplasser, bygget Halden fengsel med ytterligere 251 fengselsplasser – som skal åpnes offisielt innført elektronisk hjemmesoning med en kapasitet tilsvarende 150 fengselsplasser, økt bruken av straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon etter § 12 og styrket friomsorgskontorene betydelig er soningskøene nå langt på vei avviklet. Jeg minner om at vi overtok i en situasjon hvor nærmere 2 900 mennesker overhodet ikke var i noen soningsanstalt, men sto i kø ute i samfunnet, ruset eller ikke ruset. Siden kriminalomsorg er god kriminalitetsbekjempelse, er det viktig at vi forbedrer innholdet i soningen. Over 60 pst. sliter bl.a. med et betydelig rusproblem. Derfor er bevilgningene – som er vedtatt enstemmig i Stortinget, så vidt jeg erindrer – til undervisning, bibliotek, pressetjeneste og helsetjeneste så viktige. Bevilgningene er økt med nærmere 80 mill. kr siden regjeringsskiftet, nettopp for å styrke innhold og utdanningstilbud i alle landets fengsler. Alle fengsler med mer enn 25 innsatte har f.eks. fått eget bibliotek eller fullgode bibliotektjenester. Man har fått undervisningstilbud. Vi har også økt innsatsen når det gjelder bolig, ved at man nå får boligkonsulenter inn i fengslene, og slik sikrer løslatte bolig. Man bringer Nav inn i fengslene på en veldig spennende måte, noe som gjør sitt til at man også kan sikre løslatte arbeid.

Vedlikeholdte lokaler er viktig for straffegjennomføringen, men det er altså grunn til å peke på at det i norske fengsler har bygget seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep. Nå har altså Statsbygg, som en profesjonell eiendomsforvalter, overtatt de statlige fengselseiendommene i 2009, og vedlikeholdsinnsatsen er styrket med 78 mill. kr – jeg gjentar: 78 mill. kr. I tillegg ble det i 2009 som ledd i Regjeringas tiltakspakke, bevilget 150 mill. kr til vedlikeholdstiltak og modernisering ved en rekke fengsler. Hvis man – slik jeg hørte representanten Dahl refererte til – framstiller det som om man nå er i en situasjon der man ikke satser på vedlikehold, ja, da må man rett og slett studere nærmere hva som faktisk skjer. Å vinne kampen mot rusavhengighet er tvingende nødvendig for et bedre liv etter soning. Det forebygger ny kriminalitet, og det gjør samfunnet tryggere. Siden vi tok over, er det etablert rusmestringsenheter i ni fengsler, hvor innsatte med rusproblemer får et tverrfaglig rehabiliteringstilbud for sine problemer. I 2010 kommer nye enheter i to fengsler. Med Stifinnerprosjektet ved Bredtveit fengsel har kvinnene fått et tilsvarende tilbud som i en årrekke har vært gitt menn i Oslo fengsel. Hvis man ikke ser

Til tross for at kriminalomsorgens driftsbudsjett ble styrket med 7 mill. kr i budsjettet for 2006, 15 mill. kr til friomsorg i 2007 og 20 mill. kr i 2008, har køavviklingsarbeidet medført en presset arbeidssituasjon for kriminalomsorgens tilsatte. Fengslene har hatt, og har fortsatt, et svært høyt belegg. Politiet gjør en bedre og bedre jobb. Det har vært nødvendig for å kunne avvikle Målet er å redusere belegget til 90 pst., noe som vil gi kriminalomsorgen bedre muligheter til å arbeide med rehabilitering. Et redusert belegg vil også trygge arbeidssituasjonen og gi ansatte bedre tid til de innsatte. Jeg er opptatt av at det skal være tilstrekkelig og riktig sammensetning av bemanningen i alle fengsler og friomsorgskontor i kriminalomsorgen, både fengselsbetjenter og personell med annen relevant utdanning. Det at man bringer inn nye yrkesgrupper, er jo av noen blitt framstilt som om man plutselig er ufaglært det vil jeg ta avstand fra. Vi har valgt å satse på økte opptak ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS. Mens opptaket til KRUS i 2005 var på 100 aspiranter, har vi økt opptaket til ca. 200 aspiranter i 2006, 200 aspiranter i 2007, 250 aspiranter i 2008 og 170 i januar 2009. For å dekke opp frafall ble det 1. september 2009 i tillegg tatt opp 25 aspiranter ved et desentralisert opptak i Bergen. For å møte de ulike behovene har KRUS rekruttert aspiranter med lokal tilknytning til områder og fengsler der behovet for nye betjenter er størst. størst. I tillegg til opptaket i Bergen høsten 2009 har det vært gjennomført desentraliserte undervisningsopplegg ved fengslene i Kongsvinger, Åna, Ravneberget og Vadsø/Tromsø. Til tross for ca. 450 nye årsverk i kriminalomsorgen i perioden 2005–2009 har vi likevel fortsatt behov for mer kvalifisert personell. Som lovet i den nye politiske plattformen for flertallsregjeringa, har Justisdepartementet igangsatt arbeidet med en kompetanse- og bemanningsgjennomgang i kriminalomsorgen for å bedre straffens innhold. Gjennomgangen vil inneholde en analyse av forventet avgang av personell og årsaker til dette, nåværende og framtidig kompetansebehov og kompetansesammensetning i kriminalomsorgen, og en gjennomgang av disse forholdene sett i forhold til utdanningskapasiteten ved KRUS. Så vil jeg peke på at bruken av varetekt siden høsten 2009 har økt betydelig. betydelig. Det har hittil i år gjennomsnittlig vært 955 varetektsinnsatte i norske fengsler, mot 799 i 2009 og 730 i 2008. Per 1. mars i år var det 1 007 varetektsinnsatte i norske fengsler. Det er et stort tall – politiet leverer godt. Det er en utfordring for oss. Vi ser derfor nå på ytterligere kapasitetsutvidelse. Jeg er glad for at vi skal åpne Halden Men jeg minner samtidig om at det er ingen av opposisjonens partier som har lagt inn penger til ytterligere fengselsplasser i sine alternative budsjetter. Her har vi alle i felleskap en utfordring. Jeg er overbevist om at vi har mer kapasitet å hente, og at vi også skal få til det for framtida. Det viktige nå er at vi får åpnet Halden fengsel. Det er en investering på over 1,3 milliarder Det er denne regjeringa som har valgt å bruke så mye penger på dette anlegget. Vi mener det er viktig av to grunner: For det første gir det oss 251 plasser. For det andre – og jeg er helt enig med interpellanten – er det viktig at vi samtidig også klarer å tenke innhold i soningen. Den koblingen vi gjør i Halden, ved å trekke inn bl.a. flere aktører, er helt avgjørende. Jeg må si at jeg misliker svært mye av den framstillingen som skjer av Halden fengsel ute i media – lettvinte utspill som ikke bidrar til at vi får redusert kvalitet. Jeg vil gi honnør til Høyre som har stått fast ved sine tidligere vedtak og sin holdning til kriminalomsorg, og som også forsvarer denne investeringen. Jeg tror den er viktig for å få ned kriminaliteten, men den er ikke minst viktig økt kapasitet i kriminalomsorgen – både nye plasser og også det å kunne tenke alternativt – for den store gruppen som sitter i norske fengsler, som sitter der gjerne for veldig korte dommer, som har betydelige ville kunne fått langt bedre rehabilitering ved å sone alternativt. Det vil gi mindre kriminalitet og mer trygghet, men det vil også bidra til at kapasiteten i større grad kan vris over for å dekke nettopp det økte varetektsbehovet vi nå står

Det er heftig kost. Høyre sluker ikke alt hva en organisasjon sier, men jeg har lyst til å være veldig kort og konkretisere det jeg lurer på. Det er: Tar, ifølge statsråden, de ansatte og deres organisasjoner feil, og i tilfelle hva helt konkret er feil i deres beskrivelse? De sier at døren er lukket, og «denne gangen må statsråden stå alene».

i nærheten av det som er virkeligheten der ute, som de ansattes organisasjoner opplever. Så kan det være at de smører på litt, men dette er så pass klare og krasse ord at spørsmålet er rett og slett: Hva er det de ansatte og deres organisasjoner KY og LO-forbundet NFF tar feil i? Og konkretiser hvor de tar

I den grad organisasjoner eller andre påstår at man har valgt å redusere tilskuddene til kriminalomsorgen, tar de feil. De er økt betydelig. I den grad organisasjoner eller personer påstår at man har redusert antall ansatte i kriminalomsorgen, både de fagutdannede og de ufaglærte, tar man feil. I den grad ansatte eller organisasjoner påstår at man ikke satser på å utdanne flere innenfor kriminalomsorgen, tar man feil. Tallenes tale er veldig tydelig. I den grad man – og som jeg også fikk referert – påstår at man nå ikke satser på vedlikehold, tar man feil. Vi kan bare reise rundt til fengslene og se hva som faktisk skjer. Da KY og NFF og andre var veldig opptatt av at man f.eks. skulle fjerne firemannsrommene i Åna

så mye som vi har gjort ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Så skal jeg være den første til å medgi at vi må alle være åpne for at man kan være uenig i volum og si at vi vil ha mer av det samme. Det er en del av politikken. Men det fins grenser for språkbruk. Jeg tror ikke det bidrar til å gjøre politikken på dette området bedre ved å føre den slags argumenter i

2005. Det var virkelig ingen hyggelig arv vi tok over etter fire år med borgerlig styre. Det sto nesten 3 000 straffedømte i soningskø. Det skapte mye frustrasjon, frustrasjon blant de ansatte i kriminalomsorgen, som aldri følte de hadde hodet over vannet, frustrasjon hos de straffedømte, som måtte gå med en usikkerhet for når de kunne sone, gjøre opp for seg og komme seg videre i livet som lovlydige borgere, og frustrasjon hos ofre, som visste at gjerningspersonene Vi har tidligere i dag diskutert voldsoffererstatning. I tillegg til økonomisk erstatning fortjener faktisk ofrene at gjerningsmannen blir dømt, får rask reaksjon og må sone med en gang. Lange soningskøer var en stor utfordring som justisministeren heldigvis tok på strak arm. Det ble tatt et skikkelig krafttak for å fjerne køen inn i fengslene. 400 nye fengselsplasser, flere på plass på skolebenken ved Fengselsskolen og alternative soningsformer ble tatt i bruk, og bevilgningene til kriminalomsorgen har økt. Det er klart at det har men det har vært viktig, og det har vært helt riktig. Så må vi nok også her i dag ta inn over oss at det har kostet også for alle dem som hver eneste dag gjør en viktig jobb i kriminalomsorgen. Det er på sin plass her i dag å gi en stor honnør til alle de dyktige, engasjerte og samvittighetsfulle ansatte. Jeg har selv vært i mange fengsler de siste månedene og møtt ansatte som forteller om en hektisk hverdag, og ansatte som er urolige fordi de ikke får gjort godt nok arbeid i forhold til rehabilitering. Jeg deler, et stykke på vei i hvert fall, den bekymringen interpellanten og de ansatte i kriminalomsorgen har, for det er ingen tvil om at belegget er for høyt i dag. Målet vårt er derfor også å redusere belegget til Da vil de ansatte settes bedre i stand til å jobbe med rehabilitering, og det blir mer sikkerhet og bedre tid. Så har vi utfordringer når det gjelder varetakt. Men det er god grunn i dag til å minne om at da vi behandlet statsbudsjettet for ikke så lang tid tilbake, var det ingen partier som foreslo en eneste krone mer til flere fengselsplasser. Så der har vi en felles utfordring. La om Fremskrittspartiet hadde vært det største partiet i en regjering dersom de rød-grønne hadde tapt valget. Med et fremskrittsparti som er mer opptatt av lengre straffer enn straffer som faktisk fungerer, som er imot eller i beste fall skeptisk til alternative soningsformer, og, som flere har vært inne på i dag, som ville ført en

Og det handler jo om at vi er opptatt av at de ansatte i kriminalomsorgen skal ha den rette og best egnede kompetansen for å gjennomføre straff som virker. For å forsikre oss om det er det nå satt i gang en nødvendig og helhetlig gjennomgang av kompetansen i kriminalomsorgen. Det er bra at departementet har satt i gang utredningsarbeid som skal redegjøre både for dagens situasjon og behovet for kompetanse inn i framtiden. Det arbeidet er godt i gang, og i god arbeiderpartiånd skal vi også ta de ansattes fagforeninger med i prosessen. Denne regjeringen tok over en kriminalomsorg som på ingen måte var et glansbilde. Vi har fjernet soningskøen, men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene av den grunn. Vår ambisjon er å fjerne køen tilbake til samfunnet. Da må vi forebygge mer, og vi må rehabilitere bedre. Derfor har den rød-grønne regjeringen satset på alternative soningsformer, ikke først og fremst for å avlaste fengslene, men fordi vi vet at det fungerer. Derfor har vi satt i gang med utdanningstilbud og rusmestringsenheter, fordi det gir den innsatte bedre verktøy til å mestre et liv som lovlydig borger. Derfor er det ansatt boligkonsulenter i fengslene, fordi vi vet det er helt kritisk hvis ikke den innsatte får et sted å bo når soningen er fullført. Derfor er det også viktig at tilbakeføringsgarantien innføres for å sikre at vi greier å fjerne køen tilbake til samfunnet. Det er både samfunnet, ofrene og de straffedømte best tjent med. Det er

Det blir stadig flere fra det organiserte kriminelle miljøet som ikke skyr noen midler for å oppnå noe de ønsker, selv om de sitter i fengsel. Det forundrer meg at dette i seg selv ikke får en del varselklokker til å ringe, hvis de ansattes og innsattes sikkerhet er viktig. Det er også en annen ting som forundrer meg. Politiet fikk i 2010 et stort budsjettmessig løft, i hvert fall på papiret. Intensjonen med dette såkalte løftet var å gjøre politiet i bedre stand til å utføre sine oppgaver. Flere kriminelle skulle tas. Det vil si at flere saker skulle etterforskes, flere skulle dømmes, og flere skulle havne i fengsel for sine forbrytelser. Denne effekten har i stor grad uteblitt. Det store økonomiske løftet ble spist opp av en lønns- og prisøkning som ikke ble kompensert fullt ut, det var videreføring av igangsatte prosjekter, arbeidstidsbestemmelser, IKT-investeringer og andre nødvendige investeringer som gikk på beskostning av daglig operativt arbeid. Det vi nå ser, er, som sagt, at virkningen etter tidenes løft for politiet ikke har blitt slik vi ble forespeilet. Det har ikke blitt etterforsket flere saker, det har ikke blitt brakt mange flere inn til domstolene, og det har ikke blitt mange flere i fengslene.

I og med at politiet fikk dette såkalte løftet som skulle føre til flere arresterte, dømte og fengslede, og den økonomiske og bemanningsmessige situasjonen er som den er i domstolene og kriminalomsorgen, hvorfor ble det verken bevilget større økonomiske ressurser eller lagt klare opptrappingsplaner for domstolene og kriminalomsorgen, slik at vi kunne ta imot denne økte veksten av siktede og dømte som var forventet? Det er fristende å påstå at regjering og statsråd visste at det ikke ville bli noe press verken på domstoler eller kriminalomsorg. De visste kanskje at dette såkalte økonomiske løftet ikke var noe reelt løft, men en illusjon. For i og med at man visste at denne skapte illusjonen ikke ville føre til flere dømte og fengslede, var det heller ikke nødvendig å bevilge økte ressurser til verken domstoler eller kriminalomsorg. Jeg håper jeg tar feil i mine vidløftige tanker. Men

Et godt eksempel på dette er bygging av sikkerhetssluse ved fengslet i Skien, slik at både ansatte og innsatte ikke behøver å leve i frykt for at væpnede kriminelle kommer inn i fengslet på en lett måte, slik de kan i dag. Til slutt må jeg få lov til å håpe at statsråden har lagt merke til at jeg i mitt innlegg ikke har nevnt noen ting

fordi det er viktig for hele kriminalitetsbekjempelsen. Vi opplever altså en diskusjon knyttet til kriminalomsorgen, som interpellanten påpeker det er viktig for oss som beslutningsorgan å få mer innsyn i. Vi opplever en diskusjon f.eks. knyttet til bruken av ufaglærte i fengslene og ved soningsstedene. Vi opplever en situasjon hvor varetektsplassene er under et meget sterkt press – for å si det mildt – med de konsekvenser det får for de Vi opplever også fra tid til annen en diskusjon om fangesammensetningen, de ulike kategoriene fanger, og at det også kan være med på å øke presset på bemanning og sikkerhet. I det siste har vi også sett situasjoner knyttet til vakthold og sikring av spesielt ett fengsel, noe det også er viktig for Stortinget å gå nærmere inn på.

2: Er det behov for å øke ressursinnsatsen – er det det eneste svaret? Spørsmål 3: Eller er situasjonen den at vi har et nullalternativ, at alt er såre vel, og at vi ikke trenger å gjøre noen ting, men fortsette som før? Dette synes jeg er viktige spørsmål å få avklart for oss som storting.
Neste taler er Øyvind Håbrekke. Representanten

slik den daværende justisministeren skriver i sine memoarer. Det var ingen friske penger, skriver Odd Einar Dørum i sine memoarer. Det var ingen friske tanker – kan jeg legge til. Det var imidlertid lange soningskøer. Denne regjeringen har igjen satt kriminalomsorgen på kartet. Vi har bygget nær 400 nye fengselsplasser, bygget Halden fengsel med ytterligere 251 fengselsplasser, vi har innført elektronisk hjemmesoning, noe som tilsvarer 150 fengselsplasser, vi har økt bruken av straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon etter § 12, og vi har styrket friomsorgskontorene. Soningskøene er nå langt på vei avviklet. Det er noe Høyre ikke kunne drømme om i sin tid. Men det er bra med engasjement fra Høyre i partiets opposisjonstilværelse. I vår tid har vi virkelig kjørt hardt på, både for å sørge for at de som skal sone, skal sone fortest mulig fordi det er viktig og riktig for folks rettsoppfatning, og fordi det er riktig for den domfelte å bli ferdig med sin straff og komme videre i livet. Vi har i tillegg satset på at de innsatte skal få gode rehabiliteringsmuligheter. For SV er det veldig viktig at vi som samfunn gjør alt vi kan for at domfelte blir bedre samfunnsborgere når de kommer ut av fengslene, enn da de kom inn. Det er da vi oppnår målet med frihetsberøvelsen. Og det er dét samfunnet først og fremst bør være opptatt av, selv om jeg må skynde meg å legge til at har du brutt loven, så skal du ta konsekvensen av det. Samfunnet må legge til rette for at de innsatte blir rusfrie, tar utdannelse, får yrkestrening og botrening og gjøres i stand til å leve et lovlydig liv etter soningen. Vi er fornøyd med at det i vår tid er etablert utdanningstilbud i alle landets fengsler. Det er økte bevilgninger til bibliotekene i fengslene – alle fengsler som har mer enn 25 innsatte, har De innsatte får hjelp til å skaffe egen bolig. Nav yter hjelp til de innsatte i mange fengsler og bidrar til at de innsatte kan komme tilbake til samfunnet i ordnede former. Det er etablert rusmestringsenheter i ni fengsler, og flere vil komme. Alt dette har vært mulig med god og uunnværlig hjelp fra de ansatte. De har stått på og tatt ansvar. Det står det respekt av. Men det betyr at vi må lytte til dem. Vi har registrert at det er misnøye i etaten, til tross for at vi har utdannet langt flere aspiranter enn den forrige regjering gjorde, og til tross for at det er satset mye i kriminalomsorgen. I Soria Moria II lovet vi at vi skulle igangsette arbeidet med en kompetanse- og bemanningsgjennomgang i kriminalomsorgen for å bedre straffens innhold. Justisdepartementet har igangsatt dette arbeidet. SV ser fram til denne gjennomgangen. Vi er sikre på at etaten kommer til å være aktiv i denne prosessen, og vi lover at vi skal lytte nøye til de ansatte. For SV og Regjeringen er det viktig å være på lag med dem som tar ansvar for kriminalomsorgen i landet. Så vil jeg bruke de siste 50 sekundene på det morsomme innlegget fra Fremskrittspartiet. Hvis det nå er slik at det ikke er blitt et bedre budsjett, at det ikke er blitt mer til etterforskning, at ikke flere er blitt dømt, at det ikke er flere innsatte, begynner jeg å lure: Hvor ble det av de 1,3 milliarder kr som vi bevilget mer enn det som ble bevilget i fjorårets budsjett? Skal det bare kjøpes blomster? Kjøper de blomster til hverandre

Justisministeren har gjort god greie for alle dei tiltaka som er gjennomførte for både å fjerne soningskøen og å betre innhaldet i soninga. Dei som arbeider i kriminalomsorga, har gjort, og gjer, ein fenomenal innsats med dette som målsetjing. Det er viktig å verdsetje den jobben dei gjer, og leggje til rette for vidare innsats. Derfor er slike debattar heilt klart viktig, men endå meir viktig er det gjer. Det er som sagt mange tiltak ein kan vise til: styrking i form av betre undervisningstilbod, bibliotek i fengsla, hjelp til innsette med å skaffe seg bustad og arbeid til den dagen dei slepp ut, osv. Framover blir det vesentleg å redusere belegget i fengsla, slik at dei tilsette får frigjort meir tid til å arbeide målretta med dei som er Forsøksordninga med soning med elektronisk kontroll har gitt gode resultat, og vil vere eit viktig verkemiddel også framover. Friomsorgen fortener sin del av auken til etaten, fordi noko av nøkkelen ligger nettopp i overgangen mellom fengsel og det å vere ute igjen, og i alternative soningsformer. Når det gjeld varetektssituasjonen, er den nært knytt til at politiet har fått fleire ressursar og brukt desse godt, som m.a. å ta fleire utanlandske kriminelle. Også her viser statsråden handlekraft ved å sørgje for tiltak for å betre tilgangen på varetektsplassar no. Det er sagt at inga regjering er så god som ho sjølv seier at ho er, eller så dårleg som opposisjonen seier. Det er lett å bli freista til å skryte uhemma av seg men alt er faktisk relativt. Resultata innafor kriminalomsorga har ikkje kome av seg sjølve. Resultata har si årsak i at den raud-grøne regjeringa har satsa relativt mykje meir enn den førre. Vi skal halde fram med å leggje til rette for at dei som sit i fengsel, eller som sonar på andre måtar, klarer seg den dagen dei er ferdige med

Dette har vært gjort i godt og tett samarbeid også med de ansattes organisasjoner. Jeg hadde, i forrige stortingsperiode, en rekke møter med både KY og NFF, hvor vi f.eks. diskuterte kriminalomsorgsreformen. De følte at det var en riktig og viktig reform å komme med. Men det er klart at når mennesker opplever endringer i hverdagen eller i arbeidslivet, skaper det også utfordringer, og til tider frustrasjoner.

Situasjonen da vi overtok i 2005, var, som godt beskrevet, helt uholdbar. Vi hadde nesten 3 000 kriminelle som gikk ute i samfunnet og ventet på å få komme inn til soning. Jeg har lyst til å stille et enkelt spørsmål til f.eks. Kielland Asmyhr, som skal snakke etter meg: Tror han at det har skapt flere eller færre ofre for kriminalitet, når den køen nå er borte? når den køen nå er borte? Da vi i fjor hadde gjentatte debatter i denne sal om politiets situasjon, opplevde jeg, og regjeringspartiene, en rekke ganger å bli kritisert for at vi hadde altfor stort fokus på kriminalomsorgen. Da var det ingen som refererte til den samme lederen i KY, og mitt enkle spørsmål er: Hvorfor var ikke han rette mannen å referere til da, når han var ute og kritiserte det han kalte aksjoner fra Politiets Fellesforbund? Alle husker vel at lederen i KY begynte å hoste litt i et innslag på TV 2 og følte seg litt dårlig. Så at KY nå, inn i lønnsforhandlingene, posisjonerer seg, det var både varslet og forventet. En del av det som nå kommer fra den kanten, skal man selvfølgelig ta med en klype salt fordi det er en del av posisjoneringen i trepartssamarbeidet. Det er jeg ganske sikker på at også representanten Oktay Dahl skjønner godt. Når han da ukritisk, uten refleksjon refererte det – jeg sier ikke at det er Oktay Dahl som sier det han refererte fra talerstolen – bekymrer det meg noe. For skal vi igjen få en situasjon hvor fagforeninger nærmest kan få lov til å si hva som helst i det offentlige rom, med et heialag fra opposisjonen bak seg, som vi opplevde i forbindelse med politiets situasjon for et drøyt år siden, da er jeg bekymret for utviklingen for trepartssamarbeidet. Det kan ikke være slik at det er bare noen som skal stå opp for det systemet man har, når det gjelder fri lønnsdannelse, og det krever også at man stiller noen krav til de aktørene som er med i det trepartssamarbeidet. Så vil jeg gi ros til Høyre for at de i hvert fall ikke har hivd seg på kritikken av pengebruken når det gjelder oppbyggingen av Halden fengsel. Det er veldig nyttig at flere ser poenget med at vi må ha flere plasser. Det bringer meg over til varetektssituasjonen, som er utfordrende. Når Ørsal Johansen harselerte over så har jeg et enkelt spørsmål til ham. I 2008 var det i gjennomsnitt 730 varetektsplasser. Nå er vi på over 1 000, altså en økning på nesten 30 pst. i forhold til varetektsplassene. Tror Fremskrittspartiet at dette har kommet av seg selv, eller er det fordi at man har tatt flere kriminelle? Et enkelt spørsmål,

Jeg vil gi representanten Dahl skryt for å ta opp denne interpellasjonen. Det er viktig at vi tar situasjonen i kriminalomsorgen på alvor. Det er ikke noen tvil om at det har vært for få plasser, og at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep innen sektoren. Da kan man altså ikke de ansattes bekymringer med «en klype salt», som representanten Breen uttaler fra Stortingets talerstol. Det synes jeg er relativt arrogant av en representant fra et regjeringsparti. Det betyr at man ikke ønsker å lytte til dem som har skoen på, og som jobber i denne sektoren daglig. Det som fikk meg til å ta ordet, var innlegget fra representanten Stine Renate Håheim, som får det til at Fremskrittspartiets politikk bidrar til flere kriminelle. Det er grunn til å minne om at en debatt i stortingssalen ikke er det samme som et debattkurs i Her må man kunne dokumentere de påstandene som man kommer med. Jeg tror det er relativt anerkjent i det norske samfunnet at Fremskrittspartiet i alle år har vært, og fortsatt er, et parti som har en betydelig offensiv justispolitikk, og som markerer seg betydelig i den offentlige debatt med gode forslag.

oppdatert og godt utstyr – det beste utstyret som man kan få tak i. Fremskrittspartiet har i mange år etterlyst mer politi i gatene – vi gjør det fortsatt – nettopp for å skape trygghet for folk flest ute i gatene. Er det å skape flere kriminelle? Vi ønsker også flere fengselsplasser. Vi Vi har ikke kritisert byggingen av Halden fengsel. Vi har kritisert deler av pengebruken knyttet til byggingen av Halden fengsel og nivået på standarden. Og ikke minst: Man skaper ikke flere kriminelle ved å kreve en rask utsendelse av utenlandske kriminelle til deres hjemland og foreslå soning i utlandet! Derfor burde det egentlig ha vært påtalt av presidenten når man kommer med påstander om at et annet partis politikk bidrar til flere kriminelle. Og så er jeg usikker på om vi skal ta representanten Chaudhrys innlegg på alvor. Når man altså påstår at andre er mer opptatt av kreativ bokføring, bokføring, bør man da dokumentere det. Representanter for regjeringspartiene må ta de debatter som kommer i denne salen, på alvor og ikke harselere over de debatter som blir reist. De må ta det på alvor, alvor, ikke med «en klype salt» og «uten refleksjon», slik representanten Breen har tillatt seg å si i denne debatten. Presidenten vil anmode om at alle innlegg som blir holdt på Stortingets talerstol, blir tatt på alvor. Dette er

Da må det kanskje kunne karakteriseres som maks uflaks at utenlandske kriminelle nå er i ferd med å overfylle norske fengsler, med det resultat at det nå er politiet som må stå i kø for å få varetektsplasser. I dag beklager direktøren i Region nord at kriminalomsorgen ikke er i stand til å stille opp når politiet har behov. Slik kan vi ikke ha det. Det er ingen løsning at innsatte skal slippes fri før tiden for å Terskelen for varetekt er allerede høy, og når politiet ikke kan varetektsfengsle på grunn av plassmangel, kompliseres etterforskningen, samtidig som samfunnet ikke får den nødvendige beskyttelse mot kriminalitet. Som medlem av justiskomiteen i forrige periode har jeg hørt justisministeren en rekke ganger forsikre Stortinget om at avtaler om soningsoverføring til hjemlandet skulle frigjøre kapasitet i norske fengsler. I dag kan vi kanskje undres over hva som har gått galt, og hvorfor dette arbeidet ikke gir synlige resultater. Mangel på varetektsplasser har vært et tilbakevendende problem, og statsråden viste selv i kveld til en radikal økning i antall varetektsinnsatte. Høyre har kritisert Regjeringen – jeg mener med rette – for en ubalansert satsing på åpne framfor lukkede fengsler. Konsekvensen ser vi nå ved at tilgangen på varetektsplasser er utilstrekkelig, og at kapasiteten stadig er sprengt. Høyre har pekt på det spesielle problemet i nord, der store politidistrikter faktisk står helt uten varetektsplasser. Midtre Hålogaland politidistrikt er i en slik situasjon. Politiet tvinges her til å bruke betydelige midler og knappe personellressurser som ledsagere til fengsler som kan ligge Å unnlate å løse dette problemet er uklok politikk, fordi dette rammer politiets effektivitet og evne til å løse langt mer presserende politioppgaver. Høyre har siden 2005 ved flere anledninger foreslått å etablere nye varetektsplasser i Midtre Hålogaland politidistrikt. Som statsråden er vel kjent med, foreligger det konkrete forslag om lokalisering av varetektsplasser til Kommunen har en beliggenhet midt i politidistriktet og med flere domstoler i samme nedslagsfelt. Også disse har behov for tilgang på soningsplasser under avvikling av rettssaker. I lys av vedvarende kapasitetsproblemer når det gjelder varetektsplasser, kunne det være interessant å høre om justisministeren har endret oppfatning og nå vil bidra til at Midtre Hålogaland politidistrikt kan og derigjennom bidra til å frigjøre lukkede fengselsplasser som politiet i dette distriktet i dag legger beslag på andre steder. Alt er

De tar feil når de påpeker at det er et stort behov for og manko på varetektsplasser. De tar feil når de sier at det er store problemer med rusmisbruk i norske fengsler. De tar feil når de hevder at fengselsplassene ikke er tilpasset nye og tyngre utenlandske kriminelle. De tar feil når de hevder at soningskøene kommer til å øke ganske raskt. De tar feil i at det vil bli mindre fokus på innholdet i soningen, slik som NFF varsler. De tar også feil når de påpeker at ufaglærte tar på seg oppgaver de ikke bør ha. De tar feil i at det er et rettssikkerhetsproblem at ufaglærte får anvende maktmidler de ikke egentlig etter loven har adgang til. Og de tar feil når de sier at det er et problem at det forskes for lite, eller at det ikke kontrolleres nok det som skjer i norske fengsler. Jeg kunne ha fortsatt slik. Mitt og Høyres poeng er, som representanten Werp sa, det er ikke nødvendigvis for å nagle statsråden for ikke gjør noe som helst. Det er et behov for at Stortinget og alle dets partier og organer har et virkelighetsbilde som er i nærheten av noe som er sant, fordi det er noen som har feil, og noen som har rett. Når statsråden har den holdningen at organisasjonene tar fullstendig feil, og de har den holdningen at statsråden tar fullstendig feil, er det altså noen som må ha bitte lite grann feil og det kunne det ha vært veldig greit om Stortinget kunne ha fått et nærmere innblikk i. Så spørsmålet mitt til statsråden er kort og godt: Er statsråden bekymret for den utviklingen man ser nå fremover i kriminalomsorgen, eller har man tenkt å fortsette å lese opp alle kronene og ørene og tiltakene man er fornøyd med å ha gjennomført de siste fem årene, mens man ikke er opptatt av å ta ansvaret for den tilspissede holdningen og konflikten mellom hans egen regjering og de ansatte og organisasjonene?

tidligere – riktignok i VG, etter at VG ringte – har måttet beklage at man har påstått at folk er kjøpt og betalt. «Kreativ bokføring» er for så vidt litt mildere, men det er grunn til å stille spørsmål om hvor han henter inspirasjon fra til alle disse innleggene. Det er

med. Det er derfor jeg er glad for at vi har god kontakt med disse organisasjonene, særlig opp mot den bemanningsanalyse som nå skal foretas. Det er ikke riktig det representanten Ørsal Johansen påstår i sitt innlegg, at det nærmest er en skapt «illusjon» at vi satser på politiet, men at det ikke gir noen resultater. Der er jeg faktisk helt enig med at politiets innsats bidrar til såpass mye resultater. Det som er foranledningen for bekymring både hos Høyre, regjeringspartiene og organisasjonene, er jo at varetektsantallet øker så betydelig. Det må tas på alvor. Representanten Werp stiller egentlig tre konstruktive spørsmål. Det første var: Har man tenkt å redusere ambisjonsnivået? Svaret er nei. Vi har ikke tenkt å redusere ambisjonsnivået. Vi ønsker fortsatt å ha fullt trykk på kriminalomsorgen. Det andre spørsmålet var: Tenker man å øke ressursinnsatsen? Ja, i år skal vi øke ressursinnsatsen. Det at man åpner et helt nytt fengsel, er å øke ressursinnsatsen betydelig. Hva som kommer i de framtidige budsjetter, vil jo helgens opplevelser på Thorbjørnrud – i hvert fall for min del – kanskje bidra til, men vi har ikke lagt bort ambisjonene for Det er viktig nå, fordi vi opplever press. Og det tredje spørsmålet: Har man bare tenkt å fortsette som før? Nei, det har vi ikke tenkt. Vi har ikke tenkt å gjøre som man gjorde i forrige stortingsperiode – ikke bygge utdanningstilbud i fengslene, la soningskøen bevege seg opp mot 3 000, ikke trekke Nav inn i fengslene, ikke få progresjon i soning, ikke få hjemmesoning. Dette har vi ikke tenkt å gjøre. Vi har fortsatt tenkt å satse på kriminalomsorgen, for det er så viktig når politiet får tatt personer, at man da faktisk også får snudd personene, slik at de ikke begår straffbare handlinger. Det er grunn til å peke på at det er en betydelig utfordring vi har i kriminalomsorgen, særlig nå når vi ser at så mange er blitt pågrepet. Så må jeg bare til slutt si at det er fascinerende å høre på representanten Aspaker, som ber om flere lukkede plasser. Vi refererte jo til Høyres alternative statsbudsjett. Det finnes ikke én lukket plass i det alternative så et visst ansvar må en jo ta for egen politikk. Så jeg er innstilt på å fortsette arbeidet med å bygge flere plasser. Jeg må erkjenne at det måtte en rød-grønn regjering til for å få 651 nye plasser. Sak nr. 10 er dermed avsluttet. Beklager at det ble sent, men sånn er timeplanen her på huset. I

Skyteepisodene mellom bandene har utvidet seg fra bydelen Nørrebro til andre deler av København. I 2008 var det over 60 skyteepisoder. Siden 1. august 2008 og frem til 20. oktober i fjor har politiet registrert 339 skyteepisoder i Danmark. 109 av dem har vært relatert til bandekonflikten, og disse har kostet seks menneskeliv, 59 har blitt såret og 40 personer med relasjon til I andre kvartal i 2009 var det 22 skyteepisoder hvor politiet mener det er snakk om oppgjør i bandemiljøet, i tredje kvartal var det registrert 21. I mars 2009 presenterte den danske regjeringen den såkalte bandepakken. Bandepakken gir rom for strengere straffer og en innstramming av utvisningsreglene knyttet til overtredelse av våpenlovgivningen. Gjennom denne pakken har det også blitt bevilget mer penger til å øke mengden av politi i gatene. Politiet i København og på Sjælland følte et behov for å øke innsatsen mot disse bandekrigene, og man opprettet en egen spesialenhet. Denne enheten skal styrke den videre etterforskningen mot de personene som direkte eller indirekte spiller en hovedrolle i konfliktene. Den kalles «Task Force Øst» og vil samarbeide tett med andre instanser i politiet, bl.a. med Politiets I Norge er det tidligere blitt kjent at flere sikkerhetsselskaper opererer med en paramilitær struktur og står bak ulovlig avlytting, overvåking, bruk av vold, trusler og drap og kan antas å stå bak trening av MC-klubbmedlemmer i Norge. Leder ved avdelingen for organisert kriminalitet i Kripos, Atle Roll-Matthiesen, har tidligere uttalt at dette er det samme som skjer i utenlandske broderklubber. I 2007 uttalte han til at man ikke ennå har konkrete holdepunkter for å spå en bandekrig i Norge, men at man fra tidligere vet at små, marginale hendelser har utløst store konflikter. Derfor er det grunn til å ta det som nå skjer på alvor, sa han da. Dette budskapet har også blitt gjentatt senere i år. At man oppfatter disse som en trussel, kommer det for så vidt en rekke henvendelser om fra landet rundt. Kripos slår fast at det er kriminelle MC-bander og sympatisører til disse i mer enn 70 kommuner i Norge. Norge. Med kriminelle MC-klubber mener politiet såkalte én-prosent-motorsykkelklubber, der medlemmene definerer seg selv som den ene prosenten av befolkningen som har meldt seg ut av samfunnet, med sine egne spilleregler. Dette er blant de mest og best organiserte kriminelle nettverkene i Norge, ifølge Kripos. Mange medlemmer av motorsykkelklubber er selvfølgelig familiefedre – og kanskje noen mødre også – med ærlige jobber og motorsykler som hobby. hobby. Det kan være langt fra å være supportgruppe til en direkte støttegruppe. Men blant supporterne finnes også medlemmer som er involvert i kriminalitet – på oppdrag eller bestilling fra moderklubben. Vi så nå nylig at danske Hells Angels har besøkt Arendal flere ganger og gjort seg kjent med deler av det lokale MC-miljøet. I januar ble en 32 år gammel dansk statsborger varetektsfengslet for det politiet mener er grov vold mot en av gjestene på en lokal En arendalsmann i 20-årene skal ha fått slått ut to tenner – og flere fått skadet andre kroppsdeler. Politiet knytter hendelsen til Hells Angels og har foreslått å nekte medlemmer adgang til utesteder ikledd klubbenes symboler. Politiet i Danmark tror at bandekrigen der startet som en krangel om salg av narkotika, men at det har utviklet seg til også å gjelde andre typer kriminalitet, som menneskehandel, bestikkelser og torpedovirksomhet. Norge har til nå vært forskånet for en sammenlignbar situasjon, men det er grunn – og det vet jeg at statsråden gjør – til å tenke preventivt i forhold til at vårt lille, rike land i fremtiden kan risikere det samme og lære av danskenes positive, negative erfaringer. Norske myndigheter reagerte kontant i etterkant av NOKAS, men vi er på etterskudd – det ser alle – i forhold til organisert vinningskriminalitet fra

Vi har diskutert kriminalomsorgen og situasjonen i den, og domstolene varsler bemanningsstopp. Mens politiet til dels har analysert trusselbildet, men mener at vi er på etterskudd, så har man valgt å gjøre soningsforholdene vesentlig mer lempelig for en fangesammensetning som man ikke på forhånd hadde vurdert trusselbildet i forhold til. Det er ingen «quick fix» på dette, og Høyre ber Regjeringen om å ta initiativ til et bredt forlik, sånn at samfunnet slår tilbake før det er for sent og noen av disse gruppene begynner å slåss om markeder, eventuelt samarbeide. Om det er slik at man i budsjettforhandlingene har fått beskjed om at penger må spares, bør det ikke gå ut over en av statens grunnoppgaver. Vi ser at offentliggjøring av skattelister, kobling til nye søkemotorer, sosiale medier o.l. bidrar til å fremme økonomisk, organisert kriminalitet og både i regi av øst-europeere og muligens også i regi av MC-bander. I går uttalte If Skadeforsikring at de gir penger fra NOKAS-ranet til tyveriregisteret Ettersøkt. Ifølge If er dette et av de beste midlene som finnes for å hindre spredning av tyvegods, enten de genereres av østeuropeiske bander eller også av MC-bander. If understreket samtidig at de håpet at «rette myndigheter vil legge forholdene til rette slik at de som står bak nettsiden får best mulig arbeidsforhold». Dette viser hvor alvorlig private aktører ser på fremtiden. Tidligere har statsråden avvist å kjøpe fengselsplasser i kriminelles hjemland, f.eks. ved bruk av EØS-finansieringsmekanisme, selv om det er god grunn til å anta at flere kriminelle bak murene i norske fengsel videreforedler allerede godt etablerte nettverk, men også bygger nye. Det er grunn til å tro at importen av denne form for kriminalitet kan medføre flere og grovere voldsepisoder fremover, f.eks. hvis det oppstår kamp om marked eller revir, eller også, som nevnt, hvis de ulike miljøene samarbeider på tvers. Vi er nå også midt inne i en grunnleggende debatt om integrering av mennesker med en annen etnisk og kulturell bagasje enn flertallet i Norge. Det vokser opp et stort antall sinte, unge menn som lever på siden av samfunnet med en annen kulturell bakgrunn. bakgrunn. Vi ser at enkelte med til dels fundamentalistiske religiøse/kulturelle holdninger, MC-gjenger og andre kriminelle nettverk søker å rekruttere disse til nettverkene sine. PST sa f.eks. i sin siste rapport at unge norsk-somaliere, norsk-pakistanere, norsk-afghanere og norsk-irakere rekrutteres til voldelig ekstremisme fra utlandet. Her ser man mulige nettverk som kan skape store problemer på kort eller lengre sikt. Det er bakgrunnen for at jeg stiller følgende spørsmål: Hvorledes vurderer statsråden Norges beredskap for å håndtere liknende situasjoner som dem man over tid har sett utvikle seg i vårt naboland Danmark, og de pågående «bandekrigene» der? Hva har vi å lære, og hva har vi ikke å lære av Danmark når det gjelder å løse disse utfordringene? Det er

Men til Danmark først: Jeg skal om kort tid ha et bilateralt møte med den danske justisministeren, og noe av det temaet som trekkes opp i interpellasjonen, vil også være et tema der. Vi har mye å lære, og vi har mye å lære bort. La meg innledningsvis minne om at kriminalitetsbildet i Norge og Danmark er ulikt, sjøl om vi har mange felles utfordringer. Det totale konfliktbildet i rocke- og bandemiljøene i Danmark er komplekst og består av mange ulike konflikter. Resultatet er som kjent blitt en situasjon preget av ekstreme motsetninger og et meget høyt antall skyteepisoder, hvorav flere har medført at liv har gått tapt. Det er likevel ingen tvil om at framveksten av kriminelle gjenger er en betydelig utfordring også for Norge. Sommeren 2006 oppsto et skuddrama mellom rivaliserende gjenger midt blant publikum på Aker Brygge. Dette utløste som kjent den største samlede politiinnsats mot gjengkriminalitet i Norge noensinne, der målet var å bekjempe gjengrelatert kriminalitet i Oslo-området. Politiet har gjennomført en betydelig innsats gjennom gjengprosjektet med beslag av store mengder våpen, narkotika, penger og andre verdier. Gjennom politiets aktive tilstedeværelse og stadig bedre miljøkunnskap ser man tendens til at antallet grove voldshandlinger i det offentlige rom er redusert, og at de aktuelle gjengenes kapasitet og gjennomslagskraft er svekket. Men vi er slett ikke ferdig. I Politidirektoratets rapport om organisert kriminalitet fra mai 2009 påpekes det at gjengbekjempelse krever kontinuitet og langsiktige tiltak. Rapporten nevner at flere politidistrikt melder om framvekst av gjenger som markerer seg ved grov og mildere narkotikakriminalitet, ran og bruk av grov vold. Rapporten anbefaler en helhetlig forebyggende innsats mot unge gjengangere som er i faresonen for utvikling av en kriminell karriere og/eller står i fare for å bli rekruttert inn i etablerte gjenger. Regjeringas brede satsing på politiet gjør det mulig å bekjempe gjengkriminalitet, hindre nyrekruttering og hindre nyetablering av kriminelle gjenger. Representanten André Oktay Dahl nevner at norske myndigheter «reagerte adekvat i etterkant av NOKAS», men antyder at vi skal ha kommet på etterskudd i forhold til organisert vinningskriminalitet. Det er viktig

Vi må ta inn over oss at kriminalitet ikke er konstant i et samfunn. Vi vil stadig utfordres av nye former for ulovlig virksomhet og må ha evnen til å identifisere nye problemområder og sette inn tiltak. Den økte vinningskriminaliteten vi har sett knyttet til utenlandske tilreisende, er jo ikke et fenomen som bare er i Norge. Det er jo et fellestema vi diskuterer med alle justisministrene i Europa. Det er ikke slik at noe land har kunnet presentere noen som helst triks i forhold til til den utfordringen. Det er et faktum at kriminalitet begått av mobile kriminelle, ofte østeuropeiske borgere, har økt de senere år. Situasjonen stiller politiet overfor utfordringer i forhold til distriktsovergripende samarbeid både på etterretnings- og etterforskningssiden. Flere politidistrikt har grepet tak i problemstillingene og kan vise til meget positive resultater i de ulike prosjektene som er etablert. Jeg vil benytte anledningen til å gi honnør til alle i politiet som har bidratt i løpet av det siste året i disse prosjektene. har gjort en formidabel jobb. Som eksempel kan nevnes samarbeidsprosjektet «Grenseløs» som omfatter Vestfold, Telemark, Agder, Asker og Bærum samt Søndre Buskerud. Gruppa arbeider både strategisk og operativt og samarbeider innen etterforskning. Videre kan jeg trekke fram Oslo politidistrikt, der man i mai 2009 opprettet en operativ gruppe ved Majorstua politistasjon for å redusere grove tyverier fra boliger i hele Oslo samt å straffeforfølge de mobile vinningskriminelle som står bak. Gruppa på 20 personer har hatt særlig fokus på rumenere og grovt tyveri fra villaer. Gruppas pådriverrolle har ført til – og nå ber jeg alle om å få med seg dette, for det er tross alt positivt – at antall grove tyverier fra boliger i Oslo er redusert fra 355 for månedene januar–februar 2009 til 170 i januar–februar 2010, en nedgang på Hordaland politidistrikt har spesialisert seg på såkalt skimming knyttet til rumenske kriminelle. Troms, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland og Østfinnmark politidistrikter har innledet et samarbeid med politiet i Sverige og Finland. I flere av prosjektene er det lagt vekt på aktiv bruk av varetektsfengsling – og det har vi jo merket – samtidig som etterforskningen målrettes med sikte på høy kvalitet og hurtig rettsbehandling. Det er dessuten en målsetting at straffereaksjonene tilpasses dette alvorlige samfunnsproblemet, og at soning følges opp med utvisning. Den økte innsatsen har gitt en større bevissthet blant alle involverte myndigheter om behovet for en offensiv tilnærming til mobile vinningskriminelle. Politidirektoratet og riksadvokaten har i samarbeid med Kripos – på vår oppfordring – sørget for en koordinering av innsatsen mot mobil organisert kriminalitet, herunder nødvendig samarbeid mellom politidistriktene og

Ved å prioritere kriminalitetsbekjempelse på veien har Utrykningspolitiet en mulighet til å avdekke kriminalitet på transportårene hvor kriminelle ferdes og ofte utgjør en risiko i trafikken. I budsjettforslaget for 2010 er det foreslått opprettet 45 årsverk for å styrke innsatsen mot mobile vinningskriminelle. Dette er stillinger i den såkalte innsatsstyrken som er foreslått fordelt mellom Kripos, Utrykningspolitiet, Oslo politidistrikt og Hedmark politidistrikt. Det vil gi betydelig ressursmessig styrking av denne innsatsen. I tillegg kommer grenseinnsatsen som er i ferd med å bli etablert. Man får nå på plass et betydelig antall nye stillinger i Østfold. Det er et viktig forebyggende tiltak for å forhindre at mennesker som ikke skal komme inn i landet, kommer hit. Jeg vil også peke på at det er helt avgjørende, hvis man skal stå sterkt rustet, at vi har gode muligheter til bl.a. å bruke DNA, som vi ser har stor betydning for å avdekke internasjonal kriminalitet. Det har også stor betydning i forebyggende hensikt at man har mulighet for å kunne etterspore bl.a. trafikkdata. Så debatten rundt datalagringsdirektivet er et Så debatten rundt datalagringsdirektivet er et viktig element for å kunne nå den organiserte kriminaliteten og forebygge bedre. Videre kan det etter min mening være hensiktsmessig at Stortinget drøfter en del sider ved vår bekjempelse av organisert kriminalitet. For å ha et godt utgangspunkt for en slik debatt – og for så vidt fange opp det som interpellanten er opptatt av, en samlet strategi utover det man allerede gjør i dag, for her må vi gjøre noe på kort sikt og noe på lang sikt

Vi er et åpent samfunn og er derfor i utgangspunktet sårbare for anslag fra kriminelle. Vi har imidlertid et politi som i dag disponerer over store ressurser, og som også i framtida, bl.a. gjennom vår sterke økning av opptaket til Politihøgskolen, vil være rustet til å takle nye utfordringer. Det er også viktig, og det vil bli berørt i framtidige framlegg for Stortinget, at man i kampen mot gjenger, slik vi kjenner dem i Norge, og også mot motorsykkelmiljøer, tar i bruk det jeg kanskje vil kalle utradisjonelle virkemidler når man bekjemper denne type kriminalitet. Vi må være kontante mot alvorlig kriminalitet og ha politiære virkemidler og reagere med straff og fengsel. Men det er helt avgjørende at vi også lokalt må gjøre hva vi kan for å muligheten for etablering. En av grunnene til at vi har valgt å etablere politirådene rundt omkring i det ganske land, er å få aktivisert særlig kommunalpolitikerne og bruke de hjemler man har, både i skjenkelovgivningen, i plan- og bygningslovgivningen og tilslektede lovgivninger, for å markere at man ikke aksepterer den type gjengdannelser og etablering, og faktisk også gjøre det vanskelig. Jeg er ganske overbevist om at en av grunnene til at vi ikke har sett en utvikling i Norge som den vi ser i Danmark, er at man ikke bare gjennom denne regjeringsperioden, men også den forrige regjeringsperioden og lenger tilbake, har hatt fokus på forebygging og vært kontante når vi har Men vi er ikke ferdige. Derfor hilser jeg denne interpellasjonen velkommen. Det vil også kunne være en god mulighet for å komme med forslag som man kan vurdere i den samlede strategien som vil komme. Jeg takker for svaret. Er
det et område der vi er avhengige av at vi står sammen, er det ved bekjempelse av denne type kriminalitet på bredest mulig front. Der oppfatter jeg at statsråden og Høyre har veldig mange sammenfallende synspunkter. Nå kunne jeg selvfølgelig har dratt opp en DNA-debatt og diskutert CEOP-senteret og overgrep mot barn, menneskehandel osv. Det får vi ta senere, og vi diskuterte det på en måte i forrige uke. Det er noen utfordringer som jeg mener statsråden fortsatt har i forhold til gjennomføringen av noen av de løftene som han ga i forbindelse med DNA-reformen – men nok om det. Det å belønne samarbeid på tvers mellom politidistrikter er fortsatt en stor jobb. Det å utvikle måter å inspirere politidistriktene til å samarbeide enda mer mer er noe som en slik stortingsmelding som statsråden skisserte, er nødt til å ta inn over seg. Da man begynte å diskutere omorganisering av politidistriktene, synes jeg en god start måtte være å diskutere kommunestrukturen, for det er de samme kommunene som de 27 politidistriktene må forholde seg til. Det er altfor mange kommuner som ikke driver god forebygging fordi de er for små, slik at barnevernet og andre rett og slett ikke evner å ha kompetanse og mulighet til å forebygge bl.a. nyrekruttering til en del miljøer. Så er det spørsmål om utenlandske kriminelle. I en del fengsler er det flere utenlandske kriminelle enn det er etnisk norske. Da er et vanskelig spørsmål: Hvilke soningsoverføringsavtaler kan komme på plass? Spørsmålet er om statsråden fortsatt er uvillig til å kjøpe fengselsplasser i enkeltes hjemland, også innenfor EØS, rett og slett for å forebygge at de videreforedler og utvikler nettverk som de har fra før. Så er det spørsmål som representanten Werp har tatt opp tidligere i spørretimen, om å ha et samarbeid på tvers mellom ulike offentlige etater, lokalmiljøet og politiet. Der har vi mye å gå på. Jeg regner med at statsråden på egnet måte kan redegjøre for det i timevis ved en senere anledning, men det er en stor utfordring som Høyre fortsatt kommer til å utfordre statsråden på. Så er det spørsmål om statsråden er villig til å ta initiativ til et tverrpolitisk forlik. Så er det spørsmål om statsråden er villig til å ta initiativ til et tverrpolitisk forlik. Man kan si at det kan være veldig mye forskjellig. Det kommer altså en stortingsmelding. Jeg håper at kombinert med den stortingsmeldingen viser man vilje til å forhandle og diskutere med opposisjonen her på Stortinget, slik at man sørger for at vi får et bredest mulig flertall. Det er antageligvis en ny regjering som kommer på om tre og et halvt år, eller mindre enn det. Da kan det være fornuftig at man er enige om felles strategier, og hvordan man gjennomfører dem. Det kan også tenkes at opposisjonen kan riste mer penger ut til statsrådens sektor enn det han greier selv i regjeringskonferansene. Helt til slutt: Et spørsmål som ikke ble tatt opp av statsråden, er integreringsutfordringene. Det er så viktig nå at vi i den debatten som er, som egentlig handler om fem forskjellige ting, greier å skille mellom det å reagere hardt og kontant mot uakseptable utsagn i den offentlige debatt ikke blander det sammen med burka og hijab og den type ting – og samtidig ha respekt for de unge mennene som er i ferd med å falle utenfor samfunnet, som vi må integrere og få inn igjen. La meg aller først si at de fire punktene som representanten nå trekker fram, er viktige punkter, men jeg skal se hva jeg rekker. Når det gjelder samarbeid på tvers, mener jeg at det er en av de store utfordringene vi står overfor. Jeg har jo sagt lenge, og mener det fortsatt, at hovedutfordringene i kriminalitetsbekjempelsen nå ikke handler bare om flere kroner og flere stillinger, selv om vi øker på med både stillinger og utdanningskapasitet på Politihøgskolen, men om at vi er helt avhengige av å få dratt lasset sammen, både mellom politidistriktene og med andre etater. Det er derfor vi har etablert politirådene, men det er også derfor vi har tatt det initiativet vi nå har gjort knyttet til det vi har kalt innsatsstyrken, og hvor man har disse regionale prosjektene. Jeg er ganske overbevist om at man har fått frigjort veldig mye kapasitet ved å samarbeide på den måten. Det er jo derfor det er veldig viktig at vi også får en informasjonsflyt politiet imellom, som gjør det lettere å drive den typen samarbeid. Jeg hørte representanten Ørsal Johansen si i sitt innlegg i forrige debatt at det å satse på IKT ville redusere driftsmulighetene. Men det er jo faktisk motsatt. Satsingen på IKT vil bidra til at man bl.a. får bedre informasjonsflyt, får på plass ny straffelov, får muligheten til å drive DNA-arbeid bl.a. overfor andre europeiske land. Det er helt avgjørende. Så til utenlandske kriminelle som soner i vi har tatt en rekke initiativ for å få til soningsoverføringsavtaler utover Europarådets konvensjon og tilleggsprotokoll, bl.a. overfor Romania, det har jeg sagt i Stortinget før, men også overfor Serbia, og vi kommer til å gjøre det nå under det baltiske justisministermøtet som skal holdes om litt. Men «it takes two to tango» – en må være to for å danse tango vi kan ikke diktere rumenske myndigheter, men vi håper å få gjennomslag for å få lettere soningsoverføring. Når det gjelder det å kjøpe soningsplasser ute, er jeg fascinert av tanken, men jeg har spurt mange, og det er veldig lite til salgs, for å si det pent. Det er fulle fengsler. Men det betyr ikke at vi ikke kan få til bedre soningsoverføring, og at vi faktisk får gratis soningsplasser ute. Det er jo det soningsoverføringen vil bidra til. Så til å bruke EØS-midler: Ja, det er en stor fordel hvis vi klarer det. Det er derfor vi har vridd en del av EØS-midlene til bl.a. kriminalomsorg i en del land hvor vi har interesse av også å få til soningsoverføring. Så er jeg åpen for at man i debatten framover, ikke bare når det gjelder det dagsaktuelle, men også når det gjelder hva som skal være framtidas strategi inn mot gjenger, organisert kriminalitet og mobile vinningskriminelle, lytter til de innspill som kommer. Så svaret er ja på om vi vil være med og diskutere det. Det er jo det vi egentlig gjør her, så vi har en god start og har muligheter for å fortsette det. Dette er en viktig debatt. Den er kanskje også preget av at den favner veldig bredt nå, fra å

Jeg vil ta utgangspunkt i det som var grunnlaget for interpellasjonen, nemlig MC-kriminaliteten, altså én-prosent-gjengene. Hvorfor er det slik i Norge at vi i hovedsak har vært forskånet for dramatiske bandekriger, utenom perioden 1995–1997, da attentatet i Drammen skjedde? Hvorfor har vi for øvrig greid å møte denne trusselen på en god måte i Norge? I hvert fall ser det slik ut når vi ser på antallet hendelser. Jeg har snakket mye med politiet om det, og jeg opplever at de har vært flinke, i hvert fall i Oslo-området en 20 års tid, til å være veldig tett på miljøene. De har miljøene. De har hatt god oversikt, de er i dialog også med klubbene, setter grenser for dem, samarbeider med kommunen slik at kommunen bruker det som er kommunale og definerer hvordan disse klubbene må opptre for at politiet ikke skal gripe inn. Og de griper inn – senest i februar gjorde de f.eks. et betydelig våpenbeslag i HA-miljøet, i HA-klubben i Oslo. Arbeidet for å hindre rekruttering til gjengene, altså hindre at disse husene, møtestedene landet rundt som er omtalt her, blir steder som også andre ungdomsgrupper som kan føle seg tiltrukket av disse miljøene – hangarounds, som det er blir steder som også andre ungdomsgrupper som kan føle seg tiltrukket av disse miljøene – hangarounds, som det er sagt – strømmer til, er noe av det politiet har tatt aller mest alvorlig, og de har vært i stand til å ta tak i ungdommer som har vært på vei inn, og advare mot det. Jeg tror vi har bedre informasjon. Politiet har hatt bedre informasjon og vært mye tettere på det miljøet vi snakker om

det er viktig ikke å skape for mange myter også, for hvis vi monstererklærer noen av disse én-prosent-gjengene for mye, kan det føre til at de faktisk blir mer tiltrekkende for enkelte elementer i Norge som har de sidene. Det kan også føre til at de som skal stille opp som vitner, de sidene. Det kan også føre til at de som skal stille opp som vitner, de som skal gi informasjon til politiet om disse gjengene, kan bli for skremt. Og én av de tingene i omtalen av én-prosent-miljøene den senere tiden som jeg synes vi bør ta veldig alvorlig, er beskrivelsen av hvordan de er i stand til å skremme vitner, i stand til å skremme folk fra å si noe om virksomheten. når de har sett at saker som politiet har jobbet med, f.eks. alvorlige narkotikasaker, har måttet legges bort fordi man ikke har vært i stand til skjule informasjon til inngangen til sakene på en betryggende måte på grunn av truslene som bl.a. disse

På samme måte tror jeg de vil le av oss hvis vi gjør feil når vi nå skal behandle spørsmål om lagring av trafikkdata. Hvis det blir sånn i Norge når f.eks. mobile vinningskriminelle opererer landet rundt, og vi tar dem i ett tilfelle og får tak i en mobiltelefon, at vi ikke er i stand til å spore dette tilbake og gå tilbake i flere måneder, som vi vil trenge for å se hvordan de har operert landet rundt, og for virkelig å rulle det opp, så vil de le av oss.

Jeg er enig med statsråden i en del av det han sa i det brennpunktprogrammet, fra 1997. Han sa at MC-klubber har et godt sosialt samhold. Han sa at MC-klubber og medlemmer i slike klubber stiller opp for hverandre. Det er sant, og det er faktisk positivt, i det som jeg da omtaler som ordinære, gode MC-klubber. Han sa også noe annet klokt, den daværende advokat Storberget: at en skal ikke skjære alle klubber over Det er helt riktig; vi skal ikke skjære alle klubber over én kam. De det dreier seg om, og som denne interpellasjonen dreier seg om, er de såkalte én-prosent-klubbene, som HA, Bandidos, Outlaws, Coffin Cheaters pluss deres prospect- og hangaround-klubber. Daværende advokat Storberget sa også den gangen at en ikke skal ødelegge det sosiale miljøet ved å skape mer frustrasjon i miljøet. Der er jeg ikke helt enig med den gang advokat Storberget. Jeg tror heller ikke at statsråd Storberget er enig i den uttalelsen. Det er nemlig om å gjøre å skape frustrasjon for disse klubbene, det er om å gjøre å skape uro for dem, det er om å gjøre ikke å gi dem ro, så de hele tiden er under press og holdes under tar i sin interpellasjon opp situasjonen i Danmark og krigen mellom HA og gjenger med innvandrerbakgrunn. Det er stor grunn til å tro at dette kan spre seg til Norge også. Om dette vil føre til at situasjonen mellom de forskjellige mafiaklubbene, som jeg vil kalle dem, tilspisser seg, eller om de får et bedre samarbeid seg imellom, gjenstår å se. Uansett vil vi Det som gjør det ekstra ille, er at disse mafiaklubbene har sine løpegutter som tar støyten for medlemmene i klubbene. Det er vanskelig å knytte det enkelte medlem direkte til handlinger. Vi ser også at disse klubbene har sosiale tilstelninger for å knytte gode relasjoner til nærmiljøene og til samfunnet for øvrig, og og dermed prøver å virke ufarlige. Vi må slå fast høyt og tydelig at disse klubbene ikke er ufarlige. Det er kriminelle bander som står bak narko, vold og drap, og må behandles deretter. Jeg var i desember 2009 i Montreal, der jeg bl.a. hadde et møte med Royal Canadian Mounted Police, og hadde en god samtale med lederen for orgkrim-avdelingen der. der. Der har de en litt spesiell situasjon, nemlig den italienske mafiaen som står meget sterkt i USA og Canada. Der har det blitt inngått et samarbeid mellom Hells Angels og den italienske mafiaen. Det har sågar blitt slik at den italienske mafiaen bruker noen av disse klubbene som sine løpegutter. Dette kan også skje i Norge. Vi har østeuropeisk mafia som begynner å bli sterke og mektige i Norge, og en situasjon der de kriminelle MC-klubbene, eller mafia-klubbene, får samarbeide med eller bli løpegutter for denne mafiaen, er en situasjon vi lett kan få. Ifølge norsk politi har det ikke skjedd ennå, men de frykter det, og det må forhindres med nær sagt alle midler. Vi har ikke klart å hindre etablering av disse kriminelle miljøene i Norge. Der må vi si vi har mislyktes. Det vi må hindre, er nye etableringer, og vi må prøve å fjerne de etableringene som er. Jeg ser fram til den stortingsmeldingen som kommer angående organisert kriminalitet. Jeg ser fram til en god debatt om den stortingsmeldingen, og jeg ser fram til at vi kan få et godt samarbeid, der hele Stortinget sammen kjemper mot den organiserte kriminaliteten. Den rød-grønne regjeringen har i flere år sagt at bekjempelse av organisert kriminalitet er en prioritert oppgave. Stortinget

Politiet gjør en betydelig innsats på dette området. Men etter Høyres mening kan ikke politiet løse denne oppgaven helt alene. Det ligger i sakens natur at bekjempelsen av organisert kriminalitet må skje ut fra en sentralisert, tverrfaglig og koordinert innsats på nasjonalt nivå. Organisert kriminalitet er samfunnsskadelig virksomhet, fordi den er bygget opp rundt et fundamentalt fravær av medmenneskelighet, f.eks. knyttet til narkotikaomsetning, pengeinnkreving og prostitusjon. Videre er det store økonomiske verdier involvert, og vi ser at brutalitet er en viktig faktor for å skape lojalitet internt i miljøet, og frykt hos omgivelsene. På den måten skaper miljøene arbeidsro for sin kriminelle virksomhet. NRK Brennpunkt den 2. mars viste på en skremmende måte hvordan én-prosent-MC-klubbene effektivt bruker frykt som våpen. Det kom fram at trusler og ulike former for press benyttes i forhold til også rettsvesenet. For hvert vitne som presses til taushet, blir det lettere for de organiserte kriminelle å fortsette sin virksomhet. For hver kommune som sitter stille og bare observerer utviklingen innen sine kommunegrenser, vil gjengene og bandene bare forsterke sitt fotfeste i samfunnet. Kriminalitetsutviklingen i Norge er ofte en del av et mønster, hvor man først møter nye former for kriminalitet i Sverige og Danmark, og så tre til fem år senere møter vi de samme utfordringene her hjemme. I våre naboland har vi i lengre tid sett en alarmerende brutalisering og rivalisering i det organiserte kriminelle miljøet. Dette forsterker betydningen av at vi allerede burde hatt på plass en helhetlig strategi for å møte dette. På den måten kunne vi satt i verk brede, forebyggende tiltak, mens vi nå kan bli tvunget til å etablere en strategi som i hovedsak må konsentrere seg om brannslukking, fordi utviklingen allerede har innhentet oss. For å møte denne massive utfordringen er det ikke nok med adhocløsninger, gode intensjoner eller fagre ord. Vi burde hatt en overordnet strategi på plass for flere år siden, en strategi som involverer flere statsetater enn politiet, f.eks. toll-, avgifts- og skattemyndighetene samt Nav. Kommunene har også en viktig plass i en slik strategi i forhold til deres unike muligheter til å iverksette lokale tiltak. Næringslivet er også helt sentralt i en helhetlig strategi for å bekjempe organisert kriminalitet, ikke minst for å etablere barrierer mot hvitvasking av penger. I det hele tatt er innsatsen for å hindre de illegale pengestrømmene en avgjørende faktor for å lykkes i denne kampen. Justisministeren har tidligere opplyst at Stortinget vil få en stortingsmelding om organisert kriminalitet i neste sesjon.

ikke om penger – ikke fra statens side, og ikke på dette stadiet. Først og fremst er dette snakk om at vi fra myndighetenes side må sørge for å organisere innsatsen mot samfunnsskadelig virksomhet. Derfor inviterer vi fra Høyre til et tverrpolitisk samarbeid om dette, for å etablere et robust bolverk mot organisert kriminalitet. Norske borgere har rett til et fredelig liv. Det er

Politibudsjettet er om lag doblet i løpet av de siste årene. Bare i den rød-grønne regjeringens tid har vi tredoblet tallet på politistudenter, økt antallet sivile ansatte, styrket den generelle driften og innført DNA-reform. Alt dette gjør politiet bedre i stand til å kunne bekjempe den kriminalitet som det her er snakk om. La meg innledningsvis også si at det er to som truer vår trygghet: våre egne kriminelle og utlendinger som er på «jobb» i Norge. Det gjelder å gjøre en jobb i forhold til begge. Når det gjelder våre egne, er det viktig å huske at den beste kriminalitetsbekjempelse er å forebygge. Tidligere i dag var Høyre-representanten Ivar Kristiansen på talerstolen og siterte en tidligere statsminister, som sa følgende: «Alt henger sammen med alt.» Jeg synes det var klokt sagt. var klokt sagt. En billig og tilgjengelig barnehage, en engasjerende skole, et godt utbygd fritidstilbud for de unge, et robust arbeidsmarked, et rasismefritt samfunn – alt dette er avgjørende for å holde de unge på rett sti. Det er god kriminalitetsbekjempelse. Så er det de utenlandske kriminelle, som har gjort livet surt for mange mennesker. Flere politidistrikter melder om framvekst av gjenger. Disse kriminelle driver med alt fra tyveri fra villaer og butikker til menneskehandel, narkotikasmugling, grov vold, hvitvasking osv. De må tas på alvor. Det gjør norsk politi i dag. Operasjon «Grenseløs» er et eksempel på det. Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Agder, Telemark og Vestfold politidistrikter har gått sammen og virkelig strammet grepet. Her kommer Regjeringens innsats for å styrke politiet godt med. Det som er behovet nå, er å ha en ny måte å tenke kriminalitetsbekjempelse på i Norge. Politiet må klare å tenke grenseløst. De må være minst like mye grenseløse som de kriminelle. Økt, tett, kontinuerlig samarbeid over distriktsgrenser må til. Videre må politisamarbeidet, både forebyggende og også etterforskende, være grenseløst mellom landene. Først og fremst er det viktig at vi klarer å samarbeide i Europa. Et grenseløst Europa har gjort at de kriminelle reiser rundt og driver med kriminalitet. Da er lille, rike Norge et godt mål. Det er, som noen har sagt, en godteributikk for dem. Det er avgjørende viktig at politimyndighetene klarer å samarbeide over landegrensene. Det må bli bedre utveksling av kunnskap mellom dem. Men det er ikke bare i Europa dette må skje. Vi vet at kriminalitet kjenner virkelig ingen grenser: Menneskehandel drives fra Thailand og mange andre land i Østen og Afrika, narkotika kommer fra Afghanistan og Latin-Amerika – her må vi bli virkelig grenseløse. Vi må få flere avtaler med andre land når det gjelder utlevering av de kriminelle – begge veier. Vi kan selvsagt ikke utlevere mennesker der de kan utsettes for tortur og dødsdom, men det må være rom for at mange flere enn i dag kan sendes til sine hjemland, uten at de blir utsatt for tortur og dødsdom. Det må være mulig å lage avtaler som gjør det mulig at domfelte utlendinger kan sendes hjem for soning. Det vil senke presset på kriminalomsorgen her hjemme, og jeg tror det vil virke avskrekkende for en god del. Det er i det hele tatt på tide at vi virkelig drøfter organisert kriminalitet og viktige utfordringer. Justisministeren har varslet en stortingsmelding om organisert kriminalitet, og jeg hilser den velkommen og ser fram til det. Og jeg vil si at jeg tar imot invitasjonen fra Høyre om et bredere forlik, eller om drøftelse for å oppnå enighet i Stortinget. Det har vi gjort tidligere i forbindelse med kriminalomsorgsmeldingen, og det kan vi gjøre nå også. Her har vi en felles utfordring, og vi må stå sammen om Interpellanten reiser en viktig debatt om samfunnets beredskap til å håndtere bandekriger à la dem vi har sett bl.a. i København. Kampen mellom Hells Angels og gjenger med innvandrerbakgrunn har eskalert til et nivå langt over MC-krigen fra litt over ti år tilbake. Det var en bandekrig som også satte sine spor i Norge. Selv var jeg ordfører på vei hjem fra jobb natten mellom 4. og 5. juni 1997 da klubbhuset til Bandidos i mitt eget nabolag, Nybyen i Drammen, gikk i lufta fem minutter etter at jeg hadde gått forbi. Jeg husker det som om det var i går. Som Drammens Tidende skrev: «I løpet av sekunder var Konnerudgata forvandlet til en krigsskueplass. Overtente hus. Voldsomme branner. Utblåste Midt i gata et utbrent bilvrak.» Et uskyldig liv gikk tapt. «Lille Beirut» var ordene media brukte da de beskrev synet som møtte dem i et av Drammens til da fredelige boområder. Bandekrigen ti til tolv år etter er ifølge dansk politi mye verre. Den er farligere for utenforstående. Mens den forrige bandekrigen foregikk mellom identifiserbare grupper, er dagens bilde mer komplekst: fortsatt MC-bander, men nå mot et bredere spekter av bander med tilknytning til ulike kriminelle innvandrermiljøer. Det understreker at beredskap er viktig. Danmark er ikke langt unna. Beredskap handler om å ha tenkt nøye gjennom hvordan man skal agere når kriser oppstår. Spørsmålet er logisk. Statsrådens svar viser at dette tas på alvor. De kriminelle MC-miljøene i Norge overvåkes nøye. Mye blir gjort for å hindre etablering og rekruttering. Mye tyder på at vi til en viss grad lykkes. Men interpellasjonen kunne vært formulert annerledes: Hvordan kan vi forebygge slike bandetilstander? Da kunne spørsmålet i stedet vært stilt til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. Da kunne også svaret vært vektet litt annerledes. Da kunne hovedsaken ha vært betydningen av et godt lokalt forebyggende arbeid og en god nasjonal og lokal inkluderingspolitikk. Det aller viktigste må jo være å hindre grobunn for rekruttering. Inkluderingsministeren ville også hatt noen gode svar. Handlingsplanen for integrering og inkludering er styrket ved hvert budsjett siden 2007. Oppvekst, utdanning, språk og Den norske inkluderingspolitikken har lyktes bedre enn i mange andre land. Selv om noen også her helst vil ha fokus på konflikt og motsetning, har vi et bedre utgangspunkt enn både Sverige og Danmark. Men vi må også være obs på faresignaler. Det er et slikt faresignal når vi ser ungdom med innvandrerbakgrunn droppe ut av skole og unge voksne stenges ute fra Det er et faresignal når vi ser at sosiale forskjeller følger etniske skillelinjer. Vi har gjengdannelser, men det er mulig å bryte opp miljøene. I min egen kommune, Drammen, innvandrerby nr. 2 etter Oslo, var vi tidlig ute med SLT-arbeid, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, i et rutinemessig samarbeid mellom politi og ulike kommunale etater. Det ga resultater. Tendenser til gjengdannelser ble slått ned på umiddelbart, positive tiltak ble satt inn. Gjenger fra Oslo som prøvde seg i Drammen, ble effektivt stoppet før de greide å slå rot. For en måned siden var Arbeiderpartiets kommunalfraksjon på byvandring på Grønland. Der traff vi tilfeldig, eller kanskje ikkje helt tilfeldig likevel, Oslo-politiets seniorpatrulje, sju politifolk med til sammen som kunne ha tatt ut pensjon, men som i stedet valgte å gå over i en tjeneste som de opplevde som meget meningsfylt. Seniorpatruljen la hovedvekt på å være til stede, prate med folk, uten at noe kriminelt hadde skjedd. Det fins mange slike eksempler. Hovedpoenget mitt er at et samfunn med plass til alle er et samfunn med mindre grunnlag for rekruttering til kriminelle bander. bander. Det er vår beste beredskap. Vi kan kanskje greie å inngå forlik om en samhandlingsreform. Det har vært mer enn en diskusjon i salen her. Jeg håper at vi etter hvert kan etter hvert kan forhandle utenfor denne salen og komme til en god enighet mellom opposisjon og posisjon når det gjelder samhandling for å bekjempe organisert kriminalitet og MC-miljøene, som er negative. Representanten Chaudhry nevnte en del eksempler på hva som er bra. Mye av det er bra, men jeg kunne tatt en ny runde på DNA-reformen. Vi kommer inn i Prüm, men vi leverer ikke bra nok på hjemmebane. Der har vi fortsatt noe å gjøre Vi ser av den diskusjonen vi hadde i sted om faglighet i kriminalomsorgen, at en viktig bit at den fagligheten består i at vi må ha færre ufaglærte, rett og slett fordi en del av de utenlandske kriminelle setter de ansatte i kriminalomsorgen på så stor prøve, ikke bare når det gjelder å håndheve tryggheten, men også å holde oversikten over hvordan de kommuniserer med omverdenen og faktisk driver kriminalitet bak murene og samarbeider med dem på utsiden. Vi ser nå at utenlandske prostituerte utsettes for grove overgrep. Politiet antar at det har en nær sammenheng med kamp om markeder, at man slåss om markedsandelene. Det er en utvikling som er skremmende, og som vi må ta inn over oss. Vi ser at det er mer våpen i omløp. Stadig yngre får befatning med våpen i denne byen. Det er mer enn nok av faresignaler som en forhandling med opposisjonen kan ta utgangspunkt i. Når det gjelder Politihøgskolen, er det bra. Men det er grunn til å se på kvaliteten på dem vi tar inn i politiet fremover. Antallet øker, ja. Spørsmålet er: Får vi inn mennesker i politiet nå som er like skikket som de vi har i dag til å håndtere et mer komplekst kriminalitetsbilde? politiet nå som er like skikket som de vi har i dag til å håndtere et mer komplekst kriminalitetsbilde? Polititallet kan vi ta en debatt om senere. Det ser vel ikke akkurat ut til at vi får 1 100 nye årsverk som lovt i 2009 og 2010. Det er et minimumstall hvis vi skal ha en illusjon om å nå de felles målene våre om politidekning. Jeg synes, avslutningsvis, at det har vært en grei start på en debatt. Jeg håper som sagt at vi ikke bare debatterer dette i stortingssalen, men at vi etter mønster av hva man har gjort om Samhandlingsreformen – jeg håper at den kommer på plass – får mye god Høyre-politikk, mye god arbeiderpartipolitikk, SV-politikk, fremskrittspartipolitikk også, alt i en god forening, for å sørge for at vi har mest mulig enighet om et samfunnsproblem som vi må bekjempe. Jeg oppfatter statsråden dit hen at han vil ta initiativ til en sånn dialog, men håper mer enn bare en dialog over talerstolen her i Stortinget. Man kan faktisk også formelt invitere opposisjonslederne til å inngå et forlik og finne forpliktende avtaler om hvordan vi skal bekjempe et

Vi kommer ikke til å legge fram en stortingsmelding om alt det vi syns er viktig, men akkurat dette er viktigere enn mye annet. Man bruker, særlig fra representanten Werps side, det som et argument for at man ikke i dag har noen samlet strategi. Det vil jeg ta sterkt avstand fra. Det at man nå skal bruke tid på å komme til Stortinget med et dokument, betyr ikke at vi ikke har en strategi. Jeg holdt på å si: snarere tvert imot. Det er ikke sånn at vi har begynt å jobbe med dette når vi varsler Stortinget om at vi ønsker å komme med en stortingsmelding. En av grunnene til at vi har etablert innsatsstyrken og disse prosjektene ute, som fungerer veldig bra, en av grunnene til at vi har gjengprosjekter i Oslo som har vært oppe og gått i flere år, er jo at vi har sett denne utfordringen og tatt tak i den. Jeg mener det er viktig å kunne få en alminnelig debatt om de tiltakene i Stortinget for å få inn nye forslag, men også få økt politisk press mot det, helt åpenbart. Det er viktig. Så får jeg et inntrykk av når jeg hører på interpellanten Oktay Dahl, at kanskje det brede forliket er viktigere enn Jeg mener jo at Regjeringa i stor grad får stå på egne bein og ha ansvar for den politikken vi fører. Jeg har sagt at jeg ønsker en dialog og en debatt rundt dette og hilser alle innspill hjertelig velkommen. Men kriminalpolitikken utformes ikke i utgangspunktet gjennom bredere forlik enn det vi sjøl danner i regjeringspartiene. Så jeg håper ikke det nødvendigvis kommer til å prege den framtidige debatten om arbeidet her. Jeg har sagt og står ved at vi er lydhøre overfor forslag. Vi vil benytte enhver anledning og kanskje også anstrenge oss sjøl til å bli mer konkret i forhold til hva slags forslag det er Høyre ønsker skal gjennomføres for å bekjempe denne typen organisert kriminalitet. Det er vi mottakelige for. Jeg vil gjerne også diskutere det i andre fora enn her, men så må jeg si at de innspill som er kommet, har gått mer i prosessuell retning. Men vi er åpne og ser fram til fortsatt kamp mot denne typen organisert kriminalitet. Dermed er debatten i sak nr. 11 avsluttet. Ingen har bedt om ordet.